utvalget. La meg understreke at selv om det er omtalt i mandatet til utvalget at dette er i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014, er det i mandatet veldig tydelig at det er det å styrke menneskerettighetenes stilling i Grunnloven som er den avgjørende bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget. Det er det viktig å understreke fordi en del

fritt til å vedta det som foreligger av ulike varianter. Det var et bredt sammensatt utvalg. Alle partier har foreslått representanter i utvalget, og utvalget leverte sin rapport i januar 2012. Deretter ble rapporten offentliggjort, selvfølgelig. I Dokument nr. 16 for 2011–2012 er det redegjort for forslagene, og rapporten ble av presidentskapet oversendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen for behandling. Denne gangen ikke for å avgi innstilling, naturlig nok, fordi man kan ikke avgi innstilling til grunnlovsforslag, det må det grunnlovsforslag til, undertegnet av representanter, men for å foreta en behandling av rapporten som favnet bredest mulig ved å invitere til en bred høring. Det har vært hovedformålet med arbeidet i komiteen. komiteen. Det har vært gjennomført en bred høring, som det står redegjort for i innstillingen. La meg si det slik at grunnlovsforslag aldri har hatt noen bred folkelig appell. Hvis du ser tilbake i tid på de gangene hvor Grunnloven har blitt revidert, og det gjelder ca. to tredjedeler av dagens grunnlovsbestemmelser, har det sjelden vært noe folkekrav men det er faktisk en av hovedoppgavene for parlamentet, Stortinget, å foreta jevnlige revisjoner. Noen ganger har grunnlovsbestemmelser vakt politisk debatt, ikke minst i forbindelse med våre avstemminger om medlemskap i EEC og EU, Den europeiske union, men da har det mer vært saken og ikke Grunnloven som har vakt debatt. Det var bakgrunnen for at vi inviterte til en bredest mulig høring. Og la meg si det sånn, hele det juridiske miljøet, i både Oslo og Bergen og resten av landet, engasjerte seg ganske sterkt ved skriftlige henvendelser, og det ble arrangert seminarer hvor komiteens medlemmer deltok. Det var en debatt over flere måneder. På denne bakgrunn ble det fremmet grunnlovsforslag av medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen, understreker medlemmer, med ulike alternativer. På den måten har man søkt å tilrettelegge for at det neste storting kan stå mest mulig fritt til å behandle de forslag som foreligger. Da har jeg lyst til å legge til at det betyr nok at det er fremmet forslag her som man ikke nødvendigvis personlig ivrer for og står bak, men som er ment å gi det neste storting, som har beslutningsmyndighet når det gjelder disse forslagene, en mulighet for å se på ulike alternativer – og det foreligger ulike alternativer. Jeg tror nesten ikke det er ett av de faglig kvalifiserte innspill vi har fått, som ikke er hensyntatt i denne sammenheng ved at deres alternativer er lagt til de forslag som er fremmet fra Lønning-utvalget. Jeg minner om at Lønning-utvalget jobbet i nesten to år basert på betydelig politisk og faglig juridisk innsikt. Sjelden har vi vel sett en forberedelse av grunnlovsforslag som har vært mer omfattende og mer grundig faglig og politisk enn denne prosessen. Jeg synes vi skal sende en takk til det foregående presidentskap, gjerne ved den tidligere stortingspresident Jagland, for initiativet til denne grundige behandling. For skal vi være ærlige, og det skal man fra denne talerstol, er det ikke alltid at grunnlovsforslag er de forslagene som forberedes lengst og mest, selv om de er viktige nok. Denne prosessen har vært annerledes. Den har skilt seg ut ved at den har søkt å komme frem til bredest mulig forslag. Det foreligger faktisk en innstilling fra Lønning-utvalget med usedvanlig få dissenser. Etter min oppfatning er Grunnloven et verdidokument, som både skal avspeile grunnleggende verdier i et samfunn og rettigheter i et samfunn. Leser man dagens grunnlov, er, som jeg sa tidligere, ca. to tredjedeler av bestemmelsene forandret, så Grunnloven har vært gjenstand for en gradvis forandring opp igjennom mange år. En stortingsperiode uten endringer i Grunnloven hører til unntakene – altså uten behandling av grunnlovsforslag

ingen uenighet om dette: «De viktigste samfunnsendringene er den økonomiske og teknologiske utvikling, fremveksten av velferdssamfunnet, utdanningseksplosjonen, enighet om at det skal være like muligheter for kvinner og menn, økt forståelse for barns rettigheter, og en økning i antall nordmenn med annen etnisk, språklig, religiøs og kulturell bakgrunn. Denne flerkulturelle og moderne velferdsstaten bør derfor gjenspeiles i Grunnlovens rettighetsbestemmelser, uten at en slik tilpasning til dagens samfunnsutvikling overskygger de grunnleggende sivile og politiske rettigheter som Grunnloven har vært bærer av siden 1814.» Dette synes jeg på mange måter også svarer på spørsmålet: Er rene velferdsrettigheter riktig å plassere i Grunnloven? Til det vil jeg si at dette ikke er noe nytt. Dagens grunnlov inneholder også slike prinsipielle bestemmelser om retten til arbeid, retten til utkomme av arbeid, retten til et sunt og godt miljø osv. Jeg minner om at rettighetene jo også må være utformet prinsipielt. Det er altså ingen ting i rettigheter om f.eks. rett til utdanning, rett til helse, rett til tilfredsstillende levestandard og sosial trygghet som sier noe om de politiske beslutningene om hvilke rettigheter, hvor omfattende de skal være, hvilke satser som skal legges til grunn osv. Men det gir en ramme, og det gir en tolkningsmulighet. I dette ligger det også en fare enkelte har sett, i den såkalte rettsliggjøring.

kan gjøre politikken mindre viktig. Der er trekk f.eks. i det amerikanske samfunn som jeg synes kan minne om dette – ulikt vårt eget samfunn. Men rettsliggjøring i denne forbindelse tror jeg er en avsporing av debatten. Derfor har jeg til slutt lyst til å sitere fra en kronikk som tidligere stortingspresident Thorbjørn Jagland skrev i Aftenposten den 7. mars i år, og jeg slutter meg til disse synspunkter

Men det forbauser meg at man på Stortinget ikke oppfatter sin rolle annerledes. Et demokrati må ha motmakt som kan kontrollere og balansere et ofte byråkratisk statsapparat. Stortingets rolle er å etablere en slik motmakt. Vi har sett det så ofte: Domstolene er ikke en trussel mot borgernes rettigheter, men det kan et ansiktsløst byråkrati Jeg deler i grunnen disse synspunktene og mener at disse tankene også bør følge saken videre. Jeg vil ikke her gå inn på enkeltbestemmelser som har vært omstridt, fordi de endelige vedtak skal fattes senere, men jeg har anført et par prinsipielle synspunkter på hvordan en grunnlov bør være. Og jeg tror representerer det mangfold av synspunkter som er i saken, og som gir det neste storting – i dets tre første år – en god mulighet til å foreta en skikkelig og på tide revisjon av Grunnloven slik at allmenne menneskerettigheter nedfelt i Verdenserklæringen – økonomiske og sosiale rettigheter – og Den europeiske menneskerettskonvensjonen også gjenspeiles i den norske

Men like fullt forholder det seg slik som saksordfører Foss nettopp har sagt, at menneskerettighetenes plass i Grunnloven har fått en helt spesiell behandling som går langt utover det som er vanlig før grunnlovsforslag fremmes av enkeltrepresentanter. Som også representanten Foss sa, var det jo daværende stortingspresident Jagland som i 2009 tok initiativet til å styrke menneskerettighetene i Grunnloven, og som førte til at Stortingets presidentskap den 18. juni 2009 besluttet å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Utvalgets arbeid var ment å inngå som en del av Stortingets forberedelser i anledning av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014. Utvalget som ble ledet av Inge Lønning, som jeg ser også er til stede her i dag, avga sin rapport til Stortingets presidentskap den 19. desember 2011. så rapporten til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. Vi har i Arbeiderpartiet gjennomført en grundig behandling, og Arbeiderpartiets representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen står som forslagstillere bak den helhetlige vurdering som Menneskerettighetsutvalget har lagt til grunn med unntak som vi vil komme nærmere tilbake til i debatten fra Arbeiderpartiets side. Jeg vil først og fremst komme med noen betraktninger om hvordan Arbeiderpartiet – selv om jeg igjen vil understreke at det er enkeltrepresentanter som er forslagsstillere – og hvordan vi som representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen har vurdert Menneskerettighetsutvalgets rapport. Men jeg vil aller først igjen berømme presidentskapet til å ta i betraktning de grunnlovsforslagene som er fremmet, før de går til valg i september. Før jeg går inn på vurderingen av menneskerettighetene i Grunnloven, synes jeg det er på sin plass plass kortfattet å gjenta noen av premissene som Menneskerettighetsutvalget har lagt til grunn for sitt arbeid. For det første: Grunnloven gir ikke et helhetlig bilde av det menneskerettighetsvern som faktisk eksisterer i norsk lovgivning, da det bare er noen av de sentrale menneskerettighetene som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Dagens fragmentering vil kunne lede til at det oppstår rettslig uklarhet om de verdiene som er kommet til uttrykk er viktigere eller mer overordnet enn menneskerettigheter i annen lovgivning. Større offentlige utredninger om diskrimineringsvern og personvern har konkludert med at rettighetsvernet i Grunnloven må styrkes. det andre: Grunnlovens rettighetsvern bør minst dekke de sentrale menneskerettighetene som ligger til grunn for de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til. For det tredje: Grunnlovfesting av de sentrale menneskerettighetene vil ikke lede til det som ofte omtales som rettsliggjøring av samfunnet. For det fjerde: Utvalget har tatt hensyn til hvordan menneskerettighetene kommer til uttrykk i moderne konstitusjoner i Vest-Europa, særlig i våre naboland. Det er lagt vekt på norske tradisjoner og norske verdier i betydningen synliggjøring av verdiene det norske samfunn er tuftet på, og med tanke på at Grunnloven skal være bedre egnet i møte med Norges framtidige utfordringer.

likeledes at det har vært ulike syn på både resultatet av Menneskerettighetsutvalgets arbeid og prosessen både før og etter nedsettelsen av utvalget. Vårt utgangspunkt er at det er viktig å ha et relativt konservativt utgangspunkt når det gjelder endringer i Grunnloven. Grunnloven bør fortsatt være overordnet og ikke detaljert – dette for at den fortsatt skal stå seg slik den har gjort, siden den ble skrevet for snart 200 år siden. På den annen side må vi ikke bli så grunnlovskonservative at vi ikke sørger for en grunnlov som kan fange opp og speile den nye virkeligheten i ser framover i tilstrekkelig grad. Endringer som foreslås nå, kan virke selvfølgelige og unødvendige i dag, men de er kanskje ikke det om 50 år. Hensikten med grunnlovsendringer må være å sikre våre barnebarn og barnebarns barn de samme grunnleggende rettigheter som vi nyter godt av i det norske samfunnet i dag. Dette er det overordnede perspektivet for de endringene som Arbeiderpartiet har gått inn for. Vi har derfor tatt utgangspunkt i de foreliggende endringsforslag fra Menneskerettighetsutvalget som de la fram i sin rapport. Mange av dem er etter og kan nærmest betraktes som en grunnlovfesting av den samfunnsmodellen vi har i dag, og som Arbeiderpartiet mener å ha mye av æren for og er stolt av. Etter vårt syn er det i et slikt perspektiv viktig faktisk å grunnlovfeste denne modellen. Jeg synes forslaget som foreligger, balanserer godt de ulike hensyn som må tas. Sitat fra utvalget: «En grunntanke må være at Grunnloven skal ivareta sentrale verdier i dagens norske samfunn, men samtidig gjenspeile de verdiene som har overlevd over tid. Å grunnlovsfeste disse verdiene vil være et bidrag til å sikre at også fremtidige generasjoner vil kunne nyte godt av disse rettighetene.»

for de beslutningene som treffes. På den måten vil man i større utstrekning kunne sikre at individets frihet, likhet og menneskeverd blir ivaretatt i beslutningsprosessene også i vår framtid. For Arbeiderpartiet er noen av forslagene problematiske og kan støte mot viktige prinsipper som vårt parti har kjempet fram,

Det er det neste storting som skal realitetsbehandle forslagene vi debatterer i her i dag, som representanten Foss også har understreket. Det har vært veldig viktig for oss i Arbeiderpartiet å skape et stort handlingsrom for dem som skal gjøre det viktige arbeidet det er å endre Grunnloven i neste

Jeg deler også i hovedsak synet som saksordføreren og for så vidt også siste taler ga uttrykk for, med ett unntak hva gjelder siste taler: Han kom i skade for å si at Grunnloven eies av Stortinget. Etter Fremskrittspartiets syn eies den av folket, og så får vi representere folket når vi skal vedta Grunnloven. Poenget med Grunnloven er at dette er vårt fundament som nasjon og det fundamentet eies, etter vår oppfatning, av

Det er tverrpolitisk enighet om at menneskerettighetene skal gjenspeile oss som samfunn, og i en egen menneskerettighetslov har vi som lovgivere gitt menneskerettighetene forrang over nasjonal øvrig lovgivning ved motstrid. Allerede i dag er menneskerettighetene sikret et slags eget lovnivå mellom ordinær lov og grunnlov. Det rettslige utgangspunket for menneskerettighetene i Norge er altså allerede meget sterkt. Menneskerettighetsutvalget skulle så se nærmere på om enkelte menneskerettigheter likevel burde finne sin naturlige plass i Grunnloven. Det arbeidet utvalget har nedlagt, er antakelig i overkant av det som var utgangspunktet ved nedsettelsen av utvalget. Men det har samtidig gitt og bidratt til et grunnlag for debatt om menneskerettighetenes plassering som vi neppe har sett noen gang tidligere, og det er bra. Utgangspunktet for debatten er altså et land som allerede står i fremste rekke for å rettsliggjøre sine forpliktelser etter menneskerettighetene. Vi skal i neste periode vurdere å gå fra å være blant de aller beste i klassen til å bli enda bedre. Ambisjoner er viktig, men vi må sette det perspektivet i en litt større sammenheng. Etter min mening er ikke spørsmålet egentlig hvordan menneskerettighetene skal sikres enda bedre rettslig status, men spørsmålet er: Hva slags grunnlov vil vi ha? Selv vil jeg ha en grunnlov som gir rettigheter, sikrer borgerne friheter, og som er relevant i folks liv. Det er mange politiske programerklæringer i Grunnloven allerede, men jeg frykter at vi risikerer å blåse enda mer luft inn i Grunnloven med det som resultat at den ikke vil ha noen reell betydning for borgerne lenger. Dersom en grunnlovfester sosiale rettigheter i enda større omfang, som er utvalgets forslag, lager en på en måte et slags nasjonalt partiprogram fremfor å tydeliggjøre rettigheter og plikter for borgerne. Det er foreløpig ingen som kan ta med seg et partiprogram til domstolene for å sikre en rettighet oppfylt. Jeg mener at en bør kunne bruke Grunnloven for å sikre konkrete rettigheter. Jeg sier «jeg», for Fremskrittspartiet som sådan har ikke behandlet de ulike menneskerettighetsforslagene ennå. Det er noe den neste stortingsgruppen skal ta stilling til. Grunnloven er et rettslig dokument, ikke bare et overordnet politisk manifest for nasjonen. Etter min oppfatning er det viktig at Grunnloven skal samle styrke på sin vei mot ikke risikere en svekkelse ved å bli fylt opp med flere luftige programerklæringer, hvilket noen av de forslagene som kommer til behandling i neste periode, bærer preg av. Dersom en adopterer hele innstillingen fra Menneskerettighetsutvalget, mener jeg en risikerer akkurat det, å svekke Grunnloven både som politisk og rettslig fundament. Derfor er jeg veldig glad for at det er fremmet en rekke ulike endringsforslag til Grunnloven til behandling i neste periode, for da får vi tid til å debattere hva slags grunnlov vi vil ha og deretter ta stilling til hvordan menneskerettighetene skal få sin naturlige plass i den. Der har Menneskerettighetsutvalgets innstilling en veldig viktig rolle. De forslagene som fremmes, har bred støtte på veldig mange områder, samtidig som det er stor Etter min oppfatning går det et klart skille mellom det å sikre borgernes rett til frihet, ytring og fravær av innblanding på den ene siden, og til å grunnlovfeste statens plikt til å yte dem goder på fellesskapets regning på den andre siden. I et slikt bilde må vi vurdere om politiske erklæringer styrker Grunnloven vår og gjør den mer relevant i folks liv, eller om vi på den måten lufter ut den resterende rollen Grunnloven har i folks liv. Jeg tror det er viktig at fortsettelsen av denne debatten ikke blir fremstilt som om noen er for menneskerettigheter, mens andre er imot. Vi er alle i denne sal, formoder jeg, for menneskerettighetene – et enstemmig storting gjorde det klart i 1999 gjennom menneskerettighetsloven. Sånn skal det fortsatt være. Vi må imidlertid tåle en skikkelig debatt om hvordan Grunnloven skal se ut i fremtiden, uten å falle for fristelsen til å karakterisere hverandre som å være mer eller mindre for menneskerettighetene. Så er det naturligvis slik at partiene ikke har tatt stilling til disse forslagene, og hvordan innretningen skal bli i neste stortingsperiode. Det er en jobb som det neste Stortinget må ta, og jeg er trygg på at den jobben blir gjort grundig. Jeg vil også understreke viktigheten av at kontroll- og konstitusjonskomiteen som da skal behandle disse grunnlovsendringsforslagene, ser dette i sammenheng og kanskje i et litt større perspektiv i forkant. Der er jo, uten for øvrig, en del av de seminarene som presidentskapet har arrangert i forbindelse med 200-årsjubileet et veldig viktig bidrag til å øke oppmerksomheten rundt Grunnloven og Grunnloven som et viktig fundament for det samfunnet vi lever i, og skal bidra til styringen av. Det er viktig at vi på alle mulige måter forsøker å bidra til mer diskusjon om Grunnloven. Menneskerettighetsutvalgets forslag er et godt bidrag i den diskusjonen, som bør være fri,

både dei seminara og det nye me heldt på med på torsdag, nemleg bordlegging av forslag for å forsøka å få ein debatt om Grunnlova. Det trur eg er veldig lurt, for som både Foss og andre har vore inne på, er det ikkje nødvendigvis sånn at folk diskuterer Grunnlova så mykje. Saksordføraren var inne på dette med rettsleggjeringa – og Jagland som var litt kritisk til det eg har sagt i den forbindelse. Men så er jo dette ein del av ein debatt, og då må jo det temaet koma opp som ei problemstilling som kan ha ulike utgangar. Det er utgangspunktet mitt. Eg bur og lever i Noreg og håper å følgja godt med på debatten her. Det er gjerne ikkje like lett å følgja med på det dersom du sit i Europa og tenkjer på korleis du skal koma inn i EU

var vellykka. Eg ønskjer å ta opp mykje av det me fokuserte på der, i innlegget mitt her i dag. Så kan det vera at andre representantar frå SV seinare i debatten kjem tilbake med problemstillingar som òg er tatt opp. Det eine er bustad – retten til bustad. Me ser korleis bustadmarknaden nærmast har fått utvikla seg fritt over lang tid, og veit at veldig mange ikkje kjem inn på Dei blir på ein måte dømde til å betala utgifter til ein som leiger ut ei bustadeining, fordi dei ikkje har råd til å koma inn på marknaden. Det kan gjelda lærarar, sjukepleiarar, arkeologar – «you name it» – som ikkje får lånt pengane som må til for å kjøpa ein bustad. Dersom dei ikkje skaffar seg ein mann eller ei kone som tener gode pengar, blir dei dømde til å leva i utleigemarknaden. Det meiner me

bustadmarknaden i ei burettslagsleilegheit. Men då det blei oppheva, steig prisane sånn at det blei umogleg for folk å koma seg inn i marknaden gjennom bustadsamvirket. Det var ei beklageleg politisk endring som skjedde på 1980-talet, som har gjort meg søkkrik, men som har gjort det endå vanskelegare for ungdom å koma inn på marknaden. Nå har altså regjeringa lagt fram ei bustadmelding som legg vekt på bustad- og transportløysingar. Det kjempelurt, trur eg. Når du skal byggja ut noko, må du tilretteleggja for kollektivtransport, og på den måten redusera klimagassutsleppa. Så skal ein òg gå igjennom saksbehandlinga for å få ho meir effektiv. Ein skal òg sjå på om låna i Husbanken kan gjerast om til lån der du leiger, for så på sikt å eiga, med lengre kontraktar. for så på sikt å eiga, med lengre kontraktar. Regjeringa legg òg opp til startlån for folk som har store vanskar med å koma seg inn på bustadmarknaden. Så ein tar nokre grep når det gjeld den frie marknaden som me har hatt til nå – nå skal ein altså forsøka å regulera dette slik at fleire skal få bustad. Då meiner me at det er realpolitisk fornuftig at me seier noko veldig klart om dette i Så til ei anna problemstilling – diskrimineringsvern. Formelt sett har me likestilling her i Noreg. Me har på plass mange lovreguleringar som gjer at det er bra likestilling, men samfunnet er ikkje likestilt. Dessutan diskriminerast funksjonshemma og ofte òg folk med anna seksuell legning, religiøs tilhøyrsle, etnisk opphav, hudfarge og sånne ting. Det er blitt mindre av det, men det er der framleis. Dersom ein tenkjer berre på kvinner og arbeidsliv, er det Det er blitt mindre av det, men det er der framleis. Dersom ein tenkjer berre på kvinner og arbeidsliv, er det heilt tydeleg at damene tener mindre enn mennene i arbeidslivet. Dei har 65 pst. av mennenes lønn. Derfor ønskjer me òg at det skal vera heilt tydeleg at Noreg skal vera eit land der du ikkje blir diskriminert – og den standarden set me allereie i Grunnlova. Til slutt til eit forslag som gjeld asyl. Det var eit veldig heit tema på SVs landsmøte, og det har vore eit heit tema ute blant folk flest i lang tid. Eg trur veldig mange blir opprørte av den politikken me har i Noreg når det gjeld barn.

sjølvsagt, men samtidig er det viktig at me, ved dei grunnlovsendringane som me vil gjera i neste periode, set ein standard for kva Noreg står for, korleis me ønskjer å styra Noreg gjennom Grunnlova, og er tydelege på dei punkta som skal visa det samfunnet me vil ha. Eg ser fram til at Grunnlova blir eit endå heitare tema ute blant folk flest, ha. Eg ser fram til at Grunnlova blir eit endå heitare tema ute blant folk flest, og eg meiner at debatten me har i dag, kan vera med å bidra til det, med utgangspunkt i Lønning-utvalets rapport og den lange og gode prosessen me har hatt på temaet i forbindelse med behandlinga i kontroll- og

hvordan vi skal sikre menneskerettighetene, og hvordan menneskerettighetene skal følges opp. Her er det berettiget tvil i mange miljøer om hva som er det klokeste. Sjøl er jeg blant disse tvilerne. Det som representanten Langeland var inne på når det gjaldt bolig, er et eksempel på i hvilken grad det er klokt å ta slike spørsmål inn i Grunnloven. Stortingets presidentskap oppnevnte et utvalg med Inge Lønning som leder, og mandatet var å fremme forslag om begrenset revisjon – og jeg vil understreke det først: begrenset revisjon – med mål om å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett. Det dreier seg altså om et betydelig handlingsrom, begrenset revisjon og å styrke menneskerettighetenes stilling. Vi står overfor et krevende politisk skjønn med hensyn til hvordan vi skal gjennomføre dette. Thorbjørn Jagland var Stortingets president i forrige periode og en av initiativtakerne til nedsettelsen av utvalget som Inge Lønning var leder av. Nåværende generalsekretær i Europarådet heter Thorbjørn Jagland, og han uttalte i Aftenposten den 7. mars i år at vi «har endt opp med en grunnlov som er stivnet og umoderne». En slik omtale av Grunnloven er jeg sterkt uenig i. Grunnloven har vært og er av uvurderlig verdi for Norge. Den har gitt et og den har vært retningsgivende under skiftende samfunnsforhold. Dens overordnede autoritet og dens store slitestyrke skyldes både at den har hatt sin basis i grunnleggende verdier som folket har identifisert seg med, og at den har blitt fornyet gjennom endring og tillegg av paragrafer så vel som

knyttes opp mot tidens tyngste trender i det internasjonale samfunn – som uten tvil er menneskerettighetene». Menneskerettighetene og spørsmålet om hvilke av dem som bør med i Grunnloven, og hvordan de best kan realiseres i Europa, er viktig. Men når det gjelder hvilke trender som gjør seg gjeldende, synes den dominerende trenden i Europa nå å være at ikke-folkevalgte – direktører, generalsekretærer, kommisjonærer og andre internasjonale sjefer – forteller folkevalgte representanter hva som er viktig. Grunnlovens mest overordnede verdi ligger i å sikre demokratiet. Av denne verdien kan en rekke andre verdier og rettigheter avledes. Jeg mener vi må ha en langt mer grundig debatt før vi tar standpunkt til hvilke menneskerettigheter som eventuelt bør inn i Grunnloven. For meg er det viktig at det ikke bare er ideelle mål, men rettigheter vi mener må realiseres, og som vi kan realisere, som er sentrale. Derfor er altså hva vi må og kan meg ved grunnlovsendringene, ikke bare idealistiske ønskemål. Grunnloven må sikre at makten oppnås og utøves gjennom demokratiske, politiske prosesser. Jeg har mer tro på demokratiet enn på jussen, i den forstand at demokratiet må være overordnet jussen for å sikre rettferdighet og rimelighet i vårt samfunn. Jo mer rettighetslogikk som gjøres gjeldende i styringen av samfunnet, jo mer kan det føre til en rettsliggjøring og en overføring av makt fra folkevalgte forsamlinger til domstolene. Juristene har hatt en viktig rolle under utviklingen av vårt demokratiske styre, både som profesjon og som aktører i det politiske liv. Særlig viktig har innsatsen til mange universitetsjurister vært, og i den videre utviklingen av samfunnet vårt vil juristene ha en viktig rolle, men de må ikke få større makt og innflytelse. I særdeleshet bør vi være tilbakeholdne med å overgi mer makt til juristene i de internasjonale og overnasjonale organene. Makten bør ligge i de folkevalgte forsamlingene der representantene ikke bare er valgt, men også er ansvarlige overfor folket som har valgt dem. Det politiske ordskiftet og demokratiet er avgjørende. Mye kan gjøres bedre i vårt land. Den beste måten det kan skje på, er ved å sikre demokratiet gjennom et opplysende og skarpt ordskifte. Eksemplet på det er slik det var i forbindelse med tilslutning til Den europeiske union, fordi demokratiet er den eneste styreformen der de som blir styrt, har makt over dem som styrer. Jeg valgte her å holde et prinsipielt innlegg uten å gå inn på innholdet i de enkelte forslagene. Det er de folkevalgtes rolle som er det sentrale, og ikke enkeltbestemmelsene, som en vil komme tilbake til når en har drøftet den folkevalgtes rolle, hva som skal tas inn i Grunnloven, og hvordan vi sikrer at det politiske ordskiftet er vitalt, for det er den forståelsen og det ordskiftet som er styrken i et aktivt demokrati.

Jeg mener at vi på en grundig måte, både i partiene og i komiteen, har gått inn i Lønning-utvalgets rapport og inn i menneskerettighetsspørsmålet knyttet til Grunnloven, på en slik måte at vi nå har kunnet invitere det neste storting til å ta stilling til menneskerettighetenes plass i Grunnloven. Kristelig Folkeparti er med på å fremme flere av forslagene. Det er ikke dermed sagt at det neste storting og Kristelig Folkepartis neste stortingsgruppe kommer til å støtte alle de forslagene vi har vært med på å fremme. Det er det neste storting helt suverent til å ta stilling til. Selv om Kristelig Folkeparti ikke er med og fremmer noen av de andre forslagene,

hører mest hjemme i det politiske ordskiftet. Det er noe som jeg tror det neste storting blir nødt til å ta stilling til. Et av de forslagene som Kristelig Folkeparti har fremmet – og som for så vidt er et forslag Kristelig Folkeparti har fremmet ved flere anledninger – er det grunnleggende spørsmålet om retten til liv. Jeg har lyst til bare å bare å knytte noen ord til akkurat det forslaget, som for Kristelig Folkeparti er en kjernesak. Ved flere anledninger har vi stilt oss bak forslag til en egen grunnlovsbestemmelse som fastslår menneskeverdets ukrenkelighet og alle menneskers rett til liv og legemlig integritet. Retten til liv og menneskeverd er jo et bærende grunnprinsipp og som en naturlig følge av det burde det også vært nedfelt i vår grunnlov – ikke minst burde dette vært naturlig i en tid da vi opplever at menneskeverdet og menneskelivet er mer utsatt en noen gang. For ca. tusen år siden ble kristenretten innført i Norge. Den banet veien for et nytt menneskesyn, og med det skjedde det er markert Gjennom tiden ble dette synet på mennesket videreutviklet – vi vil kanskje si kvalitetssikret og aktualisert – i møte med nye utfordringer. Det er en prosess som fortsatt pågår. Denne forståelsen av hva et menneskeliv er, legger til grunn at alle har samme ukrenkelige verdi, uavhengig av funksjonsdyktighet, kjønn, tro, alder, sivil status og etnisk opprinnelse. Disse verdiene er også sentrale elementer i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948, som også sakens ordfører henviser til, og andre internasjonale konvensjoner. Så langt – i 2013 – har det ikke vært stemning her i Stortinget for å nedfelle dem i den norske grunnloven, men det blir det neste storting invitert til å gjøre ved at det nå foreligger forslag, ikke bare Kristelig Folkepartis forslag, men også andre forslag, som tar opp noe av det samme temaet. Kristelig Folkeparti og undertegnede tviler ikke på at retten til liv og legemlig integritet har stor oppslutning i det norske folk og også her i denne sal. Om vi spurte, ville vi sikkert få bekreftet at alle betrakter retten til trygghet for liv og legeme som fundamentalt. Ingen vil protestere mot en slik tanke, der snarere faren er at vi tar disse verdiene som en selvfølge, men på dette området vet vi at intet er selvfølgelig. Ser vi oss rundt, må vi erkjenne at menneskelivet er mer truet enn noen gang. Bruken av vold øker både i vårt samfunn og andre samfunn. Etniske konflikter, menneskehandel og slaveri er ikke noe som hører historien til, det er en del av virkeligheten i dag. Vi føler alle en uro for at ideologier som svekker respekten for liv og menneskeverd, skal få feste seg, særlig blant yngre mennesker, og i en slik situasjon bør det ikke være grunn til å legge mindre vekt på respekten for liv og menneskeverd enn før – snarere tvert imot. Kristelig Folkeparti mener imidlertid at vi mer enn noen gang trenger en faneparagraf i vårt mest fundamentale lovverk som løfter retten til liv høyt, ikke fordi at en slik paragraf alene kanskje vil føre til så mye konkret på kort sikt, men fordi den for all framtid vil være et viktig signal til påminnelse for alle og enhver – og ikke minst lovgiverne – om hvilke grunnleggende verdier vårt samfunn og vårt lovverk skal bygge på. Vårt samfunn blir stadig mer komplisert, ikke minst gjelder dette på teknologiens område. Forskerne viser stadig fram sine nyvinninger, og dette gjelder også den medisinske forskningen. En del av denne forskningen foregår jo i grenseområdene mellom liv og død. Bioteknologiloven utfordrer oss stadig. Stadig blir det viktig å finne den rette balansen mellom etikk og teknikk. I debatten om tidlig ultralyd utfordres vi også til å ta den store debatten om sorteringssamfunnet. Bioteknologien gir oss muligheter og kan gjøre mye for mennesker. Disse mulighetene skal vi også gripe, og vi skal gripe dem samtidig som vi tar hensyn til at bioteknologien også rører ved verdier som er sentrale for samfunnet vårt, menneskets verdi og et samfunn med plass til alle.

opprinnelse. Denne retten har preget vår lovgivning og etiske normer i vårt land. Mennesket har krav på både menneskeverd og liv fordi det er et menneske. Det er utgangspunktet for vår holdning til tendensen vi i dag ser til et begynnende sorteringssamfunn. Den medisinske utviklingen har gjort at man stadig står overfor nye problemstillinger, både i livets første fase og ved livets slutt. slutt. Stadig flere sykdommer kan fastslås allerede på fosterstadiet, og med en stadig mer avansert fosterdiagnostikk åpnes det for å sortere bort barn på grunnlag av kjønn eller funksjonshemninger. Det reises også mange vanskelig etiske dilemmaer rundt avslutningen av livet, f.eks. om hvor lenge en behandling skal fortsette. Uten lov som kan faren være at det blir gjort kvalitative vurderinger av menneskeverdet. Det er en utvikling jeg vil advare imot. Jeg avslutter der jeg begynte, med å si at for Kristelig Folkeparti er kampen for grunnlovfesting av retten til liv et kjernespørsmål. Så jeg håper at det finnes politikere også i den kommende perioden som vil heise fanen for den mest fundamentale av alle verdier, nemlig retten til liv og menneskeverd. Uansett er det viktig at også framtidige aktører i det politiske liv blir konfrontert med disse spørsmålene og må ta stilling til dem.

Vi fikk en grunnlov som var ekstremt moderne, inspirert både av den franske og den amerikanske revolusjonen. Men den har også klare røtter i norsk rettstradisjon, og det er det viktig for oss å ha med. Den norske grunnloven bygger på en tanke knyttet til rettigheter for individer, rettferdighet frambrakt ved debatt, og den gamle tingtradisjonen i Norge. Det er det viktig for oss å huske, for den norske rettstradisjonen, den norske grunnlovstradisjonen, bygger på veldig sterke bånd bakover, og som er veldig forskjellig fra mange av de klanstrukturene som mange av de andre landene rundt oss var bygd på. I norsk rettstradisjon har alltid individet stått veldig sterkt. Rettighetene til enkeltindividet har stått veldig mye sterkere enn i veldig mange andre samfunn rundt oss – helt fra vikingtida og opp til nå – med gårdsting, landskapsting og større og større enheter, der man møtes og drøfter og finner fram til enighet. Bakgrunnen for og tankegangen i alt dette ligger i rettferdigheten mellom individene. Det er en veldig individorientert rettighetslovgiving. rettighetslovgiving. Den er fundamentalt annerledes enn den en f.eks. finner i klanstrukturer i Øst-Europa eller i andre land, der familie, klan og tradisjon er utgangspunktet for lovgivinga. Derfor har vi en sterk rettighetslovgiving, en sterk individuell tankegang i norsk rettslovgiving, fra tidenes morgen. morgen. Derfor var det så lett for eidsvollsmennene å akseptere det som lå i tankegangen knyttet til den amerikanske og den franske revolusjonen, og derfor var det også så lett for dem å overta de tankene. Det syns jeg også er et viktig bakteppe å ha når man nå skal diskutere både menneskerettighetenes rolle og rettsliggjøring. Først noen kommentarer knyttet til menneskerettighetene: Jeg tror at det er utrolig naivt å påstå at menneskerettighetene leves ut fullt og helt i det norske samfunnet. Jeg vil påstå at man lever i en liten boble som stortingsrepresentant hvis man ikke merker de overgrep som mange ganger skjer. Man kan bare spole tilbake til det som har skjedd i norske rettssaler det siste året, og avsløre hvor mange barn som blir utsatt for overgrep, hvor mange barn som uten av vi egentlig får rettssaker om det, fordi det er så ubehagelig å gå gjennom den prosessen. Vi har f.eks. hatt overgrep knyttet til kjønnslemlestelse på jenter, der man har sagt at det blir så ubehagelig for familien hvis rettssaken gjennomføres. For meg er det en grunnleggende misforståelse

For meg er det et varsko om at vi er ikke så gode på menneskerettighetene som vi ofte snakker om. Alle som sitter i denne salen, har i løpet av sin folkevalgte karriere fått henvendelser fra mange enkeltindivider som har fått sine rettigheter tråkket på, og som ikke har hatt ressurser til å klare å ivareta dem. Vi skal ikke være naive og tro at menneskerettighetene som ikke har makt til å sette krav bak sine rettigheter, har fortsatt problemer, og hvis ikke vi sørger for å ha et lovverk som er godt nok, og et lovverk som gjør at disse rettighetene håndheves, mener jeg at vi ikke gjør jobben vår. For poenget for demokratiet er ikke, som Lundteigen sa, at flertallet skal ha makta, og flertallet skal bestemme. Nei, poenget med demokratiet er at mindretallet skal ha noe å Poenget med demokratiet er at individet faktisk skal ha en verdi utover det at det kan ha et flertall imot seg. Det er det som ligger i rettighetstankegangen knyttet til å implementere menneskerettighetene i en mye sterkere rolle i norsk grunnlov enn hva de har i dag. Jeg satt i referansegruppa knyttet til maktutredninga, som var veldig bekymret for Men jeg mener at det var en helt annen rettsliggjøring enn en implementering av menneskerettigheter. Den rettsliggjøringa det var snakk om, var at vi bruker lovverket, ikke på grunnlovsnivå, men vanlig lovverk, til å innbefatte en god del rettigheter som det bare er de ressurssterke som kan kreve inn. Vi holder på med det hele tida Vi holder på med det hele tida – vi lovfester rett til barnehageplass, vi lovfester rett til skoleplass, vi lovfester retten til det ene etter det andre. Det er den rettsliggjøringa som egentlig er en trussel imot det som handler om de politiske prioriteringene, som Lundteigen tok opp. Det handler om en rettsliggjøring som egentlig bare kan «cashes» inn av dem som har ressurser til det. Når vi vedtar makspris i denne sal, høres det det. Når vi vedtar makspris i denne sal, høres det fint ut for barnehager, men det er en enormt stor inngripen i hvordan en skal lage gode lokale løsninger for hver enkelt kommune på hvordan en skal nå akkurat de målsettingene som loven har. Jeg vil være veldig raus når det gjelder rettsliggjøring i Grunnloven knyttet til menneskerettigheter, men jeg er veldig skeptisk til rettsliggjøringa i normalt lovverk der vi avvikler lokalt sjølstyre, og der vi avvikler dialogen mellom enkeltmennesker i lokalsamfunn for å finne gode løsninger for å løse de utfordringene en står overfor. Så har jeg lyst til å kommentere to av forslagene som ligger der, som Venstre er med på å fremme, og som ligger til behandling til neste stortingsperiode. Det gjelder ytringsfrihetspunktet, som vi ønsker å styrke det ikke bare gjelder friheten til ytringer, men også retten til å kritisere religion. Det er en av de ytringene som vi ser blir mest presset rundt omkring i verden, og som også presses i det norske samfunnet. Jeg syns det er viktig å ha inn i norsk grunnlov at vi alle sammen også har lov til å ytre oss med hensyn til kritiske bemerkninger når det gjelder tro, at det er en rettighet du har på lik linje med andre med andre rettigheter. Den andre rettigheten er retten til å søke asyl, som er en grunnleggende menneskerettighet som jeg mener bør grunnlovfestes, og som jeg mener stadig vekk utsettes for press. Når vi f.eks. diskuterer i denne salen hvorvidt man skal internere mennesker uten lov og dom fordi man har levert en asylsøknad, mener jeg at det er et Det å internere folk for å levere en søknad om noe det er en klar menneskerettighet å levere en søknad om, mener jeg er et menneskerettighetsbrudd, og det bør klarlegges i norsk grunnlov at det ikke er lov. Norge har flere dommer mot seg knyttet til EMK. Alle dem bør man være flau over i dette rommet. Målet er ikke å flytte mer makt til målet er at vi skal ha en så god grunnlov og et så godt rettsgrunnlag i Norge at vi ikke trenger å bli dratt inn knyttet til EMK eller få dommer imot oss på europeisk menneskerettighetsnivå. Men så mener jeg også at det er viktig å sette rammer rundt hva som er de menneskerettighetene som ligger innbefattet i det internasjonale lovverket som vi har tilsluttet oss. Det er selvfølgelig sånn at samfunnet skal sørge for at folk skal ha tak over hodet, men når SV har utviklet sosialismen til å bli et punkt der man skal ha rett til eiendom – som jo er et nytt utviklingstrekk innenfor sosialismen – syns jeg kanskje at man drar menneskerettighetene noe langt. For det å ha rett til å ha eiendom mener ikke jeg er en menneskerettighet, men at vi har ansvar for at alle skal ha tak hodet, er et fellesskapsansvar. Så mange av de rettighetene som ligger der nå, syns jeg er å dra de europeiske menneskerettighetene for langt. Jeg tror likevel at Venstre kommer til å være blant de mer positive til å innføre en mye større katalog av menneskerettigheter i den norske grunnloven, fordi det er en riktig historisk utvikling av det lovverket vi har. Vi mener at det fortsatt er store hull i norsk lovgivning når det gjelder menneskerettigheter, og jeg mener at det er mange mennesker som tråkkes på i det norske samfunnet, og som ikke har et lovverk som er godt nok for å kunne stå for sine saker. Så jeg tror at den neste – store – Venstre-stortingsgruppa kommer til å være positiv til mange av de forslagene som ligger i dette. Jeg ønsker å si noen ord om forslagene 16, 32 og

En grunnlovfesting av forbudet mot dødsstraff vil legge reelle bånd på lovgiver ved at dødsstraff ikke kan gjeninnføres i Norge uten at det nødvendige kvalifiserte flertall i Stortinget stiller seg bak. Så dette er åpenbart et fornuftig, riktig og viktig forslag. Men når det gjelder andre sider av grunnlovsforslagene som handler om rett til liv, mener jeg at vi må se dette i sammenheng med dagsaktuell politikk. Kristelig Folkeparti har lang tradisjon for å være motstander av abortloven. Det er derfor ikke overraskende at det partiet vil ha formuleringen «Enhver har Ret til Liv og legemlig Integritet fra Undfangelse til naturlig Død» inn i Grunnloven, for det er en naturlig konsekvens av standpunktet Men jeg stiller meg spørrende til forslaget om at ethvert menneske har en «iboende Ret til Liv», som er stilt av representantene Foss, Anundsen og Lundteigen. Mitt spørsmål er: Hva ligger i begrepet en «iboende Ret til Liv»? Når skal denne iboende retten inntre, og er dette egentlig et forsøk på å stramme inn rammene for abortloven? Når jeg stiller det spørsmålet her i dag, er det fordi Høyre i sitt nylig framlagte forslag til partiprogram igjen tar til orde for å endre og stramme inn abortloven. I tillegg ser Høyre ut til å innta flere andre restriktive standpunkter i gen- og Når vi så ser alle disse standpunktene i sammenheng, er det det som er bakgrunnen for min skepsis til å bruke formuleringen en «iboende Ret til Liv» i Grunnloven. Så skal jeg på ingen måte være med og bagatellisere mange av de dilemmaene vi som enkeltmennesker og samfunn blir stilt overfor når vi stadig får tilgang til ny kunnskap og ny teknologi som gir oss mennesker nye muligheter for å styre over liv og død. Jeg ønsker i hvert fall ikke en samfunnsutvikling der foreldrene kan velge egenskapene til sine barn på mer eller mindre kommersielle vilkår. Jeg og Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med mangfold og rom for alle. Det samfunnet må vi klare å utvikle samtidig som vi ivaretar kvinnens rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Jeg er helt sikker på at det å ta abort er en av de vanskeligste avgjørelsene en kvinne kan bli stilt overfor. Men det er likevel den det gjelder, som er best kvalifisert til å ta den avgjørelsen. Det å stramme inn abortloven vil være en alvorlig inngripen i kvinners liv og enkeltmenneskets valgfrihet. Derfor mener jeg det er svært viktig at vi unngår enhver tvil om abortlovens framtid når vi i dag Jeg ønsker å gi min støtte til forslaget fra Kolberg med mange flere som lyder: «Ethvert Menneske har Ret til Liv fra Fødselen.» Da vil det ikke herske noen tvil om retten til abort opp mot bestemmelsene i Grunnloven. La meg også takke saksordføreren for å ha lost denne saken i havn på en veldig ryddig måte og

av den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske menneskerettserklæringen og den franske grunnloven. Jeg skal, som forrige taler, si en del om grunnlovsforslag 33, og vil da – naturlig nok – komme inn på grunnlovsforslagene 16 og 32. Grunnlovsforslag 33 er fra representanter for Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre og dreier seg om ny § 93 i Grunnloven. Det dreier seg om rett til liv, og det er her vi skiller oss fra de andre partiene, fordi det er et spørsmål om når man skal grunnlovfeste retten til liv når skal man starte den grunnlovfestingen? Vi er selvfølgelig ikke uenig med de andre partiene i forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri – det sier seg selv. Mens vi holdt på å jobbe med disse sakene, kom det høringsinnspill fra flere kanter, også fra en del kvinneorganisasjoner, og vi fikk reaksjoner på det opprinnelige forslaget fra Menneskerettighetsutvalget om alles «iboende Ret til Liv», fordi det, som det står i høringsuttalelsen fra Norsk Kvinnesaksforening, kan reises spørsmål om dagens abortlovgivning vil kunne hevdes å være i strid med en slik grunnlovsbestemmelse om retten til liv. For å forstå dette må vi også se på grunnlovsforslag 16, som er fra Kristelig Folkeparti. Dette handler om abort. Nå har representanten fra Kristelig Folkeparti gått ut – hvis han ikke har kommet inn igjen. Kristelig Folkeparti og enkeltrepresentanter fra andre partier, blant dem tidligere representant Inge Lønning, i forrige periode, har flere ganger fremmet grunnlovsforslag om «Ret til Liv fra Undfangelse til naturlig Død». I årets versjon brukes uttrykket «Ret til Liv og legemlig Integritet fra Undfangelse til naturlig Død». La meg først da det meste av det representanten Bekkevold sa om menneskelivets ukrenkelighet og menneskeverd, vel å merke fra fødselen, og at grunnlovfesting bør skje fra fødselen. Det betyr ikke at man ikke skal forsøke å redde barn som er nesten i en situasjon der det kommer en tidlig fødsel, uten at man behøver å grunnlovfeste det. Jeg mener at forslaget fra Kristelig Folkeparti betyr grunnlovfestet forbud mot abort i Norge, helt uavhengig av hvor i svangerskapet og på hvilke kriterier. Det kan faktisk i tillegg bety grunnlovfesting av forbud mot enkelte prevensjonsmidler som ikke hindrer befruktning, spiral f.eks., som absolutt ikke hindrer unnfangelse eller befruktning, men som sørger for at befruktede egg blir støtt ut, altså ikke setter seg fast i livmoren. Jeg beklager å måtte gå så detaljert til verks, men det er faktisk nødvendig i en sak som Da Menneskerettighetsutvalget kom med sitt forslag til ny § 93, ringte alarmklokkene, for forslaget lød: «Ethvert Menneske har en iboende Ret til Liv.» Jeg vil bare vise til det som Helga Pedersen sa: Hva betyr «iboende Ret til Liv»? Vi har også selvfølgelig sett på hvordan vi kunne formulere et forslag hvor vi også er veldig klare på å understreke menneskeverd, menneskerettigheter og menneskelivets ukrenkelighet. Vi kunne selvfølgelig bare ha lagt inn grunnlovsforslag om forbud mot dødsstraff, slaveri og tortur, men retten til liv i en eller annen form er inntatt i de fleste moderne konstitusjoner i Europa og i EUs «Charter of Fundamental Rights» og også i Verdenserklæringen etc., dvs. retten til ikke å bli fratatt det livet man har fått Vi har altså to alternativer. Det ene er «Ethvert Menneske har Ret til Liv», uten «iboende». Men det som jeg personlig mener er det riktigste her, er å grunnlovfeste «Ethvert Menneske har Ret til Liv fra Fødselen», altså det å grunnlovfeste det livet som er gitt oss. Det livet som vi har, og som vi skal ta vare på, bør grunnlovfestes. Dette er også så vidt vi vet, gjort på Island, hvor man holder på med noe lignende. Annet, tredje og fjerde ledd i forslaget vårt er i samsvar med forslaget fra Menneskerettighetsutvalget. Det å grunnlovfeste forbud mot dødsstraff, fordi retten til ikke å bli dømt til døden må være universell til ikke å bli dømt til døden må være universell helt uavhengig av hvilke rammebetingelser som et samfunn har, er veldig viktig. Det er på høy tid at det gjøres. Det samme gjelder frihet fra tortur og annen nedverdigende og umenneskelig behandling, og selvfølgelig bør forbud mot slaveri og tvangsarbeid Andre vil komme tilbake til flere av de forslagene som vi har alternative forslag til. La meg bare likevel bruke noen få ord på grunnlovsforslag 35, som også er fra Arbeiderpartiet, SV og Venstre. Det gjelder forslaget fra Menneskerettighetsutvalget, som er fulgt opp av Høyre, Fremskrittspartiet, om at «Familien er en grundlæggende Enhed i Samfundet». Så kommer formuleringen om rett til giftemål, samtykke, fri vilje osv. Vi er uenig i formuleringen «Familien er en grundlæggende Enhed i Samfundet». Ordet «familie» kan by på en del utfordringer i dagens mangfoldige samfunn. La meg se på det fra et og rett og slett understreke at vi i økende grad når det snakkes om likestilling, har understreket individet, enten det er lønn eller pensjon, retten til å forsørge seg selv, retten til utdanning, retten til arbeid, karriere og barn for begge kjønn, den enkeltes integritet. Vi foreslår å sløyfe den formuleringen og sier isteden: «Enhver, som har opnaaet giftefærdig Alder, har Ret til at stifte Familie, indgaa Ægteskab og opløse Ægteskab i Henhold til nærmere Bestemmelser givne ved Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægtefællernes Samtykke og frie Vilje.» Det siste er svært viktig i dagens samfunn. Vi får stadig innspill og stadig meldinger om nye tvangsekteskap. tvangsekteskap. Jeg tror at ved å grunnlovfeste at ekteskap bare kan inngås «med Ægtefællernes Samtykke og frie Vilje» kan vi komme et skritt videre. Jeg mener at vi i dag i stor grad lukker øynene for særlig de unge jentene, men også en del unge gutter, som blir tvangsgiftet, og jeg vi hadde sett så lemfeldig på denne saken dersom det hadde vært folk som i utgangspunktet hadde norsk bakgrunn og ikke minoritetsbakgrunn. La meg også bare kort understreke når det gjelder § 98 om usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, at det strid med kjønnskvotering eller positiv forskjellsbehandling. Det er også ivaretatt, og andre vil snakke mer om det senere. Siden debatten også har dreid seg litt om hva som skal grunnlovfestes og hva som ikke grunnlovfestes, har jeg ikke minst behov for å si noe om det. Igjen vil jeg sitere Norsk Kvinnesaksforening, som sier at jo mer de har jobbet med Dokument 16, desto mer problematiske framstår en del av forslagene. Dette er ikke mine ord, men dette er en røst som kanskje fortjener å bli hørt, fordi de sier: «Når rettigheter grunnlovfestes som allmenne prinsipper, blir de nødvendigvis formulert på et høyt abstraksjonsnivå, fjernt fra den konkrete virkeligheten Begreper som nyttes, blir gjerne vage og generelle, upresise og mangetydige. Dermed øker risikoen ikke bare for at de kan tolkes ulikt, men for at de kan nyttes i kontekster som ikke var forutsett fra lovgivernes side. De kan gi svakere vern enn mer konkret lovgivning, og i verste fall nyttes i strid med den opprinnelige hensikten.» La meg for egen del legge til at Grunnloven gir forrang, og den er vanskelig å endre. Det bør også bli en debatt i neste periode – når grunnlovsforslagene vi drøfter i dag, skal opp – om forholdet mellom grunnlovfesting og lovfesting. Jeg vil også vise til de to debattene vi faktisk har hatt her om lovfesting av lokalt selvstyre – både da vi hadde saken og også den i forrige uke – og vise til innleggene fra representanten Jette F. Christensen i den forbindelse. Grunnloven er et rettslig dokument som gir en del rettigheter. Man grunnlovfester overordnede prinsipper for staten, som kan håndteres av domstolene. Vi tar prinsipper inn i Grunnloven fordi de er overordnet politiske diskusjoner. Hvis vi Hvis vi grunnlovfester prinsipper som er for vage, kan vi komme dit hen at slike prinsipper og rettigheter ikke kan bli gjenstand for politisk debatt senere. Jeg vil bare understreke det også. Lovfesting betyr at vi endrer lover – det gjør vi hele tiden – ut ifra utviklingen i samfunnet og rammebetingelsene som til enhver tid gjelder. Samtlige

det. Representanten Kolberg snakket om norske verdier, men hva er det? Hva er disse norske verdiene som er svært viktige for representanten Kolberg? Representanten Kolberg sa videre at han ønsket grunnlovfesting av noe i Arbeiderpartiets samfunnsmodell. Det skulle gjenspeile sentrale verdier i det norske samfunnet. Hva er det? Det skal også gjenspeile historien. Ja, dette er tåketale og veldig vanskelig å sette ord på. Jeg skulle likt å vite om representanten Kolberg kunne definere spesielt Jeg synes ikke man skal bruke begreper, fra denne talerstolen, hvor det ligger en slags udefinert forståelse, som man håper og tror at folk der ute har et forhold til. En menneskerettighet skal være noe vi får i kraft av å være mennesker. En menneskerettighet kan da ikke være noe som noen andre har en plikt til å gi da ikke være noe som noen andre har en plikt til å gi deg. Det er en selvmotsigelse, hvis du får en rettighet som noen andre har en plikt til å gi deg. Det tror jeg også bør være en bærebjelke i grunnlovsendringene vi gjør. En menneskerettighet er noe som er «a priori» – før politikken. Politikkens verden er det vi holder på med her inne primært, nemlig å ha ulike løsninger. Vi har alle samme målet, nemlig å få det best mulige samfunnet og det mest mulig rettferdige samfunnet. mest mulig rettferdige samfunnet. Vi bør ikke trekke hverandres motiver i tvil når det gjelder hva slags samfunn vi ønsker. Til representanten Langeland, som mente at det skulle være en grunnlovfestet rett å ha en bolig: Ja, det er mange ting jeg gjerne skulle hatt grunnlovfestet, og som jeg gjerne skulle hatt, men det vil da si at noen andre har en plikt til å gi deg denne boligen.

Har alle rett på det fra de er 16, 18 eller 21 år? Når er man per definisjon menneske? Når får man denne rettigheten til å ha en bolig, og hvem er det som har plikten til å gi deg denne boligen? Det aller vesentligste når det gjelder rettigheter, er de rettighetene som ikke andre må gi deg, nemlig de som er der i kraft av at man er et menneske. Det går på ytringsfrihet, likeverd, likestilling – selv om det også er utfordrende mange steder – det å kunne kritisere og selv om det også er utfordrende mange steder – det å kunne kritisere og fravær av ting som tortur. Dette er ting som ikke avhenger av at noen må gi deg noe eller som koster noe for andre. Du har det i kraft av å være menneske. Det bør være menneskerettigheter, og det er også noe som bør være grunnlovfestet, etter min mening. Det er grenser for politikk – det er vi alle enige om. Men da må det også være grenser for menneskerettighetsliggjøring – hvis ikke kan det ikke være grenser for politikk, ellers kan vi egentlig lovfeste alt, grunnlovfeste alt og menneskerettighetsliggjøre alt. Da er det ikke behov for ulike løsninger, for da har vi i grunn kommet frem til én løsning og sier at det er slik det skal vi være. Da får vi et A4-samfunn hvor det eneste vi gjør, er å utføre rettighetsbaserte beslutninger.

Det baserer seg, slik jeg ser det, på et syn der staten er til for menneskets skyld, og ikke omvendt. Menneskerettighetene er for meg, som medlem i SV, de mest grunnleggende politiske verdiene. Det blir sagt at mye av dette er felles gods, og at vi alle vil det samme. Ja, på en del områder tror jeg det er riktig, på en del andre tror jeg faktisk ikke det. Det har vært flere talere før meg i dag, og jeg vil si at på veldig mange områder er jeg enig i det som både representanten Skei Grande sa, det som representanten Helga Pedersen sa, og det som representanten Marit Nybakk sa. Når det gjelder det representanten Skei Grande fra Venstre sa, er det to områder der jeg er uenig, og det skal jeg komme tilbake til.

men for å skape en trend og skape en realitet for en villet utvikling i samfunnet. Det er mange trender. Det er byråkratisering. Det er også trender rundt oss i Europa, bl.a. likestillings- og religionskamp. Det kommer så det suser. Holdninger til likestilling blant kvinner og menn, holdninger vi trodde var et tilbakelagt stadium, kommer opp igjen. Vi ser også at det er trender som handler om hvorvidt det skal være en menneskerettighetsbasert tilnærming til stat og lovgivning, eller om det skal være en nasjonalistisk og etnisitetsbasert tilnærming til utviklingen framover. Det er sterke trender på det i Europa i dag, og det er veldig viktig at vi gjennom vår lovgivning og vår diskusjon om våre konstitusjonelle prinsipper sier noe om hvilken retning vi vil ha. Da er jeg veldig glad for at vi nå diskuterer å få menneskerettighetene inn i vår grunnlov på en mye mer gjennomarbeidet måte enn det vi har hatt før. Så har det vært litt diskusjon her om rettsliggjøringen i samfunnet. Representanten Skei Grande var bekymret for det – ikke for hva som sto i Grunnloven, men for hva som sto i de andre lovene.

i maktutredningen var et mindretall, Hege Skjeie, som påpekte nettopp det jeg mener er riktig å legge vekt på, altså ikke denne veldige bekymringen for at folk får rettigheter som gjør at de faktisk får det vi sier at de skal ha, men at det mangler en del del fysiske og sosiale rettigheter også i det norske samfunn for å realisere at menneskerettigheter og muligheter til likeverd skal være der for alle. Disse fysiske og sosiale godene er en forutsetning nettopp for å få likestilte rettigheter, for å være likestilt og ha mulighet til å bli hørt i demokratiet. Særlig kan det gjelde for vanskeligstilte mennesker eller for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hvordan skal man kunne være en likestilt borger og utøve sine demokratiske rettigheter i dette landet hvis man i utgangspunktet ikke kommer ut av senga, hvis man ikke kan forstå det språk som blir talt, eller det språk som blir skrevet, at man f.eks. ikke ser eller hører? Da vil jeg påstå at man faktisk er i et demokratisk underskudd og ikke likestilt med andre innbyggere i dette landet. Derfor er de sosiale rettighetene så utrolig viktige, og det er ikke en trussel verken mot demokratiet eller noe annet, det er tvert imot vedtatt politisk. Det kan forandres politisk, men lovene og reglene og også konstitusjonen og Grunnloven er politisk vedtatt, og det er disse rettssystemet og byråkratiet skal forholde seg til. Så det er mulig å endre på dette. Det er ikke sånn at dette er et vesen som lever helt av seg sjøl, på siden av politisk styring. Så er det noen temaer som jeg synes det er viktig å diskutere. Det ene er noen av dilemmaene mellom menneskerettighetene. Jeg sitter i Europarådet, og å diskutere. Det ene er noen av dilemmaene mellom menneskerettighetene. Jeg sitter i Europarådet, og vi diskuterer ofte konflikter som handler om enten etniske minoriteter, eller om likestilling mellom kvinner og menn – typisk. Der er det noen dilemmaer knyttet til likestilling for kvinner opp mot fri religionsutøvelse. Vi har hatt religiøse ledere i Europarådets parlamentarikerforsamling, og de har vært hyggelige og sympatiske mennesker, men de har ingen løsninger for oss når disse menneskerettighetene kolliderer med hverandre. De har Det er bare vi politikere som kan gi svarene når disse menneskerettighetene kolliderer mot hverandre. Da må vi velge. Og jeg – og SV – velger likestilling mellom kvinner og menn og alle mennesker foran noen religioners rett til å si at noen er underordnet andre. Det er veldig viktig for oss, og disse dilemmaene må vi da ta stilling til, både

og med fullt samtykke. Det er en av grunnplankene, og der har vi utfordringer med både tvang og vold, tradisjoner og religioner, som sier noe om underordning, ikke bare mellom kvinner og menn, men også mellom individ og familie. Det er derfor jeg er så enig med mindretallet i utvalget, Kari Nordheim-Larsen, og det som jeg oppfatter at også representanten Marit Nybakk tar opp, nemlig at den første setningen i og det som jeg oppfatter at også representanten Marit Nybakk tar opp, nemlig at den første setningen i dette forslaget ikke bør stå der – også fordi familier er i endring, og at menneskerettigheter handler om individets rett i utgangspunktet; det handler ikke om andre enheter enn individet. Derfor er det individet som skal beskyttes gjennom de reglene vi legger inn i vår de reglene vi legger inn i vår grunnlov. Dette går fram av innstillingen fra utvalget. Det sies også der at det selvfølgelig er vanskelig å slå fast hva som menes med en familie, og at det kan være ulikt, men at prinsippet handler om at det er den Så har det vært noe diskusjon rundt forslaget om retten til liv fra unnfangelsen. Jeg er veldig enig i det som ble sagt både av representanten Helga Pedersen og Marit Nybakk om disse to spørsmålene. Det er veldig grunnleggende og prinsipielt vanskelige temaer, selvfølgelig, men det er også vanskelig å gradere det hvis man ikke er prinsipielt imot abort. hvis man ikke er prinsipielt imot abort. Hvis man er det, kommer man jo også opp i noen voldsomme politiske dilemmaer, som vi ser i andre land rundt oss, med svangerskap etter voldtekt, etter incest, etter overgrep og der det er fare for mors liv. Man må faktisk ta stilling til en rekke av disse tingene, og da er det veldig mange som faller ned på at det er noen situasjoner unntas. Da har man etter mitt syn ikke noe prinsipielt godt svar på hvorfor det ikke skal være en lovlig og medisinsk forsvarlig mulighet til abort etter en kvinnes eget valg – for det handler om et menneskes kropp. Til slutt skal jeg si litt om det forslaget som SV har holdt på med det siden jeg kom på Stortinget, nemlig å fremme forslag om retten til bolig. Det handler ikke om retten til eiendom, som representanten Skei Grande sier. Nei, det er nok en mye mer grunnleggende og gjennomtenkt tankegang med hensyn til hvorfor vi har ønsket å ha det inn i Grunnloven. Det står en del andre materielle rettigheter i Grunnloven som

bolig. Fundamentet for at arbeid, samfunnsdeltagelse og andre ting skal være på plass, er jo at man faktisk har en slik grunnleggende rettighet i bånn. De andre materielle rettighetene som står i Grunnloven, f.eks. arbeid, handler om et deltagende og verdiskapende ansvar og en rettighet. Men bolig er en sosial grunnmur for at samfunnet skal kunne ivareta de grunnleggende menneskerettighetene som ethvert individ har. Jeg kunne også kanskje legge til at det er noen klimatiske forhold i Norge som gjør det nærmest livsfarlig i dette landet ikke å ha bolig, men det er en annen sak. Men poenget her er altså hvor viktig dette er: punkt 1, for at man skal kunne være likestilt i de demokratiske situasjonene, men, punkt 2, skal man kunne utøve sine muligheter som et likestilt menneske i dette samfunnet, er man faktisk avhengig av å ha et sted å bo. Bolig er en materiell ting. Det er ikke nødvendigvis sånn at individet behøver å eie denne boligen, men det er faktisk av de tingene vi politisk sett også kan realisere. For boliger er fysiske ting. De kan bygges, og vi kan telle dem. Det er litt verre med både klima, miljø, arbeid og alle disse tingene, som vi ikke nødvendigvis kan vedta politisk. Men dette er faktisk en av de helt fundamentale tingene vi kunne sikret gjennom politiske vedtak, og som kunne realisert at alle sammen hadde hatt et langt bedre utgangspunkt for å være likestilt også med tanke på menneskerettigheter i dette landet.

alle. Det som er viktig med at me diskuterer endringar ofte, er at ein god konstitusjon er ein som reflekterer grunnleggjande verdiar i eit samfunn, grunnleggjande rettar og – ikkje minst – grunnleggjande pliktar. Utvalet peiker på at Grunnloven historisk har bidratt til å samle nasjonen på tvers av sosiale lag, på tvers av generasjonar, i krig, i vanskelege tider og i sosial nød. Sjølve Grunnloven og feiringa av han samlar oss

Representanten Christian Tybring-Gjedde spurde i stad om kva norske verdiar eigentleg er. Det ser ikkje ut til at han er så interessert i svaret, for han har jo gått ut av salen. Men norske verdiar er like pliktar, like moglegheiter, uavhengig av kjønn, bakgrunn, religion, kultur, funksjonshemming og tilknyting. Det er tilfeldigvis også grunnleggjande og sosialdemokratiske verdiar. Eg kan forstå at representanten Tybring-Gjedde synest at det er litt irriterande, men sånn er det no. Fleire av dei som forfatta Grunnloven for fyrste gong, hadde eit syn på kvinner og arbeidsfolk som ikkje hadde passa inn i denne salen eller i nokon av dei partia som er representerte i denne salen – ikkje eingong i møte med Facebook. Når ein skal endre Grunnloven, må ein justere Grunnloven etter den tida Dei som forfatta Grunnloven, skreiv for framtida, men dei var jo ikkje i det heile i stand til å kunne drøyme om kva for eit velferdssamfunn og kva for ei teknologisk og økonomisk utvikling me skulle få, og kva for eit mangfaldig samfunn me skulle bli, der målet er at alle skal ha like moglegheiter. Det er lett å tilgje, for det var langt fram dit – den gong då. Men me må gjere som dei, og me må lære av dei. Me må skrive for me må òg formulere oss sånn at Grunnloven er noko som alle eig, og som alle kan feire. Nokre av dei forslaga som ligg til grunn, er ikkje sånn. Det verkar ikkje som om dei er sette fram med det føremålet å styrkje våre rettar eller beskrive våre verdiar. Særleg eitt av forslaga luktar det politisk kamp om dagsaktuelle spørsmål av. Geir Jørgen Bekkevold snakka ein del om det i sitt innlegg, og det dreier seg om rett til liv. Ein kan stille klokka etter kvar gong Kristeleg Folkeparti i denne salen fremjar grunnlovforslag mot abortloven, som dei kallar «rett til liv». Å vere imot abortloven og ønskje å innskrenke den er det langt frå politisk einigheit om, og det er langt frå politisk ro om det i Noreg. Derfor synest ikkje eg det høyrer heime i ein grunnlov som skal fungere som eit samlande

Men dersom ein ser med eit halvt auge, og høyrer på debatten med eit halvt øyre, skjønar ein fort at den vil bli brukt som politisk brekkstang mot ein annan abortlov enn den som er blitt kjempa fram av norske kvinner. Derfor meiner eg at det er feil beskriving av våre felles verdiar. Å seie at det ikkje er det, fell på si eiga urimelegheit. Grunnloven må jo skrivast for å bli lesen og for at han skal bli teken til Altså: Korleis skal ein handheve ein lov om at alle har rett til liv frå unnfanging? Dette er eit spørsmål som me snart er nøydde til å få svar på. Eg etterlyser meir openheit i den diskusjonen. Dersom ein grunnlovfestar at alle har rett til liv frå ein blir unnfanga, korleis blir det då med angrepille? Skal spiral forbydast? Er Kristeleg Folkeparti verkeleg villig til å ta Dei politiske konsekvensane av å gjere det forbode med abort, med å avgrense ein del prevensjonsmiddel me allereie har i Noreg, er enorme. Abort vil ikkje forsvinne. Det handlar berre om kor farleg det skal vere for kvinna å utføre den. Å ville innskrenke retten for kvinner – og familiar – til å ta denne type val høyrer ikkje heime i Grunnloven; det høyrer heime i gamal tid. Ein felles verdi er derimot rett til liv og friheit frå dødsstraff, og at alle menneske har rett til liv. Derfor har vi fremja eit alternativ – som det har vore snakk om tidlegare.

At ingen skal utsetjast for diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opphav, språkleg eller religiøs tilhøyring, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder eller status elles, er ein norsk verdi. Men kva er diskriminering? Kva er forskjellsbehandling? Me har ulike definisjonar på det mellom

og som i sum verkar imot det som bør vere vårt felles mål – nemleg at begge kjønn er likeverdige og skal ha like plikter og moglegheiter. Det er

framstått med «tåketale», og at jeg ikke burde gjøre det fra Stortingets talerstol. Jeg forsto – og det mener jeg også oppriktig, det er i og for seg ikke ment som noe negativt – ikke hva han mente. Jeg forsto at han ikke likte det jeg hadde sagt – det forsto jeg. det forsto jeg. Det jeg sa, var at de verdiene som også Arbeiderpartiet har vært med på å bygge i det norske samfunn, var det viktig at vi nå vurderte å ta inn i Grunnloven. Det var det jeg sa, og det var dette representanten Tybring-Gjedde – på vegne av seg selv, formoder jeg – mente var Man skulle ikke påberope seg dette, og det var uklart hva jeg mente med «de norske verdiene». Jeg tror Tybring-Gjedde er ganske alene om å ha en oppfatning om hva som er uklart med de norske verdiene, og da inkluderer jeg faktisk ikke Fremskrittspartiet som politisk parti, for dette handler om de helt grunnleggende tingene. Det handler om rettferdigheten, likeverdet, Det handler om rettferdigheten, likeverdet, friheten, rettssikkerheten, religionsfriheten og retten til arbeid – som eksempler på konkrete verdier. Grunnen til at jeg tok ordet på nytt, var for å få sagt at jeg syntes jeg hørte noe som jeg reagerte veldig på i Tybring-Gjeddes innlegg – innholdet i det at han mener at politikken skal ha en grense. grense. Han relaterte det til Grunnlovens status i det norske samfunnet. Det vil jeg advare veldig sterkt imot – hvis det skulle være en oppfatning Fremskrittspartiet har, jeg tror faktisk ikke det er det, men det var det han sa – fordi jeg mener at politikken, slik som også representanten Lundteigen klokt sa i sitt innlegg, må stå over alt. Det er demokratiets forståelse. Det er kjernen i demokratiet. Politikkens plass må ha så stor autoritet at den også gjenspeiles i Grunnloven. Det er det vi diskuterer her. Det jeg hørte representanten Tybring-Gjedde sa – og jeg tror ikke jeg overtolker dette – sto i motstrid til det representanten Anundsen sa. Jeg inviterer ikke til noen stor debatt mot slutten av denne debatten – det gjør man normalt ikke i Stortinget – men jeg ville holde dette andreinnlegget for å markere meg mot det representanten Tybring-Gjedde sa. Det kan ikke være en oppfatning av hva som er Grunnlovens posisjon. Grunnloven er et juridisk dokument, men den er også et dokument. Det var det siste jeg hørte Tybring-Gjedde ikke sluttet seg til, i alle fall hvis den skulle inneholde det han kalte for «tåkete» verdier, som de norske, framført fra Stortingets talerstol. Jeg tror Tybring-Gjedde er ganske alene om den oppfatningen. Det har vært interessant å følge debatten – både i salen og når man har hørt på den fra litt andre steder i denne

knyttet til de endringer som her legges fram. Her snakker vi om å verne enkeltmenneskets rett til de mest fundamentale menneskerettigheter. Hvis man er redd for rettsliggjøring i den sammenheng, vil jeg si at man har noen grunnleggende utfordringer i å problematisere hva den rettsliggjøringen eventuelt skulle være for slags problem. Så er det sagt – også fra vår side. Så er det sagt – også fra vår side. Det er klart at vi registrerer noen kommentarer knyttet til Kristelig Folkepartis forslag om retten til liv. La meg si det sånn: Av og til når jeg hører debatten knyttet til dette, får man inntrykk av at selve abortloven er opphøyet som om den var en del av Grunnloven. Det er den vitterlig ikke. Jeg tror man skal være litt forsiktig med nærmest ikke å tillate – for det ligger litt under at dette må man ikke plukke på, for da blir det problemer – å reflektere litt over hva også den gjeldende abortlov innebærer. Det må være tillatt. Vi er fullt på det rene med at vi ikke kan detaljregulere Grunnloven hva en ny lov som skulle komme til erstatning for den gjeldende, ville måtte innebære. Det må faktisk gjøres i en spesiallov. La meg si det sånn: Det kan heller ikke være uten interesse for dem som angriper oss, å reflektere over dagens abortlov og hva den innebærer. Der har man faktisk sagt at hvis man tar abort før 12. uke, er det greit, etter er det ikke greit. Så kan man diskutere hvorfor den grensen er satt. Den grensen er satt av ulike grunner, men vi merker oss også at flertallet i denne sal har satt en annen grense – for det ufødte liv som har noen egenskaper man mener er av en slik karakter at da kan man utvide abortgrensen. Da har man satt en annen grense for når det er riktig å få utført selvbestemt abort. Mitt poeng er å markere at selv om man er tilhenger av dagens abortlov, er jeg overbevist om at man faktisk må gå inn og se på hva for realiteter den innebærer. Selv om jeg synes det nærmest blir proklamert at det er tilbakeskuende spørsmål som ikke har så mye med dagens situasjon å gjøre, er dette veldig viktig for fordi vi har en teknisk utvikling som gjør at vi settes på etiske prøver f.eks. med kommende revisjon av bioteknologiloven, som også den gjeldende abortlov faktisk må adressere. Vi er fullt klar over at det å innføre en grunnlovsbestemmelse, slik vi har foreslått, selvfølgelig også innebærer at man spesiallov i tillegg. Men jeg vil også tro at de som er tilhengere av dagens abortlov, ser at det er dilemmaer som er vel verdt å diskutere – om ikke akkurat i denne sammenheng.

Men jeg vil anta og håpe at Fremskrittspartiet også i kommende perioder vil sørge for at vi har selvbestemt abort i Norge. Det er et perspektiv som kanskje ikke har kommet så klart frem i debatten. Man har fokusert på at et forslag som ønsker, bl.a. vil påvirke bruken av prevensjonsmidler og føre til flere uønskede svangerskap, med de sosiale og økonomiske konsekvenser det har. En annen sak er at befolkningen nå – i motsetning til tidligere – er veldig flyttbar. Det har vi sett bl.a. på hvor mange som gjør bruk av klinikker i Danmark til forskjellige ting. Jeg tror at vi – hvis et slikt forslag blir vedtatt – vil få en industri som vil vokse opp i både Sverige og Danmark, hvor abortsøkende fra Norge vil bli betjent. I tillegg vil vi få illegale klinikker som driver her i Norge, med de helsemessige problemer det vil utsette norske kvinner for. Jeg vil bruke dette innlegget og denne talerstol til å gi ros til Arbeiderpartiet på dette området.

unnfangelse betyr befruktning. For det første betyr det forbud mot ethvert abortinngrep, uansett hvilke grenser, uansett hvilke betingelser. Er det det som er Kristelig Folkepartis mening? Ja, representanten Syversen rister på hodet, men det står faktisk «retten til liv fra unnfangelse» i dette forslaget. Så da må vi gjenta det som både Ulf Erik Knudsen, Jette F. Christensen, undertegnede og andre har vært inne på tidligere. Det er faktisk slik at vi har prevensjonsmidler – ikke bare i Norge, men også i andre land det er grunnlag for å sammenligne seg med – som ikke hindrer befruktning. Det gjelder spiral – særlig spiral, og Jette Christensen var også innom abortpillen som noe som selvfølgelig også ville bli forbudt. Jeg synes ikke at Kristelig Folkeparti skal kunne komme unna med å definere at dette bare dreier seg om retten til liv – et eller annet uspesifisert – og at det dreier seg om en diskusjon om etiske kjøreregler knyttet til eventuelle betingelser fra tolvte uke og utover. Hvis du grunnlovfester retten til liv fra unnfangelse, ja, da betyr det jo retten til liv fra befruktning, og du grunnlovfester forbud mot abort i Norge. La meg også kort si noe om det som dreier seg om § 98, andre ledd: «Intet Menneske maa udsættes for usaglig eller uforholdsmæssig Forskelsbehandling». Det er vi jo i og for seg for, men la meg problematisere det slik som også representanten Christensen gjorde. Vi har i Norge kjønnskvotering i mange sammenhenger – flere partier har det, men vi har også kjønnskvotering til offentlige utvalg og til private styrer. Derfor har vi spilt inn et nytt tredje ledd i det store og omfattende grunnlovsforslaget hvor det er ulike alternativer som er tatt opp, hvor vi skriver: «Kvinner og menn har samme rettigheter og plikter. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at særlig kvinner kan utøve sine rettigheter.» Dette er nå tatt inn og ivaretatt i grunnlovsforslag nr. 30. Ikke overraskende ønsker jeg å gi noen kommentarer til representanten

langt. Mitt innlegg kan leses i referatet, og representanten Kolberg kan se hva som står der, i stedet for å mistenkeliggjøre og misforstå det med vilje, slik representanten Kolberg gjorde. Det finnes ikke norske verdier – basta bom. Det finnes universelle verdier, og det finnes verdier som sosialdemokratiet sverger til, men de er ikke unikt norske. Rettssikkerheten eller likeverdet eller likestillingen, som representanten Kolberg nevnte som en unik, norsk verdi, er ikke en unik, norsk verdi. Jeg er overbevist om at resten av det meste av Europa vil være fullstendig uenig med representanten Kolberg når han sier at det er unike, norske verdier. Det er verdier som det norske demokratiet har tatt til seg, og som vårt samfunn er basert på – det er korrekt, men det er ikke norske verdier. Representanten Kolberg la også til retten til arbeid. Det var den siste verdien han kom på som var norsk. Ja vel, har vi rett til arbeid i dette landet? Det var interessant å vite. Jeg trodde faktisk det var det vi debatterte nå. Representanten Kolberg reagerte også på at jeg antydet at det var grenser for politikk. Nei, det skulle han ikke ha noe av. Selvfølgelig finnes det ikke noen grenser for politikk i representanten Kolbergs hode – nei, politikken gjelder overalt. I og jeg antar at det finnes det også i sosialdemokratiet. Det er noe som heter familieliv, og det er noe som heter privatliv. Det er grenser for politikk, og det er grenser for hvor langt politikken kan nå herfra, eller fra kommunestyret eller fylkesstyret eller andre beslutningsorganer. Det er grenser for politikk, og det er noe som heter privatlivet. Jeg håper representanten Kolberg er enig i det, og jeg håper vi kan legge det bak oss. For mitt innlegg var faktisk et spørsmål til representanten Kolberg, ikke et angrep. Angrepet tilbake på meg var faktisk Kolberg, ikke et angrep. Angrepet tilbake på meg var faktisk veldig personlig, og hvor han pekte ut meg – ikke Fremskrittspartiet, men meg personlig – som en som hadde noen spesielle meninger om verdier og så videre, og det lå noe der i luften fra representanten Kolberg. Så jeg håper at han enten kommer på talerstolen og sier at det ikke var sånn ment, at det ikke var hans intensjon, eller så håper jeg at han ikke tar ordet.

det må jo berre vere ein styrke. Det er ikkje sånn at i det Noreg eller andre land, statar eller kulturar deler ein verdi, så er den oppteken, og at ein ikkje kan seie at det er ein norsk verdi. Men eg skal la det liggje. Eg synest det representanten Syversen sa om abortlova, var veldig interessant og eit veldig godt eksempel på kvifor me ikkje bør ta inn det forslaget dei har lagt inn om rett til liv. Det er fordi representanten Syversen snakkar om alt anna enn det forslaget handlar om. Han snakkar om at me må ha lov til å diskutere abortlova. Ja, sjølvsagt skal det vere lov, men då må me diskutere det når me skal diskutere abortlova, ikkje når me skal diskutere eit forslag om å gjere abort forbode i Noreg, for det er det Kristeleg Folkeparti har foreslått. Eg diskuterer gjerne teknisk utvikling og etiske dilemma knytt til dette, men ikkje når det er eit heilt anna forslag som er levert. levert. Me fekk heller ikkje svar på våre spørsmål, og det skjønner eg veldig godt. For svara på våre spørsmål veit me jo eigentleg: Dei er vanskelege, dei har enorme konsekvensar. Konsekvensane av å forby abort i eit land, eller å forby angrepille eller andre former for prevensjon som kan hindre eit svangerskap, er ekstremt store for den det gjeld, og eg skjønner at representanten Syversen ikkje har lyst til å hente fram verken dei historiske eksempla eller dei eksempla som finst i land me ikkje ynskjer å samanlikne oss med, som ikkje har lovleg abort. Dei historiene høyrer ikkje heime i Noreg, og derfor høyrer heller ikkje forslaget til Kristeleg Folkeparti

samfunnsverdier som alle partier har stått bak. Han brukte selv uttrykket «sosialdemokratiet har vært med på å bygge» – jeg gjentar, «vært med på å bygge». Det er for en gangs skyld en erkjennelse av at mange partier har vært med på å bygge disse verdier. Høyre, mitt parti, har vært med på det i den tid partiet har eksistert – og det er for den saks skyld lenger enn

forvirring som hersker i ens eget hode, det skal jeg ikke angripe. Men når man synes at retten til arbeid er noe vi skal diskutere og så sette inn i Grunnloven, kan man ikke ha lest Grunnloven særlig nøye. Det står faktisk i dagens grunnlov. Retten til miljø – et velferdsgode, for å kalle det det – er en samfunnsverdi som er definert og satt inn i Grunnloven. er kanskje verdt å kikke litt på den eksisterende grunnlov før man skal forandre den, eller før man går til angrep på dem som vil forandre den. For øvrig er det å bli nevnt ved navns nevnelse – som stortingsrepresentant – fra Stortingets talerstol vanligvis ikke å regne som et personangrep, det vil jeg gjerne ha sagt. Ved mange anledninger i debatter heretter kommer jeg til å nevne enkeltrepresentanter, ikke minst herr Kolberg, men det er ikke en innvarsling av et personangrep. Det er heller en ære å bli nevnt,

Når vi diskuterer det vi diskuterer nå, diskuterer vi utformingen av den norske grunnloven for framtiden. Da er det helt relevant å snakke om de norske verdier. Det er helt riktig som det nettopp ble sagt: Jeg sa at norsk sosialdemokrati også hadde vært med på å bygge disse verdiene. Jeg vil til slutt at når jeg hører Tybring-Gjedde, ser vi behovet for å få en grunnlov som får de formuleringene som vi har her. Det er veldig viktig at vi har en grunnlov som sikrer disse verdiene på en god måte. Jeg er

i det praktiske liv skal bli et resultat av disse verdiparagrafene. Det var vel det jeg prøvde å si noe om i mitt innlegg, siden det ble tatt opp fra Arbeiderpartiets side. Vi ønsker en verdiparagraf som sier noe om retten til liv – fra unnfangelse til naturlig død. Det innebærer selvfølgelig at man i spesiallovgivningen må gi nærmere regler for dette, som jeg påpekte i mitt innlegg. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet – og også Fremskrittspartiet fikk sagt sitt i den anledning, her var det i hvert fall full harmoni mellom de to partier – synes det ville være svært uheldig. Det er greit. Det har vi en skikkelig debatt om, jeg regner med at dette ikke blir den siste. Men la det være sagt at for oss er det også en viktig debatt. Det er et viktig verdisignal hva man legger til grunn i en grunnlov også på dette punktet. Representanten

og man har grunnlovfestet forbud mot enkelte typer av prevensjon. Jeg synes Kristelig Folkeparti bør tenke seg litt om. Kanskje de heller skal stemme for det andre forslaget som foreligger, istedenfor det forslaget som de selv har fremmet. Dette dreier seg ikke om verdier, dilemmaer, problemer, grenser og betingelser. Vi er alle klar over – og alle mener – at det er knyttet dilemmaer og problemer alle klar over – og alle mener – at det er knyttet dilemmaer og problemer til hele abortdebatten, men dette dreier seg faktisk om et grunnlovfestet forbud mot abort.

knyttet til menneskerettighetene som noen gang er gjort. Store deler av debatten har dreid seg om ett – til dels to – grunnlovsforslag. Det er en debatt vi gjerne skal ta, men vi bør ta den når grunnlovsforslagene skal debatteres i neste stortingsperiode. Det har vært mange gode innlegg. Det som til slutt gjorde at jeg måtte ta ordet, var at Kristelig Folkepartis parlamentariske leder kom i skade for å si at Grunnloven i utgangspunktet er et verdidokument. Det mener jeg ikke kan bli stående uimotsagt fra denne talerstol. Grunnloven er først og fremst et rettslig dokument, som medfører rettslige plikter og friheter. I tillegg er det et politisk dokument, som reflekterer over verdier vi bygger samfunnet vårt på. Å karakterisere det grunnlovsforslaget som som et verdispørsmål, er for så vidt riktig, men i Grunnloven ville det ikke fremstå som en verdi, det ville være en rettslig skranke. Jeg tror det er viktig at vi fra Stortingets side i hvert fall ikke bidrar til å blåse mer luft i Grunnloven enn det det allerede er grunnlag for. Denne typen absolutte skranker vil ha konsekvenser for hva slags lovgivning denne salen med alminnelig flertall kan være i stand til å vedta. Jeg hadde bare behov for å si det, slik at det ikke ble stående uimotsagt at Grunnloven bare er et verdidokument, for det er så mye, mye mer. Representanten Hans Olav

av en spesiallovgivning som gir det nærmere rammeverk for hvordan Grunnlovens mer verdiorienterte paragrafer skal forstås. Bare for å si det: Det vi ønsker å fremme, er vern av liv fra unnfangelse til død. Det var nærmest snakk om at det var et forbud mot et eller annet i ulike sammenhenger – det er faktisk ikke korrekt. Det er en positiv betegnelse som selvfølgelig må avstedkomme spesiallovgivning. Så vil jeg si som svar til Marit Nybakk at vi absolutt er der hvor vi vurderer hvilken grunnlovsbestemmelse vi skal stemme for i neste periode, men vi ville ha dette på bordet også i denne sammenheng, slik at vi har flere muligheter.

Mens bilistene betalte inn 3,2 mrd. kr i 2002 hadde beløpet økt til 6,6 mrd. kr i 2011, altså mer enn en fordobling. Undersøkelsen, som hadde som mål å vurdere effektiviteten i bompengeforvaltningen i denne tidsperioden, slo fast at innkreving av bompenger ikke skjer til lavest mulige kostnader, og at så mye som 12,5 pst. av bompengene går med til driftskostnader. Økende automatisering av bompengeinnkrevingen har imidlertid bidratt til at målet om minst mulig ulemper for trafikantene langt på vei er nådd. Automatiseringen skulle også etter planen bidra til at driftskostnadene gikk ned. Det har dessverre ikke skjedd. Kostnadene ble redusert fra 2002 til 2005, mens de økte etter 2005 og var i 2011 over nivået i 2005. En enstemmig komité uttrykker i innstillingen bekymring for at målsettingen om at innkrevingen av bompenger skal skje med lavest mulige kostnader ikke er nådd. Vi registrerer også at statsråden i brev til Riksrevisjonen slutter seg til konklusjonen om at det er et effektiviseringspotensial på kostnadssiden. Fra Samferdselsdepartementets side påpekes det at andelen trafikanter som bruker brikke, er den faktoren som i størst grad påvirker effektiviteten. Det vises i den forbindelse til at det arbeides med planer om å innføre en ordning med obligatorisk bompengebrikke for visse kjøretøyklasser med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, altså i hovedsak nyttekjøretøy. Vi hørte for få minutter siden at proposisjonen ble overlevert Stortinget, og Vi hørte for få minutter siden at proposisjonen ble overlevert Stortinget, og den er også omtalt i dagens VG. Dette kan være et nyttig tiltak, som også kan medføre at antallet utenlandske nyttekjøretøy som i dag ikke betaler, blir sterkt begrenset hvis vi innfører Selskapene har også store tap på fordringer som følge av at trafikanter ikke gjør opp for seg. Dette utgjorde i 2011 så mye som 172 mill. kr. I Riksrevisjonens undersøkelse påpekes det også at svakheter i tekniske løsninger ved innkrevingsutstyret har medført inntektstap, og at svakheter i utførelsen av vedlikeholds- og driftstjenester har gitt lavere inntjening.

Jeg er tilfreds med at en enstemmig komité slutter seg til denne kritikken. Samferdselsdepartementet uttaler til Riksrevisjonen at det i dag er Vegdirektoratet som har det overordnede styringsansvar slik bompengeforvaltningen er organisert, mens departementet kun har en overordnet rolle. Departementet hevder de kan ta et tydeligere og en enstemmig komité forutsetter at dette blir gjort. Rapporten har i tillegg avslørt vesentlige mangler knyttet til konkurranseutsettingen ved selskapenes anskaffelse av driftsoperatør. Samferdselsdepartementet hevder at Vegdirektoratet skal sikre bedre rutiner for rapportering om anskaffelser og hvordan dette følges opp i Statens vegvesen. Uavhengig av politisk ståsted og uavhengig av hva vi måtte mene om bruk av bompenger, er vi alle enige om at vi må ha en mest mulig kostnadseffektiv drift av innkrevingen, slik at pengene i størst mulig grad blir brukt til det de skal: bygging av veier og annen infrastruktur. Jeg forutsetter derfor at Samferdselsdepartementet nå tar alvorlig det signalet som gis både fra Riksrevisjonen og fra Stortinget, slik at vi i framtiden får en langt mer kostnadseffektiv innkreving enn vi har i dag. Fremskrittspartiet mener at vi i hovedsak må finansiere utbygging av riks- og fylkesveier samt annen infrastruktur ved hjelp av statlige penger og uten bruk av bompenger. Vi registrerer at det i dag innkreves betydelige beløp i bil- og drivstoffavgifter, mens bare en liten del av dette Samtidig med dette veltes stadig nye byrder over på bilistene i form av et voksende antall bomstasjoner. Fremskrittspartiet er uenig i denne utviklingen. Jeg skal ikke dra opp den store debatten rundt dette i dag, men jeg kan love at vi vil komme tilbake til dette i egnede debatter framover. Takk til saksordføraren for ein god gjennomgang av både det me er

om at bompengeinnkrevjinga skal skje med lågast mogleg kostnader, ikkje er realisert. Eg set veldig pris på at samferdselsministaren sjølv har uttrykt at det er behov for effektivisering på kostnadssida, både i brev til Riksrevisjonen og i andre fora. fora. Enda meir gledeleg er det at ein ikkje berre uttrykkjer at ein ønskjer å gjere noko med noko som er eit problem, men at ein faktisk også handlar. Det er tydeleg at departementet tek dette alvorlig, noko dei eksemplifiserte for veldig kort tid sidan, da lovforslaget om obligatorisk bompengebrikke for tunge at Marit Arnstad i samband med dette sa at ordninga vil fremja konkurranse på like vilkår mellom norsk og utanlandsk transportnæring, i tillegg til å bidra til at målet om at bompengeinnkrevjinga skal skje med lågast mogleg kostnader, blir realisert. Det er derfor Arbeidarpartiet, Sosialistisk

av bomselskap. Me meiner at begge delar vil føre til mindre administrasjon og lågare driftskostnader, og at ein på den måten ser til at ein større del av bompengane går til det dei skal gå til – til veg. Det er

fergeavløsningsprosjekter her og der – til å bli en stor og betydelig virksomhet med mange, mange milliarder kroner i omsetning og ansvar. Det er også bra at Riksrevisjonen følger opp forvaltningen av dette, og jeg er også veldig glad for at Riksrevisjonen peker på Samferdselsdepartementets tydeligere rolle i dette. Det tror jeg er et godt signal, og det tror jeg vi skal ta med oss videre, og det er jo også en del av komiteens enstemmige merknader. Bompengeselskaper er – nesten uten unntak, tror jeg – organisert som aksjeselskaper. Det vil altså si at styret og eiere er ansvarlig for virksomheten i alle ledd, etter aksjeloven. Det gjelder selvfølgelig drift, det gjelder anskaffelser, det gjelder ikke minst en i mange tilfeller svært stor gjeldsportefølje, og det gjelder selvfølgelig oppfølging av stortingsvedtak. Dette er et stort ansvar. Når vi da vet at for inneværende år har regjeringen lagt opp til 9,8 mrd. kr i i bidrag fra disse selskapene på statlig side, og 4,5 mrd. kr til fylkesveier, så er det etter hvert blitt et betydelig beløp. Mitt inntrykk som samferdselspolitiker er at disse selskapene og styrene – i alle fall stort sett – er opptatt med å gjøre en god jobb, med å holde kostnadene nede og tilstrebe lavest mulig kostnader også for lån. Men slik vi har organisert oss i Norge, ligger det litt i sakens natur at alle disse prosjektene kommer så å si som et ønske nedenfra. Det er kun ett eneste selskap som er regissert og ønsket fra statlig hold, og det er Svinesund-forbindelsen. Da ligger det også i sakens natur at det er viktig å se på ansvaret mellom disse selskapene og staten og ikke minst en annen viktig samarbeidspartner for selskapet, nemlig fylkeskommunene, som ofte påtar seg et betydelig garantiansvar for gjeldsporteføljen til selskapene. En del av disse selskapene har nok en styresammensetning som kanskje kunne vært mer profesjonell, for å si det forsiktig, men det avspeiler også ofte honoreringen av disse styrene – det er svært beskjedne honorarer, og noen har sågar ikke honorar til sine styrer i det hele tatt. La oss se litt på hva som er hovedanliggende for Riksrevisjonen. Det går bl.a. på forvaltning av den store låneporteføljen. Vi var i en periode innom en ordning som faktisk departementet selv påla selskapene, nemlig å vise til at man hadde sikret sine framtidige låneopptak med 6,5 pst. rente. Dette var en del av betingelsesgrunnlaget i proposisjonene. Fra Høyres side protesterte vi mot dette hver eneste gang, og nå er det borte. For det viser seg jo alltid å være slik at når man har fylkeskommunale garantier for sin finansiering, er det i de aller fleste tilfeller riktig å ha en finansieringsstrategi som også har ganske betydelig innslag av flytende rente og at man da benytter seg av dette. Det har jo vist seg over lang tid å være

tunge kjøretøyer. Dette har hun lagt fram her i dag – vi har nå saken til behandling i komiteen – og det har skjedd i et tempo som er veldig, veldig bra, og vi er veldig godt fornøyd med det. Det er en del ting som vi fortsatt må diskutere, men i hovedtrekk er dette et veldig bra tiltak. Jeg er litt usikker på om vi har funnet fram til de endelige løsningene for å holde kostnadsnivået nede, men det som ligger i saken, er at man nå vil utvikle dette til å bli et bedre anliggende så vel for selskapene som for Statens vegvesen og departementet. Konkurranseutsetting er alltid et positivt tiltak for å holde kostnader nede. Det er jo slik at etter at stadig flere av disse prosjektene har automatisk innkreving, må man ha en profesjonell aktør til å ta seg av det som følger av hele innkrevingsopplegget, og per i dag er det faktisk bare to selskaper i landet som kan ta denne løsningen. Vi kunne gjerne sett at vi hadde flere som konkurrerte om dette. Et av de selskapene som har kompetanse og som kunne ha gjort det, er Fjellinjen her i Oslo, men de har valgt ikke å konkurranseutsette sin drift. Hadde de gjort det, kunne de også ha vært med på å bidra til å holde kostnadene nede for andre

Det ene selskapet benytter seg av det man også gjør i alle andre selskaper, nemlig at man aktiverer innkrevingsretten, og at den er like stor som den til enhver tid gjeldende motsvarende balansepost, som er gjelden. Det at man da nedskriver på denne retten, vil år om annet kunne framstå som at man har et underskudd. Det er altså bare en har et underskudd. Det er altså bare en teknikalitet og ikke reelt. Dette selskapet hadde betydelige inntekter og betalte ned på sin gjeld. Det andre selskapet er i mitt hjemfylke. De har ikke inntekter i det hele tatt, bortsett fra helt marginale inntekter på en forhåndsbompengeordning, men de har betydelige kostnader fordi de allerede bygger et stort prosjekt. Da framstår dette selvfølgelig i regnskapet. Fra Høyres side vil vi, som det står i våre merknader, anbefale at man ser på rollefordelingen, og at økonomisk ansvar også følger ansvar for investering og drift, og at dette bør ledsages av en reform for større og

Det er et viktig punkt som jeg har lyst til å dvele litt ved. Det vil redusere antallet utenlandske kjøretøyer som ikke betaler, og sjølsagt har det betydning for inntektene til bompengeselskapene. Det som er like viktig, er at hvis vi får en slik obligatorisk bompengebrikke, vil vi kunne få en likeverdig konkurranse i tungtrafikken i Norge mellom de som stort sett har norsk eier – og dermed er lettere å bøtelegge – kontra dem som har utenlandsk eier, og som er vanskelige å bøtelegge fordi de unndrar seg bl.a. bompengeavgifter. Det er gitt honnør til statsråden, og det er jeg helt enig i. Finansdepartementet har også vært med her, og fra finanskomiteens side har det vært en sak over mange, mange år at en her måtte få til en endring, slik at vi sikrer at de avgiftene som er betydelige for tungtransport i Norge, blir likeverdige og like rettferdig fordelt mellom de kjøretøyene som har norsk eier, og dem som har utenlandsk eier. Regjeringspartiene slutter seg til en samlet komité om kritikken fra Riksrevisjonen med hensyn til at Samferdselsdepartementet må ha en bedre styring og oppfølging. Det er altså den tradisjonen vi står i, at en her ønsker å gjøre det en kan for å få det til bedre, noe statsråden i sine brev også har sluttet seg til. Slik bompengeforvaltninga er organisert, har Vegdirektoratet et overordnet styringsansvar, mens departementet kun har en svært overordnet rolle. Slik vi forstår departementet nå, vil en påse at det ledelsesansvaret som departementet har, vil bli mer poengtert og sterkere, slik at underordnede etater altså gjør det som må gjøres. tre punkter. Det er vesentlig å legge opp til færre bompengeselskaper for å få ned kostnadene. Det er også vesentlig at en bør se på godtgjørelsen til medlemmer i bompengeselskaper, og en bør også se på de mange eksemplene på reiser til utlandet med svak nytte, som media. I en sak som vi kommer til i neste runde, heter det at i flere heleide offentlige selskaper og foretak har ledelsens samlede økonomiske godtgjørelse nådd et for høyt nivå. Det er også et premiss som samferdselsministeren kan bruke til å påpeke overfor selskapene, direkte eller indirekte, at en må redusere godtgjørelser til dem som sitter i disse virksomhetene, når det er grunn til å gjøre det. Til slutt: Det påpekes store forskjeller i selskapenes låne- og innskuddsbetingelser. Det er også et punkt som jeg til slutt vil dvele ved. Det burde være unødvendig at det skulle være forskjellige låne- og innskuddsbetingelser. Ja, det burde også være unødvendig at offentlige veier, enten de er statlige eller fylkeskommunale, må gå ut i det private marked for å få finansiering. Det burde her kunne være mulig at en fikk en finansieringsordning fra statens hånd og Det burde her kunne være mulig at en fikk en finansieringsordning fra statens hånd og dermed sikret billig kapital, langsiktig kapital og like betingelser for kapitalen. Det burde være mulig med den finansielle stilling som staten har.

og det er regjeringens ansvar å sørge for nettopp det. Mest mulig penger må gå til vei, minst mulig må gå til administrasjon. Riksrevisjonen har i sin rapport konkludert med at målet om lavest mulig kostnader ved innkreving av bompenger ikke er nådd de senere årene. Det har altså vært en betydelig økning av driftskostnadene i bomselskapene fra 2005 til 2011. til 2011. I 2011 utgjorde driftskostnadene hele 12,5 pst. av inntektene, og i 2010 hadde to bomselskaper langt større kostnader til drift av bommene enn det de fikk inn i bompenger. Dette er alvorlig, og det er helt klart at slike ting som dette svekker legitimiteten til bompengesystemet. Riksrevisjonen sier i klartekst at Samferdselsdepartementet har en svært overordnet rolle og i liten grad gir styringssignaler på området, og at det er svakheter ved Statens vegvesens oppfølging av bompengeselskapene. Jeg mener at dette er alvorlig kritikk. Et bredt stortingsflertall mener at det er riktig å si ja til bompenger når det er et lokalt ønske om det. For Kristelig Folkeparti er det viktigere å si ja til ny vei enn å si nei til bompenger. Men da må bompengeforvaltningen være så pålitelig og effektiv som mulig. Systemene må altså bli bedre. Det er gevinster å hente ved å sørge for gode betingelser knyttet til renter og lån som tas opp. Det vil også være riktig å se på en reform når det gjelder antallet bomselskaper i landet, slik Men jeg vil også ta opp dette som har vært oppe tidligere, nemlig obligatoriske brikker i alle biler. Som Riksrevisjonen påpeker, er det store tap på fordringer som følge av at trafikantene ikke betaler for sine passeringer. I 2011 utgjorde det hele 172 mill. kr for selskapene. Jeg er veldig glad for at regjeringen sist fredag la fram et lovforslag om obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøy over 3 500 kilo. Men obligatorisk brikke bør også etter vårt syn innføres for lettere kjøretøy, ikke bare for tunge kjøretøy. Manglende brikke i automatiske anlegg medfører kostnader til bildebehandling for selskapene. I tillegg medfører manglende brikke altfor ofte et direkte tap når det ikke er mulig å identifisere kjøretøyet. Et påbud om obligatorisk brikke vil effektivisere driften betydelig. Til slutt: Statsråden har tidligere vært noe avmålt når det gjelder dette med konkurranseutsetting av driften. Det kunne vært interessant å høre hennes vurderinger nå. Her er det konkrete gevinster å hente. Jeg håper at statsråd Arnstad vil svare på om dette er et virkemiddel hun nå vil vurdere, slik at vi kan få et mer kostnadseffektivt system. Riksrevisjonens Dokument 3:5 om bompengeforvaltningen viser at det er statsråd Arnstad vil svare på om dette er et virkemiddel hun nå vil vurdere, slik at vi kan få et mer kostnadseffektivt system. Riksrevisjonens Dokument 3:5 om bompengeforvaltningen viser at det er et forbedringspotensial knyttet til hele forvaltningen av bompengeselskap og bompengesystem. Det er en konklusjon som Samferdselsdepartementet i brev til Riksrevisjonen har sluttet seg til, i den forstand at vi har påpekt at vi har påpekt at det finnes effektiviseringspotensial, som må kunne tas ut. Jeg har merket meg at komiteen, gjennom sin innstilling, har klare forventninger til oppfølging for å kunne bidra til den slags effektivisering og til bedre gjennomføring. Det vil departementet bidra til. Jeg skal komme litt tilbake til det, knyttet til de ulike funn som Riksrevisjonen har gjort. Men jeg har først lyst til å peke på at det funnet som vi skal ta med oss som positivt, er at

det må arbeides med å få ut, både gjennom effektivisering og omorganisering. Riksrevisjonen skriver i sin rapport at den faktoren som i størst grad kan påvirke effektiviteten, er spørsmålet om andel brikkebruk. Det er også bakgrunnen for at regjeringen nå har framlagt en proposisjon om obligatorisk brikke for om obligatorisk brikke for kjøretøy over 3,5 tonn. Det er jo et skritt i riktig retning, ikke bare når det gjelder å få lik konkurranse mellom utenlandsk og nasjonal yrkestransport, altså tyngre transport, men også for å få en bedre og mer effektiv innkreving av bompenger fra alle – både utenlandske og innenlandske kjøretøy. Jeg tror det er nødvendig å gå videre på den veien. veien. Det betyr også at vi fra departementets side vil arbeide videre med spørsmålet om å kunne innføre en automatisering som er knyttet til alle brukere, slik at det blir obligatorisk brikke for alle brukere. Det vil ta litt lengre tid. En av grunnene til det, er jo at den anonymisering som man må klare å gjennomføre, er litt krevende personvernmessig. Den dialogen som vi har hatt med Datatilsynet om dette, er viktig. Sjøl mener jeg at dette går i positiv retning. Men det er et spørsmål regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med på et senere tidspunkt. Jeg har også lyst til å nevne et annet virkemiddel som også er viktig når det gjelder effektivisering. Det er at man kan klare å redusere antallet bompengeselskap i Norge. Jeg tror også det er et nødvendig og viktig virkemiddel. I dag er det rundt 50. I første omgang bør det iallfall ned til ett pr. fylke. Det har vært en høring i de ulike fylkeskommunene om dette. Vegdirektoratet vil komme tilbake til Samferdselsdepartementet om svært kort tid med en oppsummering av den høringen. Det skal bli interessant å se synspunktene i de ulike fylkene når det gjelder spørsmålet om å få redusert antallet bompengeselskap.

mer omfattende tema mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet i de faste etatsstyringsmøtene som avholdes med direktoratet. For direktoratets del er det jo slik at de fra 2013 har lagt opp til en strammere oppfølging av bompengeselskapene. Det gjelder både spørsmålet om de som er inngått og der det vil bli inngått nye avtaler fortløpende i løpet av 2013. Det gjelder også spørsmålet om anskaffelsesprosedyrer, innrapportering av regnskapstall og oppfølging og analysering av regnskapstall fra bompengeselskapene. Riksrevisjonen har også i rapporten framhevet at det er store forskjeller når det gjelder selskapenes låne- og innskuddsbetingelser. Jeg har merket meg det flere representanter har sagt her i dag om det. Det er klart at noe av det som har utviklet seg sterkt fra 2006 til i dag er at det er en stor gjeldsportefølje knyttet til bompengeselskapene. Det å ha en profesjonell forvaltning knyttet til kapital og låneopptak er svært viktig. viktig. Det er også viktig at de har en løpende og strategisk vurdering av de låneavtalene som er inngått. Nå er det jo i de siste bompengeproposisjonene gitt mulighet til å ha rentebetingelser som ikke er knyttet til fast rente, men mer løpende rente. Det å kunne ha en tettere oppfølging av rentebetingelsene til bompengeselskapene er ganske viktig. Det er i utgangspunktet et ansvar for for selskapene sjøl. Men det er også slik at Vegdirektoratet er nødt til å ha en klarere og tydeligere rolle også når det gjelder å følge opp det. De bør også, om nødvendig, innhente ekstern fagkompetanse for å kunne klare å gjennomføre den jobben. Jeg oppfatter at det er stor samstemmighet i komiteen. Fra regjeringens side vi er villig til å gå de nødvendige tiltak for å få en mer effektiv bompengeinnkreving, for å få en struktur i og organisering av bompengeselskapene som gjør at man reduserer unødige kostnader, og at man får det mest mulig effektive systemet. Det blir replikkordskifte. Jeg merket meg at statsråden sa at det egentlig er

Det hjelper antakelig ikke stort for de fleste bompengeselskaper å få lov til å gå fra fast til flytende rente. Risikoen vil også øke med et slikt system. Når man har en stat som investerer i utenlandske veiprosjekter, er det bare ren og skjær fornuft det representanten Lundteigen sa til slutt i sitt innlegg, nemlig at staten kan tilby rimelige lån til selskapene, med den infrastrukturjobben som de på mange måter gjør på statens vegne. Vil statsråden nå fortelle oss at hun er enig med sin partikollega Lundteigen i dette?

Det ligger ikke foran oss noen avgjørende endringer i det systemet. Bare en kort oppfølging, for jeg forstår at regjeringens politikk ligger fast, ut fra svaret til statsråd Arnstad. Samtidig er det slik at statsrådene i stor grad har muligheten til å påvirke politikk på eget område. Jeg vil gjerne høre om statsråden, som medlem av Senterpartiet, det samme partiet som Lundteigen, og med den viktige funksjonen statsråden har i regjeringen, vil arbeide for å få til den type endringer som vil redusere bomselskapenes store kostnader til renter. I denne saken har ikke statsråden noen annen mening enn den regjeringen har. Det var vel ikke så veldig overraskende – hvis jeg kjenner representanten Anundsen rett – at jeg kom med det svaret. Det er klart at i enhver måte å organisere låneopptak og lånebetjening på, er det vår holdning at bompengeselskapene hele tiden må være på utkikk etter best mulige betingelser knyttet til de låneopptak de foretar, både når det gjelder nye låneopptak, og også når det gjelder reforhandling av de eksisterende låneavtalene de har. Bare en liten kommentar til forrige replikant

nemlig at løsningen på en del av disse utfordringene skulle være et statlig selskap. Det er ikke så mange år siden vi hadde forslag om det i denne salen, at staten skulle overta all forvaltning og eierskap til dette selskapet. Jeg har lyst til å spørre den sittende statsråd hvordan hun ser på det.

Jeg tror at det viktigste grepet man kan gjøre, som også kan skje på nokså kort sikt, er å slå sammen en del av de lokale og regionale selskapene og få større og slagkraftige selskap. Jeg tror at den vegen kan man gå et stykke nedover, men jeg tror samtidig at man skal være klar over at mange bompengeselskap, sjøl om de har som eneste formål å innkreve bompenger, er basert på en av lokal legitimitet og – på en måte – en lokal følelse for det prosjektet som skal bygges. Vi må prøve å kombinere effektivitet med den lokale legitimiteten. Da tror jeg at det å slå sammen de lokale og regionale til – i første omgang – ett i hvert fylke, er den riktige vegen å gå.

men de ulike bompengeselskapene er i dag i mange tilfeller organisert som et AS. Måten de velger å organisere egen drift på, og hvordan de kjøper tjenester fra andre, er i stor grad opp til dem sjøl. Vårt anliggende er at det gjøres på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende

for å reise sak og for å arrangere høring. Jeg skal la den polemikken ligge i denne sammenhengen, men bare si at en samlet opposisjon sier at når statsråden i avisen, nærmere bestemt Dagens Næringsliv den 16. januar 2013, sier at komiteens hensikt er «å lage mest mulig støy», er dette en misforståelse, i tillegg er det også en undervurdering av Stortingets kontrolloppgave. Jeg har lyst til å si det på vegne av det som er et komitéflertall, men som i Stortinget er opposisjonspartiene. Jeg har også lyst til å si innledningsvis at dette er ikke en høring om såkalte partiutnevnelser, slik som det ble fremstilt i en del

Det dreier seg heller ikke om statlig eierskap. Det har vært sagt mange ganger i debatten at dette er et forsøk på å undergrave det statlige eierskap osv. Nei, det er det ikke. Den debatten tar vi helt andre steder. Mitt parti har en rekke ganger fremmet forslag om f.eks. helsalg av Entra Eiendom, helsalg av Flytoget, helsalg av Mesta og utsalg av SAS på et passende tidspunkt men da kan man vel mer diskutere om det finnes kjøpere enn hvor aktuelt det er å privatisere det. Dette er standpunkter jeg står for, og som deles av noen partier – ikke alle – i opposisjonen, men det er ikke det denne saken dreier seg om. Det er et sidespor. Det saken dreier seg om, er betydningen av profesjonelt og korrekt gjennomført statlig eierskap. eierskap. Vi tar utgangspunkt i tre konkrete selskaper: Telenor, Kongsberg Gruppen og Entra. Dette innebærer ikke å kritisere all forvaltning. Det har blitt trukket frem en del andre selskaper hvor styreleder har blitt innkalt på Arbeiderpartiets initiativ, f.eks. en styreleder i Mesta, som sier at han har ingenting å kritisere eierskapet for, og det er greit. Det er jeg fornøyd med.

uten å bli fornærmet av den grunn, eller uten at regjeringspartiene tar altfor sterke ord i bruk. Staten forvalter i dag midler gjennom sitt eierskap på over 600 mrd. kr, med tusenvis av arbeidsplasser. Meningen er å ha et så profesjonelt eierskap at dette ikke reduserer verdien av selskapet, heller ikke verdien av statens eierskap i selskapene. Det er en risiko for at det kan oppstå slik verdiforringelse som følge av statlig usikkerhet – statlig eierskap. Det kan være uklarhet om statens rolle, det kan være svekket vern av minoritetsaksjonærene, det kan være ansettelser eller utpekelser som ikke er merittbaserte helt igjennom. Det kan være manglende statlig endringsvilje, og det kan svekke et selskap som er i en tøff prosess og i et tøft marked. tøft marked. Børsnoterte selskaper kan – jeg understreker kan – ha lavere verdi dersom staten er inne på eiersiden. Dette omtales ofte som den såkalte statsrabatten. Denne risikoen har vært påpekt av børsdirektøren ved flere anledninger, og det har også vært diskusjon om hvorvidt utøvelsen av eierskapet nettopp fører til slik redusert verdi. høringen. Høringen tok utgangspunkt i tre konkrete saker, som jeg nevnte, og jeg tillater meg å referere bare komitéflertallets synspunkter. Jeg har litt problemer med å sette meg inn i mindretallets syn, selv om jeg er saksordfører, men det er jeg helt overbevist om at mindretallet vil fremføre på en klar måte. Flertallet i komiteen, altså opposisjonspartiene i Stortinget, mener at Telenor-saken er et klart eksempel på forskjellsbehandling av aksjonærer. Vi viser til en utnevnelsesprosess av styret i selskapet – og dette er altså et internasjonalt, børsnotert, stort selskap etter norske og europeiske forhold – hvor valgkomiteen, eller nominasjonskomiteen, som en kaller det der, gjennomførte 23 møter. Nominasjonskomiteen hadde kommet frem til syv kompetente kandidater som var intervjuet etter en grundig prosess. Internasjonale konsulenter var også inne i bildet. Etter at denne prosessen var avsluttet fra nominasjonskomiteens side, krevde departementet å få inn to kandidater i Telenors styrende organer. Den ene kandidaten, den først foreslåtte, ble ikke akseptert som kvalifisert av selskapet. Deretter kom departementet med kandidat nr. 2. Han ble akseptert. La meg si det sånn, for å sitere også i aksjonærfellesskapet, og det er klart at når flertallseieren kommer med forslag nr. 2 og sier hit, men ikke lenger, tror jeg nok at profesjonelle folk i selskapet skjønner hva det betyr. Stortinget har fått et brev, eller komiteen er i alle fall blitt gjort kjent med et brev fra den

Vi har hatt en høring hvor vi har gått til det noe uvanlige skritt å innkalle også representanter for selskapene. Innkalle er ikke riktig uttrykk – de er invitert, men som vanlig kommer de. Og la meg si det sånn: Det er klart at representanter for selskapet stilt overfor sin største aksjonær, uttaler seg med stor forsiktighet, men jeg har allikevel lyst til å sitere hva lederen av nominasjonskomiteen i Telenor uttalte. Han uttalte bl.a. at han aldri har opplevd at det kommer innspill til kandidater så sent i prosessen. Han sa videre: «Jeg har vært gjennom mange innstillinger, og ved at vi har en representant fra departementet i komiteen, har vi hatt løpende godkjenning av kandidatene.» Allikevel kommer altså det innspillet i prosessen så sent. Jeg har også lyst til å sitere hva Harald Norvik sa i høringen. Han var ikke da leder i verken Telenors styre eller aller minst valgkomiteen, men han har lang erfaring som leder i statlig eide selskaper. Han sier følgende om en prosess – som jeg gjerne vil gi min tilslutning: når staten velger å invitere andre inn som eiere ved siden av seg, pålegger det staten en plikt plikt å opptre i henhold til de prinsippene som gjelder for blandet eierskap, og for de prinsippene som staten selv har lagt opp til.» Jeg gjentar at det er et prinsipp jeg slutter meg hjertelig til. Den andre saken vi undersøkte, var måten staten opptrådte på overfor Kongsberg Gruppen ASA. Der var det ikke styremedlemmer på valg. valg. Staten kom med sitt innspill etter at prosessen fra selskapets side var avsluttet, og spilte inn et forslag om daværende og nåværende LO-leder, Roar Flåthen, som styremedlem. Løsningen på prosessen ble at Flåthen ble varamedlem, men med full betaling som styremedlem en noe underlig løsning som man ikke finner noen paralleller til. Representanter for valgkomiteen ga også klart uttrykk for at det valgte kompromiss, som de betegnet valget av et varamedlem på, ikke var noen optimal løsning for selskapet, de aldri hadde vurdert tilsvarende løsninger før, og at de ikke trodde det ville komme opp noen lignende situasjon senere – altså en ganske typisk engangsforeteelse, får vi håpe. På spørsmål om valgkomiteen følte seg presset, var representanten Kolberg i høringen ganske opptatt av å få fremstilt dette som om det ikke var noe press. Han sa at det at regjeringen sier at vi vil ha inn LO-leder Flåthen i styret, er ikke noe press på styret slik ville Kolberg fremstille saken. Valgkomitémedlem Alexandra Morris, som ikke sitter for staten i valgkomiteen, svarte meget tydelig nei på spørsmål om dette var situasjonen. De følte det selvfølgelig som et press – hun sa nei til representanten Kolbergs fremstilling av at det ikke var noe press.

problemstillingen kort sagt at det gikk for lang tid fra statsråden fikk en anbefaling om inhabilitet av hensyn til at hans nærstående, for å bruke lovens uttrykk, var på tale som direktør i selskapet. Dette er et heleid statlig selskap, hvor kontakten med styret ved styreutvidelser og oppnevnelser er ganske tett, og tilsvarende tett ved direktøransettelse, fordi staten altså eier alt. Det tok for lang tid fra han fikk vurdert sin inhabilitet til settestatsråd ble oppnevnt. Det er litt uforståelig hvorfor det skulle ta så lang tid, for det er egentlig en meget, meget enkel prosess. Det er ikke ulovlig å være inhabil, det er ikke engang kritikkverdig. Men det er kritikkverdig hvis man ikke følger rådet og fjerner mistanke om inhabilitet ved f.eks. å oppnevne en settestatsråd ved en utnevnelse eller, som i dette tilfellet, en direktøransettelse – som staten vel å merke ikke var direkte involvert i, men det var jo, som også styreleder sa, en tett dialog om spørsmålet med departementet. Dette har ført til at vi fremmer et forslag fra opposisjonspartiene som lyder slik: «Stortinget ber Nærings- og handelsdepartementet gjennomgå sin praksis med hensyn til valg av styremedlemmer i selskaper der staten har store eierinteresser, og sikre at Stortingets forutsetninger følges opp.» Med «Stortingets forutsetninger» vises det til behandlingen av eierskapsmeldingene. Etter at innstillingen ble avgitt, har det oppstått en viss debatt i media fordi representanter for Norsk Institutt for Styremedlemmer – flere var styreledere i statlige selskaper – skrev en ganske omfattende kronikk i Aftenposten om prinsippene for eierskap. Jeg reagerte ikke på den artikkelen, da jeg i grunnen var helt enig i alt som ble sagt og skrevet, men jeg leser at representanten for regjeringspartiene, Martin Kolberg, «tordner» mot kritikerne, som det heter, eller for å sitere: «Dette er et politisk innlegg og styremedlemmene som står bak dette må nå tenke gjennom om de på en god måte kan representere staten. De sier noe annet i sin kronikk enn det stortingsflertallet sin kronikk enn det stortingsflertallet mener, sier nestleder i stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.» Jeg tror styremedlemmene bør sitte trygt, fordi de har uttalt seg helt i tråd med hva som er allmenne prinsipper for forvaltning av eierskap. Jeg har lyst til å sitere en av dem som skrev artikkelen, Olaug Svarva, som er leder for Folketrygdfondet, også kalt Statens pensjonsfond Norge, som som er leder for Folketrygdfondet, også kalt Statens pensjonsfond Norge, som på vegne av staten er en stor investor i norsk næringsliv. Her er to sitater om eierskap: «De» – staten altså – «må være seg bevisst at de er en del av et aksjonærfellesskap, og at det forplikter», sier sjefen for Folketrygdfondet. Og videre: aksjonærenes eget engasjement og respekt for prosessene er en forutsetning for transparens og effektivitet i dette arbeidet. Derfor er forankringsprosesser hos de største eierne først etter at valgkomiteen er sluttført sitt arbeid dårlig virksomhetsstyring.» Det er artikkelen og uttalelsene fra de nevnte medlemmer fra Norsk Institutt for Styremedlemmer støtter opp om den kritikk, det jeg vil kalle den relativt milde kritikk, som flertallet i komiteen, opposisjonspartiene, retter mot statsråden i denne sammenheng. Jeg synes kanskje slike mennesker med lang erfaring i forvaltning av statlig eierskap burde bli møtt med noe annet enn en trussel om å bli sparket. Jeg sikter her til Martin Kolbergs uttalelse, som jeg siterte. Det åpnes for replikkordskifte.

Men når han sier dette, vil jeg stille representanten Foss det konkrete spørsmålet: Betyr dette innlegget som han nettopp nå holdt i Stortinget, at han frafaller påstanden om at statsråden har brutt reglene for eierskapsutøvelse? Nei. Jeg mener at prinsippene Stortinget har krever at det er en parallell prosess mellom selskapet og staten, og at det er en åpenhet om dette som sikrer at alle styremedlemmene, på vegne av alle grupper i selskapet, behandles likt. Dette er særlig viktig i selskaper som er børsnotert, og hvor hensynet til mindretallsaksjonærer er

at det var vanlig at sånt skjedde, at det var håndtert riktig, og at dette ikke hadde gått ut over selskapenes autoritet, rykte eller verdi på konkrete spørsmål. Altså: Det er ikke noe grunnlag for å påstå at dette er i strid med Stortingets retningslinjer og Stortingets vedtak. Derfor kan vi konstatere at den delen av påstanden fra opposisjonen er falt til jorden.

slik jeg kjenner dem. Det som ble sagt, var at prosessen var uvanlig. Det ble sagt direkte fra Korssjøen. De er ikke vant til at det kommer slike innspill på overtid, og det fører til at de ulike styremedlemmene behandles ulikt. Det er i alle fall et faktum i tilfellet Telenor, der ikke den først foreslåtte, men den som ble foreslått i andre runde ble innvalgt etter en atskillig kortere utvelgelsesprosess enn den som gjaldt for de øvrige medlemmer. En valgkomité sitter og

Han brukte uttrykket «makta rår». Han mener med andre ord at staten skal sitte stille og bare akseptere alt som kommer, selv om man har alternative meninger om en styresammensetning. Da er det makta som rår, mens alle andre som blir foreslått – som vi ikke har diskutert, naturlig nok – fra den private Når den samme statsråden utnevner f.eks. tidligere Høyre-statsråd Børge Brende til styreformann i Mesta og medlem av Statoils styre, hører vi ikke en lyd fra opposisjonen i denne salen om statsrådens håndtering av utnevnelser. Det er når navn de ikke liker kommer på tale, at de reagerer. Det er det som er det partipolitiske. Nei, det er ikke min hensikt, det har jeg ikke sagt, og det er ikke min mening. Jeg har ikke uttalt meg om å like eller ikke like representanter, verken Bakke eller den først foreslåtte, ikke innvalgte, som til slutt ble medlem av bedriftsforsamlingen. Jeg mener at staten skal ha makt til å foreslå. Men staten må følge visse spilleregler. Det er det en rekke styreproffer nå har uttalt seg i avisene om. Mitt poeng er, for å sitere Svarva igjen: «Mitt poeng er at vi må ha riktig kompetanse og sammensetning av styrene» Eller følgende:

ha. Jeg synes også, hvis jeg får legge til det, at det som skjedde etter at innstillingen var avgitt, Martin Kolbergs uttalelser, trusler mot styremedlemmene, er et eksempel på et brudd på politiske kjøreregler. Representanten Kolberg er nå i en polemikk med sin medrepresentant. Er det flere spørsmål, er dette siste replikk representanten Kolberg får. Deretter er det innlegg. Jeg respekterer presidentens rett til å styre dette, selvsagt. Jeg vil si at det som vi hørte før denne saken kom til behandling, var påstander om at her var det kameraderi. Høyres parlamentariske leder sa: Dette er rystende. Komiteens flertall sendte et brev til statsråden hvor de ba ham om å redegjøre for én kandidat, ba om svar på det. Det viser det partipolitiske spillet, og her er det et spill. Det er det vi har reagert så sterkt på. Vi aksepterer ikke at opposisjonen på et slikt grunnlag går inn i en slik sak. Nå hører vi hvordan saksordføreren forsøker å prate seg bort fra dette, men det er dette saken har handlet om, og jeg skal komme tilbake til det i mitt innlegg. Jo, dette må nok Martin Kolberg akseptere – akseptere at Stortingets opposisjon utøver sin kontrollrolle ved å gå inn for å se hvordan enkelte statsråder utøver eierskapspolitikken, slik den er fastlagt av Stortinget – etter forslag fra regjeringen, men av Stortinget. Det må representanten Kolberg akseptere som en del av kontrollrollen. Å si at vi har andre hensikter eller at det er et spill, det er et spill, er billig politisk polemikk. Det benytter Kolberg seg av i alle saker hvor han er uenig med komiteen – da er det politisk spill. Det har jeg lært meg å leve med, men det hindrer ikke at kontrollrollen må utøves ved at vi utøver kontroll i konkrete enkeltsaker, som i denne saken. Både Senterpartiet og Høyre er

Og så brukes det fra representanten Foss begreper som «makta rår» og «press». Den beste karakteristikk av det er hersketeknikk. Det er en velkjent hersketeknikk fra representanten Foss. Det som er spørsmålet, er: Ville representanten Foss hatt tilsvarende språkbruk overfor en privat majoritetseier?

det er også en del av vår kontrolloppgave at staten opptrer på en måte overfor mindretallets aksjonærer som gjør at man ikke skader selskapets verdier. Poenget mitt er aksjeloven. Poenget mitt er sjølsagt at et styre i et aksjeselskap skal representere alle. Det er mindretallsaksjonærer, og det er flertallsaksjonærer, og det vi nå altså snakker om, er et selskap hvor staten er en flertallsaksjonær. Så bruker representanten Foss og Høyre her konsekvent begreper som «makta rår» og at staten utøver et «press» for at man altså skal få en representasjon av sine verdier i henhold til det som er statens interesser. Er det vanlig at partiet Høyre bruker tilsvarende karakteristikker for aksjeselskaper hvor private eiere sitter med en tilsvarende posisjon? Jeg må si at det vet jeg ikke, for jeg har aldri sittet i en posisjon hvor jeg har vært i kontrollkomité for et privat selskap av noen betydning. Så det kan jeg ikke svare representanten Lundteigen på. Men jeg minner altså om at vi befinner oss i landets nasjonalforsamling som ikke har slike oppgaver overfor private selskaper. selskaper. Det at man skal representere alle i et selskap, er faktisk det viktigste ved kjørereglene som Stortinget har fastsatt ved tidligere anledninger. Og jeg gjentar som svar på spørsmål som har vært stilt tidligere, at jeg mener at opptredenen i disse konkrete sakene ikke er i tråd med de eierskapsprinsipper som er fastsatt. Det er altså derfor et flertall i komiteen, trolig et mindretall i Stortinget, ber om at man gjennomgår sin prosess ved utnevnelser av styrer på nytt. Jeg må bare ta til etterretning de svar som her blir gitt. Men det er da i et tomrom at en tilsvarende karakteristikk som det representanten Foss her gir av staten som majoritetseier i et aksjeselskap, er noe som for ham er helt fremmed i forhold til tilsvarende private tilsvarende private eiere i aksjeselskaper, og det viser vel hvilken politisk agenda som egentlig ligger bak hele denne saken. Jeg er litt i tvil om hvor representanten Lundteigen vil. Vil han at Stortinget skal inn å utøve eierskapskontroll i private selskaper der staten ikke er med? Da er det jo i så fall et relevant spørsmål, men det har jeg aldri oppfattet som Senterpartiets politikk. Men jeg er jo kjent med at Lundteigen alltid – eller i hvert fall svært ofte har egne oppfatninger. Jeg kan vanskelig svare på hva jeg ville ha gjort i en hypotetisk situasjon hvor jeg var satt til å kontrollere andre eiere enn staten, men det er faktisk min oppgave å kontrollere statens utøvelse av eierskapspolitikken som medlem av Stortinget. Det er det rollen er begrenset til. Jeg ser ikke bort fra at det finnes private eiere som har opptrådt både dumt, uklokt, klønete og uprofesjonelt. Det ser jeg ikke bort fra, men det er det ikke min oppgave å kontrollere som Presidenten vil minne representanten og visepresident Per-Kristian Foss om at all tale skal gå via presidenten. Da får representanten Per Olaf Lundteigen en replikk til. Det som er det prinsipielle her, er at enhver eiendomsrett gir styringsrett. Her er det et aksjeselskap hvor staten er deleier. Det er Telenor vi diskuterer som et eksempel. Staten er en deleier med 53,97 pst., og staten – gjennom sine personer – sikrer da at representasjonen i styrende organer er i henhold til statens interesser. Det er det representanten fra Høyre karakteriserer som at makta rår og at det utøves press. Det er det jeg har påpekt som en hersketeknikk i forhold til hva som er og burde være i statens objektive interesse, enten staten er representert ved dagens regjering eller ved en regjering hvor Høyre er toneangivende. Nei, det er ikke det som kritiseres. Igjen skaper Lundteigen – jeg er ganske vant til det – sin egen virkelighet. Vi kritiserer ikke utøvelse av styringsretten, men måten det er gjort på: mangel på å følge spilleregler fastsatt av Stortinget og mangel på respekt for mindretallsaksjonærer. Det er jo også det som har ført til at noe så uvanlig skjer som at kjente, fremtredende – tidligere og nåværende – styremedlemmer og ledere i styrer der staten eier, går ut så åpent og kritiserer eierskapsutøvelsen og gir det som er komitéflertallet ganske uforbeholden støtte i den kritikk vi har rettet mot mangel på

og har innflytelse over styringen av store selskaper med tusenvis av arbeidsplasser. Det er utvilsomt av stor viktighet at Stortinget har interesse for og engasjerer seg i hvordan verdiene forvaltes. For Arbeiderpartiet har det gjennom hele vår historie vært en bærebjelke at staten skal ha avgjørende innflytelse over fellesskapets ressurser. Staten skal og en aktiv eier – der det er nødvendig og nyttig. Like viktig er det at eierskapet skal kontrolleres slik at det aldri kan herske noen tvil om at alt går riktig for seg. Derfor ville det ikke vært noen prinsipiell motstand fra regjeringspartiene mot å åpne sak om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse som sådan fra regjeringspartiene mot å åpne sak om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse som sådan hvis det hadde vært grunnlag for det. Men det er det ikke i denne saken. Dette er en sak som ble åpnet av opposisjonen for å forsøke å bringe statsråden i vanry. Det går en dyp konfliktlinje mellom regjeringspartiene på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre i synet på statlig eierskap. Regjeringspartiene er dypt uenig i Høyre og Fremskrittspartiets forslag om kraftig nedsalg i det statlige eierskapet. Vi mener tvert imot at det statlige eierskapet bør opprettholdes og utøves på en aktiv måte. Dette synet har bred tilslutning i Norge, så Høyre og Fremskrittspartiet har ikke folkelig støtte for sine privatiseringsforslag. Men nettopp derfor er det mer opportunt – som vi nettopp har opplevd – for Høyre og Fremskrittspartiet å angripe utøvelsen av det statlige eierskapet. Klarer man å svekke tilliten til statlig eierskap, vil det kunne gjøre en privatiseringsprosess lettere å gjennomføre. Det er dette spillet som har foregått i denne saken. Jeg sier: Det er selvfølgelig helt legitimt for Høyre og Fremskrittspartiet å stå for en slik privatiseringspolitikk, og vi kjemper for det, men kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget skal ikke være arena for en slik politisk kamp. Den hører hjemme i den vanlige politiske debatten, i de ulike fagkomiteer og i Stortinget i plenum. Fagkomiteene har også et sedvanlig ansvar for å føre kontroll med den politiske håndteringen av saker i de ulike departementene. At kontroll- og konstitusjonskomiteen reiser og behandler en sak som denne vi nå har, undergraver den rolledelingen som må være mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Stortingets øvrige komiteer og dets arbeid. Derfor stemte regjeringspartiene imot behandling av denne saken, slik som den framstilles i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvordan startet det hele? Komiteen sendte 9. oktober 2012 brev til nærings- og handelsminister Trond Giske med spørsmål om flere forhold knyttet til Entra Eindom, et statlig heleid eiendomsselskap. Bakgrunnen var opplysninger i media om prosessen rundt ansettelse av ny administrerende direktør i selskapet. Jeg sier: Riktignok var vi alle rystet over opplysningene om at administrerende direktør skulle ha en lønn på 5,3 mill. kr, men vi vet også at en statsråd ikke forhandler lønn til administrerende direktør i selskaper, heller ikke i de statlige. Men årsaken til opposisjonens vrede var ikke dette, selvsagt. Det var at den nye administrerende direktøren hadde bakgrunn i Arbeiderpartiet og var Giskes venn. Dette falt imidlertid til jorden da det viste seg at Giske hadde erklært seg inhabil fordi Olsø var hans venn, og at statsråd Giske dermed ikke på noe sett og vis hadde vært involvert i saken. Til tross for spørsmål og undersøkelser viser det seg at dette var helt riktig og konkret sant. Parallelt med saken om Entra Eiendom ble det i media rettet oppmerksomhet mot prosessen med valg av styremedlemmer også i to andre selskaper der staten er største eier: Telenor ASA, der statens eierandel er 53,97 pst. og Kongsberg Gruppen der staten eier 50,001 pst. Det er Nærings- og handelsdepartementet som forvalter det statlige eierskapet i begge disse selskapene. Ifølge NTB 23. oktober 2012 «krevde Giske i fjor å få sin venn og partikollega Tore O. Sandvik plassert i styret i Telenor, men uten å lykkes». Ifølge samme NTB-melding skal Giske «ha presset teknologikonsernet Kongsberg Gruppen til å gi LO-leder Roar Flåthen plass i styret. Styret var ikke på valg og det forelå ingen planer om endringer. Saken endte med at Flåthen fikk en nyopprettet posisjon som varamedlem. Han får dermed delta på møtene, men uten å ha Honoraret er på 195 000 kroner året». I sitt svarbrev til kontroll- og konstitusjonskomiteen gjorde statsråden bl.a. rede for prosessene ved valg av medlemmer til styrene i statlig eide selskaper og presiserte at det også er valgt inn styremedlemmer med bred samfunnsmessig erfaring og med politisk erfaring fra ulike politiske På tross av svar som opplyste saken på en god og helt klargjørende måte, vedtok kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall i møte 13. november 2012 å igangsette forberedelser i en egen sak til Stortinget om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse. Det forelå ingen indikasjoner på at nærings- og handelsministeren hadde gått utover sine fullmakter og sitt som statsråd. Verken i forbindelse med oppslagene i Entra Eiendom, Kongsberg Gruppen eller Telenor var det framkommet fakta i mediene som tilsa at statsråden hadde håndtert selskapsforvaltningen i strid med god embetsførsel eller de etablerte rammene for statens Vi kan derfor konstatere at behandlingen av saken og den gjennomførte høringen til fulle har bekreftet at dette var en riktig konklusjon. I høringene framkommer ingen påstander – jeg gjentar det: ingen påstander – eller opplysninger som underbygger behovet for en slik sak i komiteen. Tvert imot bekreftet høringene at statsråden allerede hadde svart på skriftlig spørsmål fra komiteen. Regjeringspartiene var også imot at det i forbindelse med høringen ble sendt invitasjon til valgkomiteene i de delstatlige selskapene. En valgkomité eller en nominasjonskomité i et børsnotert selskap er et av selskapets organer forankret i selskapets vedtekter. Arbeidet i en valgkomité er ikke en del av statsrådens embetsutøvelse som han er ansvarlig for overfor Stortinget. Valgkomiteenes interne arbeid er dermed heller ikke gjenstand for kontroll av Riksrevisjonen. Arbeidet i en valg- eller er preget av fortrolig samarbeid med andre representanter fra aksjonærfellesskapet. Dette er avgjørende for å kunne gjennomføre arbeidet. Det er også nødvendig med fortrolighet om de personer som blir vurdert og drøftet i komiteen. En praksis der valgkomiteer blir bedt om å redegjøre for sitt arbeid i Stortinget bryter med denne fortroligheten. Om praksisen med fortrolighet endres i selskapene med statlige eierandeler, og det dermed ikke kan garanteres fullstendig fortrolighet, må det forventes at mange vil se det som lite ønskelig å være kandidater til styreverv. Dette vil innebære en særegen praksis i strid med hva som er normalt for profesjonell selskapsstyring og vil kunne skade rekrutteringen til selskapenes styrer. Det vil igjen kunne svekke selskapenes stilling og verdien av selskapene. Derfor: Det som i denne saken virkelig bryter med god statlig eierskapsforvaltning, er å presse valgkomiteene til å legge ut om sitt arbeid i en åpen kontrollhøring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. En konsekvens av en slik praksis, dersom staten krever at det gis innsyn i dialogen mellom nominasjonskomiteer og andre komiteer og staten, kan måtte bli at staten ikke lenger kan delta i komiteene. Det vil svekke mulighetene for å videreføre en seriøs og profesjonell statlig eierskapsforvaltning, i tråd med hva man gjør i dag. Valget av styremedlemmer er blant de aller viktigste beslutningene som en eier i et selskap er involvert i. Dermed er det avgjørende viktig at staten kan delta i arbeidsformer som er nødvendig for at nominasjonskomiteene kan arbeide på en god måte. Det er verken tjenlig for å ivareta statens eierinteresser eller formelt korrekt at Stortinget går inn i valgkomiteens interne drøftelser i selskaper hvor staten har eierinteresser. Høringene viste at ingen – ingen – av de innkalte valgkomiteene mente at statsråden hadde brutt prinsippene for god eierstyring. Utover et synspunkt som vi har hørt mye om, nemlig at innspill på styremedlemmene har kommet noe sent,

«Det står jo ingenting i retningslinjene eller i eierskapsmeldingene om tidsfrister og om når disse innspillene skal komme, så det finnes ikke noen konkret veiledning for det. Nominasjonskomiteen i Telenor var av den oppfatning på det tidspunktet at det kom sent. Det var ikke ønskelig. Men vi må også understreke at vi mener at vi håndterte situasjonen riktig.» Tidligere leder i nominasjonskomiteen i Telenor, Jan Erik Korssjøen, sa det slik: «Det som er kommet fram her, er at dette innspillet om navn kom veldig sent. Det må vi akseptere. Som det også er blitt sagt: Jeg mener at vi håndterte det på en god måte.» Medlem i valgkomiteen i Kongsberg, Alexandra Morris, kommenterte i høringen statens innspill på styremedlem slik: «Dette er ikke noe uvanlig for en stor eier. Det er vanlig for en stor eier å uttrykke meninger om medlemmer av styret. Det var tidspunktet som var litt uheldig.» Morris sa også: «Vi hadde jo flere valg, som jeg sa innledningsvis. Men vi kom frem til en god løsning for selskapet. Alle vet jo at staten har majoritet. Men jeg følte ikke noe press. Jeg følte bare at dette var en situasjon, og her måtte vi finne en god løsning, som også ivaretok alles interesser.» Lederen i valgkomiteen i Kongsberg, Sverre Valvik, sa: «Hele bakgrunnen er selvfølgelig at vi fikk et forslag på bordet om at Roar Flåthen skulle velges som styremedlem. Vi fant at det var vanskelig å imøtekomme, men kom fram til et kompromiss. Bakgrunnen for det er at vi ønsket å ta hensyn til samtlige aksjonærers, også statens, ønsker i denne sammenhengen, og da fant vi at i tillegg til den kompetansen som var i styret fra tidligere, ville Flåthens kompetanse bidra positivt.» Vi kan med andre ord slå fast at løsningen med å velge Roar Flåthen som fast møtende varamedlem i styret i Kongsberg, med vanlig styrehonorar, ikke var et forslag fra Nærings- og handelsdepartementet, men et kompromiss foreslått av valgkomiteen. Lederen i valgkomiteen ved Kongsberg sa i høringen: fulgte ikke departementets innspill, for det var nemlig å velge Flåthen som styremedlem.» På spørsmål fra representanten Bekkevold om avlønningen av dette varamedlemmet var en beslutning som valgkomiteen tok alene, eller et innspill fra den største aksjonæren, svarte Valvik: «Nei, det var valgkomiteen.» Etter komiteens saksbehandling og en full dags høring ble det ikke avdekket et eneste brudd på statens retningslinjer om eierstyring. Den eneste negative anmerkningen som gjenstår er at Nærings- og handelsdepartementet ved to anledninger har kommet med innspill på kandidater noe sent. Men heller ikke dette er et brudd på retningslinjene. I tillegg kom det altså fram at begge valgkomiteene håndterte forslagene på en profesjonell måte og kom fram til en enstemmig innstilling. Det er også på sin plass i denne sammenhengen å nevne at Næringsdepartementet og næringsministeren i høringen fikk svært gode skussmål for utøvelse av statens eierskapsforvaltning. Tidligere president i NHO og nåværende styreleder i Telenor, Svein Aaser, sa: det gjelder forholdet til Nærings- og handelsdepartementet i Oslo, er min oppfatning at de utøver eierskap på en veldig profesjonell måte, på linje med de eiermiljøer som jeg ellers kjenner.» Det sa Aaser. Tidligere Høyre-statsråd Børge Brende sa: «Jeg opplever at kommunikasjonen mellom eier og selskapet har vært etter boka og korrekt.» Han sa også: jeg da omtaler departementet, innebærer det også en karakteristikk av den konstitusjonelt ansvarlige statsråd, og vi har opplevd en profesjonell oppfølging av Mesta som konsern.» Dette er det som skjedde i høringen. Dette er det som er sagt av dem som er bedt om å komme og uttale seg til Stortinget om forholdet mellom disse selskapene, Næringsdepartementet og den konstitusjonelt ansvarlige statsråden i de konkrete sammenhengene som de ble spurt om. Det er også slik at i denne saken har vi dessverre opplevd at representanter for opposisjonspartiene i ulike sammenhenger har fremmet sterke påstander og beskyldninger. Jeg kom ikke til det punktet i replikkordskiftet – jeg håper vi får anledning til å komme tilbake til det i løpet av debatten. Høyre og Fremskrittspartiet har ved Erna Solberg, Høyres leder og parlamentariske leder, Siv Jensen, Fremskrittspartiets leder og parlamentariske leder og Per Sandberg, Fremskrittspartiets nestleder og leder av justiskomiteen, brukt ord som og «korrupsjon». Det jeg nå skal si, ber jeg Stortinget merke seg, nemlig: Disse påstandene ble ikke forsøkt dokumentert verken gjennom komiteens behandling eller i kontrollhøringen. Det ble ikke spurt om dette i det hele tatt – ikke ett spørsmål, ikke ett forsøk på å oppklare om det virkelig var grunnlag for å påstå fra lederen av det største opposisjonspartiet på Stortinget at det var korrupsjonslignende tilstander – ikke én ting i tilknytning til dette. Det kom heller ikke fram noen opplysninger, selvsagt, som underbygde dette på noe sett og vis. Jeg må derfor rett og slett, dessverre – og nå konstatere at Høyre og Fremskrittspartiet i denne saken har lagt seg til en arbeidsform hvor det først fremmes alvorlige beskyldninger i mediene, med krav om behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men uten at disse beskyldningene følges opp i det formelle kontrollarbeidet. En slik arbeidsmetode forsterker ytterligere inntrykket av at Høyre og Fremskrittspartiet i denne saken driver negativ politisk kampanje, og ikke, som saksordføreren forsøker å påstå, et reelt kontrollarbeid. Jeg mener at det jeg har sagt og belagt i dette innlegget, viser det veldig tydelig. Jeg mener også at saksordføreren gjennom det replikkordskiftet som vi hadde rett før jeg gikk på talerstolen her, viste det tydelig med alle de ord, uttrykk og tilnærminger som han hadde i sitt innlegg her i dag. Det siste jeg vil si – avslutningsvis – er at jeg vil understreke at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke må misbrukes. Komiteens kontrollfunksjon er av stor betydning. Det er vi enige om, og komiteens autoritet og seriøsitet bør derfor ikke bringes i miskreditt. Komiteens anseelse tåler ikke mange saker som dette før det også rammer komiteens troverdighet og tyngde i de store og seriøse kontrollsakene som hører hjemme i komiteen. Det blir replikkordskifte.
mine 16 år på Stortinget kan jeg ikke huske å ha sett slike merknader som er fremført av regjeringspartiene i denne saken, som også kom frem i innlegget. Jeg kan ikke fri meg fra følelsen av at vi her har et eksempel på hva jeg vil kalle klassisk Hvis man har en svak sak, så snakk høyt, og snakk lenge – og gjerne om noe annet enn hva saken faktisk handler om. Representanten Kolberg er ekspert på dette området. Mitt spørsmål til ham er: Hvis han hadde vært opposisjonspolitiker og media hadde lagt frem beskyldninger om at en næringsstatsråd fra Høyre eller Fremskrittspartiet hadde bidratt til at en hadde fått et godt betalt styreverv på sviktende grunnlag, eller en lokalpolitiker og venn av statsråden ble forsøkt plassert inn i et bedriftsstyre, ville han – med hånden på hjertet – ikke reagert? Ville han hevde at han ikke ville ta opp denne saken i kontrollkomiteen og ikke følge den til bunns? Den første delen av representanten Knudsens innlegg legger jeg til side, for det er en vanlig karakteristikk fra høyrepartienes side når det gjelder Arbeiderpartiets representanter. Jeg legger det vekk. Svaret på det andre er: Hvis det er grunnlag for å kritisere ting, ville vi vært med på det. Representanten Knudsen og jeg har sittet sammen i kontrollkomiteen i snart fire år. Han vet meget godt at regjeringspartiene, også representert ved meg, har stått for alle de kontrollsakene som det virkelig har vært grunnlag for å gå inn i. Det vises veldig tydelig at dette ikke var tilfellet i denne saken. Arbeiderpartiet har aldri kritisert høyrepartiene for at de har oppnevnt politiske representanter i styrer når vi har ment at det har vært saklig grunnlag for det. Det er høyrepartiene som driver dette kjøret mot Arbeiderpartiet. Det er det dette er et eksempel på; det er ikke motsatt. Hadde vi gjort det, hadde vi hatt mye å anføre gjennom mange år. Vi har ikke gjort det, og grunnen til det er at vi har ment at styringsretten er til stede.

Man kan da ha en berettiget mistanke om at noe tilsvarende skjer når man er næringsstatsråd. Hvordan skal man kunne vite om det faktisk er noe i disse påstandene som er fremført i media, før man har hatt en grundig gjennomgang i komiteen, med grundige høringer, og før man har innkalt alle de personer som bør kunne fortelle oss noe om Denne replikken viser hele saken i et nøtteskall. Representanten avslører helt og fullt for hele Stortinget hva som er hans hensikt, nemlig å vise at det er statsråd Giske som utnevner folk som han ikke har dekning for å utnevne. Hvilken Hvor befinner den dokumentasjonen seg? Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er tatt med i innstillingen, hvis det virkelig hadde vært grunn til å hevde det. Saken er den at vår regjering, som tidligere regjeringer, utnevner representanter som vi mener skal sitte i disse styrene. Det gjøres etter en Det er ikke flere partipolitiske representanter i styrene nå enn det var under den forrige, borgerlige regjering – tvert imot – uten at vi kritiserte det. Jeg må bare konstatere at representanten jeg befinner oss på litt ulike planeter i denne saken. Det skal jeg komme tilbake til i mitt innlegg. Jeg merket meg at definisjonen av en verdig kontrollsak er når Arbeiderpartiet stemmer for at den skal åpnes. Det er også et litt interessant perspektiv på kontrollperspektivet, som representanten Kolberg ellers er veldig opptatt av, og som han i denne saken bidrar til å undergrave, etter min oppfatning. Jeg skal prøve å være saklig i tilnærmingen i replikken og prøve å holde meg til det saken dreier seg om, idet jeg mener at representanten Kolberg brukte brorparten av sitt innlegg til å snakke om noe saken ikke dreier seg om. Staten har i denne sammenheng en egen representant i Telenors valgkomité. Der er det en fastsatt prosess for hvordan innstillingen skal fremgå, basert på et bestemt antall kriterier og kandidater som blir spilt inn, 60–70 i tallet. Hva er årsaken til at representanten Kolberg mener det er riktig at staten skal ha en egen snarvei inn bakenfor innstillingen, som andre aksjonærer er frarøvet? Hvorfor er det en riktig måte å styre et stort selskap på? Det er helt riktig, som representanten Anundsen sier, at vi befinner oss på to forskjellige planeter. Det er helt korrekt, for vi har et helt annet, et helt forskjellig, syn på eierskapsutøvelsens innhold. Det er helt åpenbart, og det preger denne debatten på en fundamental måte. Jeg mener at staten som stor eier har rett til å ha en veldig klar mening om hvem det er som skal representere dem i styrene, og det er ikke slik at det på noe punkt i behandlingen av denne saken er kommet fram at det har gått ut over verken lovverket eller prosessene. De har snakket om at det ved to anledninger kom litt sent, men det foranlediger ikke denne politiske prosessen. Det er det som er mitt svar på dette. Jeg føler igjen bare at det er en veldig tydelig dokumentasjon på at det er det opposisjonspartiene har drevet med hele tiden, nemlig en politisk prosess mot statsråd Giske, men det er for å ramme Det norske Arbeiderpartis politiske holdninger når det gjelder eierskapsstyring. Det er, som sagt, en ærlig sak, men den hører ikke hjemme i kontrollkomiteen, og det burde komiteens leder virkelig ta inn over seg, etter min mening. Hvis det virkelig er slik at det er i Arbeiderpartiets eierskapsutøvelsespolitikk at man skal kortslutte prosesser i store, viktige nasjonale selskaper, er vi ute etter å ramme det, for det er i strid med det som dette storting enstemmig har satt som premiss for hvordan man skal utøve eierskapet. Det skal være profesjonelt, og det er ikke profesjonelt å håndtere saken på den måten arbeiderpartiregjeringen har gjort. Representanten Kolberg sier at det ikke er noen som har kritisert prosessen. Det er direkte feil. Hvis representanten Kolberg leser gjennom referatet fra kontrollhøringen han selv var til stede på, er det sterk kritikk av prosessen, fordi de ikke utnyttet muligheten til å komme inn i en valgkomiteens arbeid, slik at de kandidatene departementet mente skulle vurderes, hadde fått den samme vurderingen som alle de andre kandidatene. Det er det som er problemet med denne saken når det gjelder Telenor. Man kortslutter prosessen, man deltar ikke i prosessen, man driver ren og skjær utnyttelse av makt etter at prosessen egentlig er avsluttet. Det er det jeg spurte Kolberg om: Hvorfor skal det være slik? Det som er poenget med Telenor – for å holde oss til det er at det medlemmet som også saksordføreren viste til i sitt innlegg, ble håndtert på samme måte som alle andre da forslaget fra statsråden var kommet. Han ble intervjuet, han ble «gjennomgått», og han ble tatt inn av valgkomiteen. Det var regjeringens ønske, men det var også valgkomiteens ønske. Det ble i høringen ikke framstilt som en konflikt mellom statsråden og valgkomiteen på dette punktet. Dessuten vil jeg si at det var det ikke representanten Anundsen som sa, men det var det den neste replikanten som sa, nemlig representanten Foss, i det offentlige ordskiftet med meg, at det var vel bare Giske som kunne komme på å fremme et slikt forslag til et medlem i valgkomiteen, nemlig Bakke – det var det bare Giske som kunne komme på. Da er den såkalte politiske katta ute av sekken. Jeg aksepterer ikke disse premissene, og jeg aksepterer ikke den juridiske tilnærmingen til disse politiske problemstillingene. Representanten Martin Kolberg har en egen, pompøs måte å fremstille ting på. Det får være opp til ham. Men jeg ber om at han avkler begrepene litt, kritikk mot regjeringen er faktisk ikke uvanlig. Det er en vanlig del av et demokrati. Men med Martin Kolbergs ord høres det ut som om det er for å ramme Arbeiderpartiet – som om det skulle være en statsfornærmelse mot sitt eget, opphøyde parti. Et regjeringsparti og en statsråd utgått av Arbeiderpartiet må, som andre partier, tåle kritikk. Så sier Martin Kolberg at han aksepterer Stortingets kontrolloppgave, men bare når det er viktig saker – når sakene er viktige nok. Hvem skal kontrollere det, da? Jo, regjeringspartiet! Det er bare når regjeringspartiet sier det er viktig nok, at det er verdig å kontrollere. Den typen retorikk er i realiteten en trussel mot Stortingets selvstendighet, og jeg tror kanskje man gjør klokt i å legge til side en viss pompøsitet når man representerer regjeringen. Det er tider og dager for pompøsitet – både 1. og 17. mai men akkurat i en kritikk mot Stortingets kontrolloppgaver hører det ikke hjemme. Jeg faller for fristelsen til å si – jeg holdt på å si at jeg skal prøve å la være å falle for fristelsen – når det gjelder karakteristikken «pompøs» og representanten Foss: Jeg vil ikke si at han er pompøs, men han er som regel ganske intrikat, og det var han selvfølgelig nå også. Det er han jevnt over, og det var han nå også. Det som han selvfølgelig ikke liker, er at det innlegget han holdt som saksordfører, vel viser at han ikke hadde noen sak. Det er nå han forsøker å gjøre det til en annen sak enn det som var utgangspunktet. Høyres leder sa at her måtte alle kortene på bordet, og Giske måtte forklare for Stortinget hvorfor han Men han må ikke forklare hvorfor han hadde foreslått Børge Brende eller andre representanter med tydelig NHO-bakgrunn og Høyre-bakgrunn som er utnevnt av styrene av vår regjering. Det må han ikke forklare. Men Sandvik må han forklare. Så det med pompøsitet, representant Foss, tror jeg vi skal dele på. Jeg vil be om at representantene respekterer taletiden. Det å beskylde opposisjonslederen Erna Solberg for å be om at alle kort legges på bordet, er vel kanskje litt unødvendig. Jeg trodde faktisk det var Stortingets kontrolloppgave å be statsråden legge kortene på bordet og gå gjennom en kontrollhøring. Nei, det er en grunn til at jeg faktisk må snakke om noe annet enn det saken gjelder, og det er at mesteparten av Martin Kolbergs innlegg ikke dreide seg om kontrollhøring om saken. Han ga uttrykk for at følgende hadde sagt følgende: Han siterte først Erna Solberg, så Siv Jensen, og så bruker han uttrykket at det er påstått at det her i denne saken har vært korrupsjon eller korrupsjonsliknende forhold. Det er uttrykk som Erna Solberg aldri har brukt i denne saken. Men han presterer allikevel på direkte fjernsyn å gjenta det, og tillegger altså en partileder for opposisjonen uttalelser hun aldri har kommet med. Jeg ber han igjen bekrefte at den form for sitat er halvveis juks, fordi det aldri har vært sagt av representanten Solberg. Jeg siterer Erna Solberg helt korrekt når hun sier at dette har vært rystende, og at alle kortene må på bordet. Så kom alle kortene på bordet, og så var det ikke noen sak. Så å lage en sak etterpå ved å vri på hva som var premissene for at de i det hele tatt tok opp saken. Det er politisk teater vi er vitne til. Det er det jeg avviser. Det er derfor jeg har et aktivt kroppsspråk i denne saken, også mot kollegaer som jeg representerer, for det er ikke slik at man kan fortsette på dette. Jeg avviser høyrepartienes konsekvente angrep på Arbeiderpartiets eierskapsutøvelse i statlige selskaper. Det er, som jeg har sagt, et fordekt angrep på realiteten i saken, nemlig at de vil ikke at staten skal eie så mye. De vil ha det over på private hender. Det er det som ligger bak hele saken, og det er det det handler om. Når Martin Kolberg fortsetter å hevde at saken handler om noe annet enn det som står i innstillingen, da er det mulig å angripe komiteen. Men det er et svært tynt grunnlag. Jeg er faktisk helt enig med Martin Kolberg i at debatten om statlig eierskap, altså om staten skal eie og eventuelt hvor mye, ikke hører hjemme i kontrollkomiteen. Det er heller ikke det vi har undersøkt, og det står heller ikke et ord om det i innstillingen. Derimot har representantene for regjeringspartiene litt overraskende reist en svak kritikk – eller formaning – for lønnsnivået i statlige selskaper mot statsråden. Det var ikke en del av det som var overskriften da kontrollarbeidet startet, men allikevel har det vært reist og tatt inn i innstillingen. Nei, man kan angripe komiteen for mye, men det å angripe den for noe den ikke har kontrollert, altså statlig eierskap, er kanskje litt på siden. Nå mener jeg det begynner å bli litt skikk på dette, for nå begynner jeg å høre at representanten Foss begynner å bli litt enig med meg. Det var en del ting som ikke hørte hjemme i komiteen. Da begynner det å bli litt skikk på dette. Det er bra. Men det som allikevel var sannheten, var at utgangspunktet for dette var det jeg har sagt, nemlig partiutnevnelser, påstanden om at det er rystende, at det er korrupsjon, at det er uakseptable tilstander, og at det var det som var motoren i at opposisjonen satte i gang dette, er det ingen tvil om. Det er det de prøver å prate seg vekk fra i dagens debatt. Men den går ikke jeg på iallfall, og det tror jeg ikke noen andre gjør heller. Jeg har hørt for mye rundt dette før denne debatten kom i gang, og det er derfor jeg sier det jeg sier: Det står seg, og det kommer til å stå seg også i

er det vanskelig når Kolberg sier at dette er politisk teater, å la være å falle for fristelsen til å si at da må det i tilfelle være med Martin Kolberg som teatersjef. Det er to ting jeg vil bemerke før jeg går på selve innlegget, og det er at Kolberg i replikksvaret sitt til meg sa at vedkommende som departementet spilte inn, gjennomgikk den samme som de andre 60–70 i Telenor som var aktuelle for en styreplass. Det er direkte feil. Han gjennomgikk ikke de samme kvalitetsundersøkelsene, gjennomførte ikke intervju med styreleder, og har således ikke gått gjennom den normale prosedyren hvor styremedlemmer vurderes opp imot hverandre i forhold til den kompetansen de har, for å sikre et sammensatt styre som er optimalt for det selskapet trenger. Så det er direkte feil når Kolberg sier at vedkommende gikk gjennom de samme prosedyrene og utvelgelseskriterier som alle andre. Det andre er dette evige fokuset til Martin Kolberg på at dette egentlig dreier seg om noe helt annet enn det saken dreier seg om, nemlig hva man mener om statlig eierskap. Den eneste som snakker om det, er Martin Kolberg. Det er ingen i opposisjonen som overhodet har diskutert det. Det er Martin Kolberg som forsøker å få denne diskusjonen til å handle om noe annet enn det som er kritikkverdig – og det er kritikkverdig. Så vil jeg takke saksordføreren for å ha gjennomført en god og ryddig prosess i en sak som har skapt mer bruduljer i vår komité enn det vi er vant til. Jeg synes innlegget hans reflekterte opposisjonspartiene, som representerer et flertall i vår komité, på en ryddig og god måte, og jeg slutter meg til de vurderingene han ga der. Det kan være at det blir noen gjentakelser i dette innlegget. Det tror jeg kan være en god oppfriskning etter det livlige replikkordskiftet vi har bak oss. Sakens utgangspunkt er en rekke medieoppslag knyttet til eierskapsutøvelsen til Nærings- og handelsdepartementet. Det har blitt en noe spesiell sak, fordi regjeringspartiene har trukket frem de store forsvarskanonene i et forsøk på å beskytte statsråd Giske. Jeg synes derfor det er grunnlag for å si litt om rammene for virksomheten til kontroll- og konstitusjonskomiteen, bakgrunnen for at saker åpnes i vår komité, og det som gjør at denne saken er litt spesiell. Utgangspunktet for denne saken er at komiteen ville undersøke om statsrådens eierskapsutøvelse er innenfor de premisser som Stortinget har lagt til grunn, bl.a. gjennom sin behandling av eierskapsmeldingen. At Stortinget kan kontrollere statens eierskapsutøvelse, er utvilsomt. De behandler til og med en egen årlig rapport fra Riksrevisjonen hvert år om tilsvarende tema. Hvor langt den parlamentariske kontrollen kan gå, er i utgangspunktet opp til komiteen selv å vurdere. Det er imidlertid klart at kontrollen strekker seg minst like langt som statsrådens konstitusjonelle ansvarsområde. I dette tilfellet er det altså ingen tvil om at eierskapsutøvelsen i NHD er klart innenfor den rammen. Slik eierskapsutøvelse kan neppe kontrolleres på noe særlig annet vis enn det vi har gjort her, ved at en ser på praktiske eksempler på den eierskapsutøvelsen. I innstillingen skriver regjeringspartiene at det ikke forelå noen indikasjon på at statsråden «hadde gått utover sine fullmakter» på det tidspunkt komiteen åpnet sak. Martin Kolberg var også inne på det i innlegget sitt i stad. Det er en noe underlig formulering. Det var tre saker som var omtalt i media, hvor statsråd Giskes eierskapsutøvelse var diskutert. Den ene var påstander om at Giske hadde sørget for å få plassert en angivelig venn av seg i styret i Telenor, etter at valgkomiteen var ferdig med sitt arbeid. Det ble også påstått at vedkommende ikke ble funnet kvalifisert, hvoretter statsråden angivelig skulle ha sørget for å plassere inn en annen person som til slutt ble vurdert som kompetent. Kritikken var at statsråden kortsluttet prosessen i selskapet og krevde endringer i styret i strid med valgkomiteens opprinnelige innstilling, utarbeidet over flere måneder, med grundig arbeid og overveielse av flere titalls aktuelle kandidater. Det ble også påstått at statsråden hadde sørget for at LO-lederen var tilgodesett med et verv i styret til Kongsberg Gruppen, uten styreansvar, men Det skulle ha skjedd i et år hvor styret ikke var på valg. Videre ble det påstått at statsråden kunne bidratt til at styrelederen, nestlederen og et styremedlem i Entra var blitt utsatt for et kupp med det som formål å få ansatt en angivelig venn av statsråd Giske som administrerende direktør i selskapet, uten ordinær prosess. Statsråden var inhabil i alle forhold vedrørende vedkommende, men meldte ikke dette til styret i Entra før i august. Først etter det påståtte kuppforsøket ble det oppnevnt settestatsråd i Giskes sted, på tross av at Giske skal ha kjent til denne konflikten i styret siden mai. Disse tre sakene ga inntrykk av en uprofesjonell og tilfeldig eierskapsutøvelse i store viktige selskaper hvor staten er hel- eller deleier. Det ga inntrykk av en stor eier som overkjører andre eiere, og som opptrer uprofesjonelt. Statsråd Giske avviste selv å svare på spørsmål om dette, da han ikke ville forholde seg til «anonyme påstander». Etter Fremskrittspartiets syn ville det være en unnlatelsessynd for kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke å se nærmere på om disse påstandene var sanne eller ei. Det er etter vår oppfatning mer enn indikasjoner på at noe kan være galt. I innstillingen skriver også regjeringspartiene: «Det er svært uvanlig at kontroll- og konstitusjonskomiteen åpner sak på bakgrunn av ubekreftede oppslag i mediene.» Det er direkte feil. Syv av de ni egeninitierte kontrollsakene som vi har hatt til behandling i denne kontroll- og konstitusjonskomiteen, er direkte resultat av det en kan karakterisere som ubekreftede oppslag i media. Det er altså hovedregelen, ikke unntaket, at kontrollsaker åpnes på bakgrunn av medieomtale. Med en viss undring har jeg registrert at Arbeiderpartiet mener at denne kontrollsaken egentlig handler om politikk, og ikke om kontroll. Fra opposisjonspartienes side har vi vært helt entydige i å behandle denne saken som en kontrollsak, hvis formål er å finne ut om Stortingets forutsetninger er oppfylt eller ikke. Det er trist at Arbeiderpartiet forsøker å lage et politisk spill om en sak som så åpenbart er en kontrollsak. Så er vi gjerne uenige om hva slags funn som er gjort, og hvilke konklusjoner som skal trekkes. Men å drive den formen for unnamanøvrering – og jeg vil bruke begrepet «tåkelegging» – som Arbeiderpartiet etter min mening har bedrevet i denne saken, tjener ikke kontrollfunksjonen i Stortinget. Det undergraver komiteens viktige funksjon. Under kontrollhøringen ble medias fremstilling av de tre sakene i stor grad bekreftet. Hendelsesforløpet var skremmende likt det mediene hadde referert. I Telenor-saken hadde statsråd Giske bedt valgkomiteen om å innstille en person fra egen krets som styremedlem. I tillegg insisterte statsråden på et nytt kriterium for utvalg og valg av styremedlemmer. Valgkomiteen nektet imidlertid å innstille vedkommende statsråden hadde foreslått, fordi han ikke hadde den riktige kompetansen som Telenor trengte. Da ba statsråden komiteen innstille en annen fra sin krets. Valgkomiteen bøyde av og gjorde som statsråden sa. Det er vanskelig å se en slik instruks fra den klart største eieren som noe annet enn et klart press. Samtidig unngikk vedkommende som ble innstilt, den grundige prosessen andre innstilte styrerepresentanter måtte gjennomgå, herunder intervju med styrets leder, som jeg var inne på i stad. Det er jo heller ikke lenger tilstrekkelig å være kvalifisert til å sitte i et slikt styre. Det avgjørende er om den kompetanse og erfaring kandidaten besitter, dekker et definert behov i det arbeidet styret skal gjøre, og om vedkommende kan gjøre en positiv forskjell i styrets arbeid. Valgkomiteen brukte altså 8 måneder og 23 møter på å finne en optimal sammensetning for Telenor, for så å bli overprøvd fra statsrådens side. Jeg har sett at statsråden har reagert begge gangene jeg har nevnt at vedkommende som ble plukket ut, unngikk intervju med styrelederen. Grunnen til at jeg peker på det, er at det ble klart i kontrollhøringen at det var vanlig praksis i Telenor at de som ble vurdert som aktuelle styrekandidater, også hadde en samtale med styrets leder før de ble innstilt. Det er altså en av de prosessene som vedkommende ikke Det er lite sannsynlig at det er i selskapets interesse å risikere denne formen for kortsluttede prosesser når selskapets øverste ledelse skal velges. Statsråden kunne gitt innspillene i starten av prosessen, idet departementet er representert i valgkomiteen. Jeg vil i den sammenheng vise til en svært god kronikk i Aftenposten 22. februar, hvor flere sentrale styrerepresentanter i ulike statlige selskaper gir sine betraktninger om det jeg oppfatter er viktigheten av at staten ikke overkjører valgkomiteenes prosesser, men heller bidrar underveis i tråd med forutsetningene. Det er jo det Telenor-saken handler om, ikke alt dette andre røret. I saken om Kongsberg Gruppen ble også medias fremstilling bekreftet i kontrollhøringen. Valgkomiteen hadde ingen planer om utskifting av styremedlemmer. Det var mellomvalgår, og Statsråden var representert i valgkomiteen med representant fra departementet. Så ble det krevd fra statsråd Giskes side at LO-leder Roar Flåthen skulle innstilles som styremedlem i selskapet. Valgkomiteen motsatte seg det. I en slags dialog ble det inngått et kompromiss hvor Flåthen ble innstilt som varamedlem, men med full styregodtgjørelse. Dette er en konstruksjon som verken valgkomiteens medlemmer eller statsråden vet om brukes i andre selskaper. Normalt betales jo også styremedlemmer for den risikoen de har som medlemmer av styret, i tillegg til arbeidsinnsatsen. Et varamedlem har ikke et slikt styreansvar. Konstruksjonen må derfor anses som svært unaturlig. Lederen av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen var tydelig på at den løsningen som ble valgt, ikke var gunstig, men at selskapet kunne leve med det. I sakene om Telenor og Kongsberg Gruppen har staten som eier overkjørt andre eiere, kortsluttet interne prosesser og krevd endringer som selskapenes valgkomité i utgangspunktet motsatte seg. Det bygger opp under bildet av en eierskapsutøvelse som ikke er profesjonell. Børsdirektør Bente Landsnes sa til TV 2 at regjeringens eierskapsutøvelse kan skade verdien av norske selskaper i kjølvannet av disse avsløringene. Tilliten til å være medaksjonær med staten i disse store norske selskapene svekkes, fortalte hun, etter å ha snakket med flere bekymrede utenlandske investorer om det de oppfattet som uryddig norsk statlig adferd. Entra-saken skiller seg fra de to andre sakene vi har behandlet, fordi Entra er et heleid statlig selskap, og staten har selvfølgelig da alene hånd om styreoppnevnelse. Det skjer vanligvis, etter hva jeg har forstått, i dialog mellom styret og eier, men eier har naturligvis full råderett over utvelgelsen av styret. Problemstillingen i Entra-saken er også annerledes. Der er spørsmålet, slik Fremskrittspartiet ser det, om statsråd Giske opptrådte ryddig som eier da styret skulle ansette ny administrerende direktør, hvor en av de opplagte kandidatene til stillingen var en nær venn av statsråden. Giske meldte seg inhabil i april 2012 etter råd fra Lovavdelingen, hvilket er bra. Deretter unnlot han å opplyse selskapet om sin inhabilitet. Først i brev av 17. august ble selskapet gjort oppmerksom på statsrådens inhabilitet i alle forhold knyttet til ansettelse av administrerende direktør. I mellomtiden hadde styreledere i Entra hatt dialog med en inhabil eier om ansettelsesprosessen ved minst to anledninger. Derfor er det ikke riktig når Kolberg hevder at eier ikke var involvert i den perioden. Eier var også kjent med de store problemene i styret gjennom orientering fra tidligere styreleder Grace Reksten Skaugen og sittende styreleder Siri Hatlen. Eier var kjent med at konflikten også dreide seg om ansettelse av ny administrerende direktør. Statsråd Giske forklarte at det ikke var behov for å oppnevne settestatsråd, fordi dette var en beslutning som styret skulle ta. Imidlertid mener både tidligere og nåværende styreleder at det åpenbart er slik at eier skal involveres før valg av administrerende direktør, ikke for å endre ansvaret for tilsettingen, men for å sikre en leder som eier ikke vil motsette seg, og for å sikre at styret er kjent med alle relevante opplysninger før tilsettingen. Det betyr at Giske må ha vært kjent med at det var aktuelt med dialog mellom styret og eier før utnevnelsen av ny administrerende direktør, og settestatsråd burde vært oppnevnt på det tidspunkt Giske erklærte seg inhabil. Fraværet av settestatsråd frarøvet også styret i Entra muligheten til dialog med eier etter 17. august om en svært krevende prosess, i et styre som var delt og i full konflikt. Det er ikke profesjonell eierskapsutøvelse. Jeg vil så kort innom den andre Telenor-saken som er berørt i innstillingen. Bakgrunnen er Telenors beslutning om å bidra til salget av TV 2. Stortinget har tidligere fått en redegjørelse fra statsråd Giske om denne saken, og mange husker sikkert påstandene om SMS-er fra et nachspiel på Lorry. Den saken ble også håndtert noe av komiteen i forbindelse med behandlingen og kontrollhøringen av den årlige selskapsrevisjonen fra Riksrevisjonen. I ettertid ble imidlertid styrelederen i Telenor, Harald Norvik, kastet som styreleder. Selv sa han i kontrollhøringen om denne saken at det var «direkte sammenheng» mellom hans håndtering av TV 2-saken og hans avgang som styreleder. Jeg vil også sitere direkte fra noen av Norviks uttalelser rundt dette: «Jeg har selv vært utsatt for utidig press av statsråden, og det er godt kjent for komiteen, for det har den behandlet tidligere. Det var et press for å ta en annen avgjørelse enn det styret hadde bestemt seg for å ta, en avgjørelse som styret selv har ansvaret for å ta i henhold til styringsprinsippene til staten. Det er utidig press. Det har skjedd. Det kan komme til å skje igjen, og det er et forhold som man er nødt til å snakke om i offentligheten fordi det er brudd med statens eierstyringsprinsipper.» Etter Fremskrittspartiets mening er denne måten å utøve eiermakt på problematisk. Staten har som største eier nesten all makt i selskapet. Den makten skal en utøve med varsomhet, og det tjener ikke det statlige eierskapet å svekke styrer i store statlige deleide selskaper ved å si at enten gjør du som statsråden sier, eller så har du sparken. Styrets ansvar er å sikre selskapets interesser, statens ansvar er å bygge opp om fellesskapets verdier. Denne formen gir det motsatte som resultat. Jeg har også lyst til å se litt på hvordan Arbeiderpartiet håndterer kontrollsaker hvor deres egne statsråder er under press. Jeg har registrert at det er en vesentlig forskjellsbehandling fra Arbeiderpartiets side i saker hvor arbeiderpartistatsråder er i søkelyset for eventuelle overtramp, som i denne saken, og når statsråder fra Sosialistisk Venstreparti eller Senterpartiet har samme fokus på seg: I kontrollsaken om ulovlig partistøtte til Senterpartiet var Arbeiderpartiet opptatt av å få frem fakta rydde opp. Det var sterk og samlende kritikk fra komiteen. I kontrollsaken om tilskuddsordningene ble den da påtroppende SV-leder og statsråd Audun Lysbakken nær sagt ofret og måtte gå av. Det var samlende og dels sterk kritikk fra komiteen i innstillingen. I kontrollsaken om utenriksministers Støres habilitet ved tildeling av penger til en stiftelse initiert av en venn av utenriksministeren gikk Arbeiderpartiet fullstendig i forsvarsposisjon og mente at alt var i skjønneste orden, og at opposisjonen drev politisk spill. Det samme ser vi i denne saken. Mønsteret er ikke helt entydig, men likevel tydelig. Det kommer svært godt frem i denne innstillingen og debatten her i dag. Heldigvis kan alle med tilgang til Internett selv lese det som ble sagt i kontrollhøringen og vurdere medieomtalen av denne saken. I lengden tror jeg Arbeiderpartiets arbeid med kontroll vil stå seg bedre på om en ikke forsøker å skape en annen virkelighet og et annet hendelsesforløp enn det man lett kan lese seg til via åpne kilder. Det er et velmenende råd, som jeg antar ikke vil bli fulgt. Siden Arbeiderpartiet har forsøkt å få denne saken til å handle om ulike syn på statlig eierskap generelt, vil jeg peke på at Fremskrittspartiet ikke er imot statlig eierskap. Vi mener imidlertid at en må ha et bevisst forhold til hva slags selskap staten skal eie, og at staten opptrer som en ryddig og profesjonell eier i de selskapene som en fortsatt skal eie. Det å oppkonstruere en politisk debatt om statlig eierskap i denne saken er helt på siden og føyer seg inn i rekken av forsøk på å tåkelegge fra Arbeiderpartiets side. Dem om det! Politikere lever av tillit. Det gjør også store selskaper. Som eier må staten bidra til å bygge opp og forsterke tilliten til selskap vi helt eller delvis eier, ikke det motsatte. Derfor er det forslaget til vedtak fra en samlet opposisjon som saksordføreren tok opp i sitt innlegg, nødvendig og viktig. Det blir replikkordskifte. Første replikant er representanten Martin Kolberg, deretter representanten Jette F. Christensen. Igjen hørte vi et innlegg som skapte et inntrykk av at denne saken har vært noe helt annet enn det som var utgangspunktet. Jeg vil minne representanten Anundsen om hva hans egen leder sa om utnevnelsen av Roar Flåthen: Det som har skjedd her, er altså at Arbeiderpartiet har gitt Roar Flåthen et honorar på 195 000 kr i året. «Dette minner mistenkelig om korrupsjon og bestikkelser .» Det er alvorlig å si, selvfølgelig, og viser denne sakens karakter. Anundsen berørte ikke dette, selvfølgelig. Han bare beskylder meg for å snakke om noe annet enn hva saken handler om. Det er en velkjent teknikk fra Fremskrittspartiets side. Problemstillingen er med andre ord: Stiller Anundsen seg bak Siv Jensens Jeg tror rett og slett Kolberg kanskje har misforstått hva denne saken dreier seg om, og hvordan en sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen blir til, og hvordan vi jobber med det. Det forundrer meg en del. Det som er den offentlige debatten, er en del av den offentlige debatten. Det er ikke nødvendigvis de problemstillingene som vi er enige om i komiteen skal berøres. Når jeg snakker om hva denne saken har handlet om, er det fra det tidspunkt kontroll- og konstitusjonskomiteen har startet saken, åpnet saken, og de opplysningene som der har kommet. Så kommer det i det offentlige ordskiftet påstander om både det ene og det andre, og i en politisk billedliggjøring av hvordan man ser på den typen utnevnelser, er det ikke irrelevant å trekke sammenligninger av den typen som min partileder har gjort, snarere tvert imot. Men jeg gjør veldig sterkt oppmerksom på at korrupsjon er et strafferettslig begrep. Det har hun ikke sagt at det er. Hun har karakterisert dette med et bilde for å vise hvordan en del koblinger kan fremstå. Representanten Kolberg får ordet til ytterligere en replikk før representanten Jette F. Christensen får ordet. Jeg er veldig sterkt i tvil om det var et ja eller et nei. Jeg tror det var et forsøk på å si begge deler. Det er også veldig typisk for denne saken, hvor man forsøker å prate ut gjennom begge de politiske munnvikene samtidig, både for å ramme Det norske Arbeiderpartis eierskapsutøvelse, for dermed å svekke det og mistenkeliggjøre det, og samtidig påberope seg juridiske argumenter for hva som er prosessen i komiteen. Hadde det vært et helt stykke ved, hadde man fulgt dette sporet i komiteen når beskyldningene er så alvorlige. Det er ikke noen forskjell på hva som framsettes av beskyldninger utenfor stortingssalen og i den når vi snakker om den politiske samtalen i Norge. Det er det første gang på lenge jeg har hørt. Derfor er det nødvendig å få vite, en gang til, om komiteens leder stiller seg bak disse karakteristikkene, eller om han ikke gjør det. Det må det gå an å svare klart på.
ville jeg ikke stilt meg bak den typen uttalelser, for det er en straffesak, og da ville man vurdert riksrett i den typen sak som vi har her. Det har vi ikke vurdert som aktuelt. Jeg tror det er et relativt klart svar. Men jeg synes også det er underlig at Martin Kolberg går så høyt på banen for å forsvare det han kaller Arbeiderpartiets eierskapsutøvelse, og på den måten stiller seg bak at det skal være snarveier inn i prosesser hvor store norske interesser er på tale. At han heller ikke i replikkordskiftet sist tok seg bryet med å besvare det spørsmålet jeg hadde om hvorfor han mener at det skal være slike snarveier for staten inn i offentlige selskaper som er avhengige av internasjonal tillit, viser at den arrogansen han hevder andre har, er han godt i stand til å fremheve
Presidenten har ved et par anledninger introdusert representanten Jette F. Christensen som neste replikant, og hun skal få anledning nå. Dersom representanten Kolberg ønsker ytterligere replikker, får vi komme tilbake til det. Det er anledning til å tegne seg til flere replikker. Det er også anledning for representantene til å tegne seg til flere replikker fra plassen hvis en skulle ønske det. Når ein høyrer representanten Anders Anundsen snakke om Roar Flåthen, er det som om Flåthen aldri har vore innanfor Kongsberg Gruppen før han blei varamann. Han starta i arbeidslivet som smed, og har i årevis vore tillitsmann. Etter å ha sete i styret, blei han fjerna av dåverande næringsminister Gabrielsen. Og så blei han altså føreslått igjen til styret av noverande næringsminister Trond Giske. Giske. Du var jo til stades på høringa. Du ville ikkje heilt svare på spørsmålet til Kolberg i stad, derfor kan eg kanskje trekkje fram eit anna sitat frå ein partikollega av deg, nemleg din nestleiar, som seier at dette er det nærmaste ein kjem mafiaverksemd i Noreg. Synest du det er ei dekkjande beskriving av det me fekk høyre i høyringa om Roar Flåthen sitt styreverv? Presidenten vil få kommentere at det er få kommentere at det er hyggelig at det er en så trivelig tone mellom representantene at de omtaler hverandre som «du», men i stortingssalen må all tale rettes til presidenten. Jeg snakket ikke stort om Flåthen i mitt innlegg i det hele tatt, fordi jeg ikke er i tvil om at han har kompetanse som er relevant for styret i Kongsberg Gruppen. Det jeg snakket om i mitt innlegg, var prosessen frem til oppnevnelse, i en konstruksjon som verken statsråden eller andre tilstedeværende som ble spurt om det, hadde noen kjennskap til i andre selskaper. Det er det denne saken dreier seg om, ikke kompetansen til Flåthen, og egentlig heller ikke kompetansen til de øvrige medlemmene, som NHD har insistert på. Poenget er at de kortslutter prosessene og legger inn sine ønsker så sent at det er helt umulig å vurdere dem på en relevant måte. Dette med Flåthen gjorde de altså i et mellomvalgår, da det ikke var aktuelt å velge styre i det hele tatt. Jeg ser at det er en morsom øvelse å få meg til å si om jeg stiller meg bak den eller den sine uttalelser. Jeg synes ikke det er så interessant. Jeg synes det er mye viktigere at vi bruker tiden på å jobbe med den saken vi faktisk har her, og så får det offentlige ordskiftet være det det offentlige ordskiftet er. Representanten Christensen får muligheten til ytterligere én replikk. No har Anundsen vore innom veldig mange andre saker i sitt innlegg, så det er tydelegvis ikkje berre denne saken vi snakkar om i dag. Eg er nøydd til å gjenta spørsmålet mitt, for det er viktig. Når mine kollegaer her på Stortinget uttalar ting i pressa, ser eg på det som eit innlegg i debatten og noko dei og partiet deira meiner. Eg tek dei på alvor. Derfor er eg nøydd til å gjenta spørsmålet mitt til Anundsen: Meiner du og

er et spesielt viktig spørsmål i den saken vi behandler, fordi karakteristikken om mafiavirksomhet kom jo ikke på bakgrunn av at navn var spilt inn. Det er en helt legitim rett som eier har til når som helst å spille inn navn. Det som er utfordringen her, er at man kortslutter prosesser selskapet har og gjør det man vil, i strid med de øvrige aksjonærenes interesser. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen var helt tydelig i høringen på at de aldri ville gjort noe tilsvarende hvis det var en annen av eierne i Kongsberg Gruppen som hadde henvendt seg til dem på den måten. Det betyr at staten bruker den maktposisjonen de har – og de er i en særstilling når det gjelder eierskapsmakt i de selskapene på en måte som ikke styrker selskapet. Profesjonell eierskapsutøvelse handler om å sikre de verdiene vi i fellesskap eier. Det er skattebetalernes verdier som skal håndteres, og det å svekke tilliten til de selskapene er alvorlig. Det er det den saken handler om. At man bruker språklige bilder i det offentlige rom for å forklare hvordan man ser på den håndteringsmåten, kan jeg ikke klare å kritisere. Da slipper vi til representanten Kolberg, Det Stortinget hører, er en leder for kontrollkomiteen som ikke vil ta stilling til det politiske ordskiftet knyttet til den saken som han selv har vært en ivrig initiativtaker til at skulle behandles i komiteen. Det er det vi hører. Det er ikke mer å snakke om. Vi vet hva de har sagt. De har forsøkt å lage politisk spill av dette, og sentrale tillitsvalgte i Fremskrittspartiet forsøker å stemple Arbeiderpartiet og dets statsråder på den groveste politiske måten. Men han vil verken bekrefte eller avkrefte det, og vi ser hva det handler om. Der står den siden av saken. Mine siste sekunder benytter jeg til å Bakke, som representanten brukte tid på. Han ble intervjuet – ikke av styreformannen, men av valgkomiteen – på en grundig måte. Har Anundsen noen kunnskap om hvordan valgkomiteen oppførte seg overfor de andre medlemmene som ble valgt inn i Telenor-styret? Jeg kjenner ikke de interne prosessene i valgkomiteen i Telenor-styret, og det skal jeg heller ikke gjøre. Det som er forskjellen, er at Bakkes kompetanse ikke ble vurdert som en konkurrent og en komplementerende kompetanse mellom de 60–70 kandidatene som ble vurdert i utgangspunktet. Telenor hadde den praksis – og det er en grei praksis – at styreleder hadde samtaler med dem som var aktuelle for styreverv i forkant av innstillingen. Det skjedde ikke med Når det gjelder det øvrige, at jeg ikke tar stilling til det politiske ordskiftet, er det tøv. Jeg tar definitivt stilling til det politiske ordskiftet. Jeg sa nettopp at jeg ikke kan se noen problemer med at man forsøker å billedliggjøre et syn, når man ser den typen utnevnelser skje i det offentlige rom. Representanten Kolberg får anledning til ytterligere én replikk. Etter det siste som ble sagt, må jeg vel rette meg selv på det punktet. Det virker da som om kontrollkomiteens leder har stilt seg bak at dette er korrupsjonsliknende tilstander og mafiavirksomhet. Det er det som det siste som ble sagt, og da retter jeg meg selv på det punktet og hører hva som blir sagt her. Da er egentlig den politiske katta ute av sekken for lengst, for da vet vi hva dette egentlig handler om; et forsøk på politisk stigmatisering av en statsråd og en politisk eierskapsutøvelse som ingen representanter, jeg gjentar; ingen representanter for dem som ble innkalt til høringen, mente var i strid med Stortingets retningslinjer, slik de er vedtatt. Det er ikke bevist, og derfor står det heller ikke i innstillingen eller i merknadene, for hadde det vært tilfellet, er jeg helt sikker på at det hadde kommet til uttrykk i forslaget til vedtak som er reist fra opposisjonens side. Det gjør det ikke, fordi de ikke har belegg for Katta 1 og katta 2 har sikkert kommet ut av sekken mange ganger. Vi har hørt det også i det offentlige ordskiftet, men jeg kan ikke helt se at det er veldig relevant. Det jeg har sagt, og det jeg mener, er at vi må forholde oss til det som er kontrollsaken. Det har ikke Martin Kolberg gjort noe forsøk på å gjøre i dag. Han forsøker å få saken til å dreie seg om absolutt alt annet som ikke har noe med kontrollsaken å gjøre. Vi har i kontrollsaken helt definerte spørsmål og problemstillinger, som har vært gjenstand for en kontrollhøring, og som vi har fått svar på. Alt som det ble spurt om, og alle svarene i kontrollhøringen, er offentlig tilgjengelig. Jeg mener det gir et helt fundamentalt annet virkelighetsbilde enn det representanten Kolberg nå forsøker å fremstille det som. Det blir en gjentakelse og gjentakelse i en blanding av hva som er sagt i det offentlige ordskiftet, og hva kontrollsaken har dreid seg om. Jeg har ikke problemer med at folk som ser dette fra utsiden og leser medieoppslagene om dette, forsøker å få frem hvor ille de mener dette er, ved hjelp av bilder. Vi bruker forskjellige ord, det gjør Kolberg og Stoltenberg også. Men det å forsøke å billedliggjøre et problem synes jeg er greit. Det er heilt greitt å bruke bilete, men dette handlar om om biletet beskriv det som er oppgåva. Er det éin ting denne høyringa har avklart, er det jo at ingen av dei to bileta som vart brukte, er riktige. Det som har skjedd, er ikkje mafiaverksemd; det liknar verken mafiaverksemd eller korrupsjon. Dette er snakk om innspel som er gjevne til ein komité. Det einaste som er påpeikt, er at nokre av dei moglegvis kom litt seint. Kan representanten Anundsen verkeleg ikkje seie at han kanskje meiner at hans partikollegar gjekk litt langt i å prøve å teikne eit bilete av ei litt annleis verkelegheit? Jeg skulle ønske at representanten Christensen hadde fått sin egen statsråd til å se litt nærmere på den virksomheten han har gjort i de tre sakene, og kanskje vært noe mer ydmyk i tilnærmingen sin enn det han har valgt å være. Ydmykhet er en dyd, som vi alle kanskje i større grad enn det vi gjør, bør ta med oss. Den oppfordringen er en god oppfordring til flere enn meg og mine partikolleger. Jeg er litt overrasket over at representanten Christensen adopterer virkelighetsforståelsen til Martin Kolberg. Hun var selv til stede på kontrollhøringen og fikk med seg alt som ble sagt, og jeg tror nok – hvis man legger godviljen til i denne saken – at man ser at den profesjonelle eierskapsstyringen fra statens side har sviktet i de tre sakene. Det mener en klar og samstemt opposisjon. Litt mer ydmykhet fra regjeringspartienes side kunne kanskje også vært på sin plass, slik at vi kunne kommet videre og lært av denne saken, som etter min oppfatning helt åpenbart viser at staten i de tre sakene ikke har vært tilstrekkelig profesjonell og ved det brutt Stortingets forutsetninger for eierskap. Eg er medlem av same parti som Martin Kolberg, sit i same komité som Martin Kolberg, og var i den same høyringa som Martin Kolberg. Det ikkje å sjå den same verkelegheita som han då, er og eg synest det er utruleg at opposisjonen klarer det. Men det er tydeleg at det heller ikkje er så lett for dei, når dei må begynne å teikne bilete av ting som ikkje høyrer heime verken i debatten om dette eller i Noreg. Så eg må prøve å spørje for siste

sagt. Det som er bra med den moderne teknologiske verden vi lever i, er jo at hvem som helst nå kan gå inn og se på disse kontrollhøringene, og få sitt eget bilde av virkeligheten, og de kan lese alt som ble sagt, og få sitt eget bilde av virkeligheten. Så får heller Christensen og jeg være uenige om Jeg forstår at det er veldig ulike ting. Det jeg har sagt, er at jeg ikke har problemer med at man bruker sterke bilder når man ser slike eksempler som man har sett her. Det er jo ikke helt fjerntliggende å si at det kan være et motiv at en som administrerer et system som gir millioner på millioner av kroner til Arbeiderpartiets valgkamp, blir plassert i et styre for et selskap og mottar godtgjørelse for det. Det er ikke helt unaturlig å forsøke å billedliggjøre det for folk flest. I og med at vi har fri debatt, betyr det også at det er ubegrenset adgang til replikker. Det betyr ikke at en kan forvente at replikkordskiftet varer inntil replikantene blir enige, men det blir allikevel anledning til én replikk til fra representanten Christensen.
Det betyr altså at sjølv etter at representanten Anundsen har vore i høyringa, meiner han at det går an å beskrive dette som korrupsjonsliknande tilstandar og som mafiaverksemd. Då kan eg anbefale å hente fram definisjonen av dette og referatet frå høyringa. For det er ingenting i den høyringa, uansett kva parti ein høyrer til, og uansett kva verkelegheitsforståing ein vel seg, som passar, som gjer at det går an å definere inn noko av dette. Så eg må berre spørje Anders Anundsen: er ei verkelegheitsoppfatning som kjem til å stå seg når folk kikar etter i referata? Det er mulig at vi snakker litt forbi hverandre, for det ene er uttalelser som kommer på bakgrunn av medieoppslag. Disse medieoppslagene førte til kontrollsak. Så har kontroll- og konstitusjonskomiteen laget sin sak, basert på de opplysningene som vi da fikk fra media og fra statsråden. Deretter har vi gjennomført kontrollhøring. Uttalelsene som Christensen viser til, kom jo lenge før dette ble en formell kontrollsak i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så jeg tror rett og slett at også Christensen må se litt nærmere på hva som egentlig er kontroll- og konstitusjonskomiteens sak, og hva som blir debattert utad, i media. Det er noen ganger litt ulikt. Flere har ikke bedt om ordet til replikk. Det blei litt fart i sakene, for å seia det sånn! Men eg må nok opplysa komiteens leiar, Anders Anundsen, om at det neppe er korrekt å utnemna Martin Kolberg til teatersjef, for ein teatersjef har nemleg anledning til å bestemma kva stykke han ønskjer å setja opp. Det har ikkje Kolberg hatt i denne saka. Så er det korrigert og den kunnskapen på plass hos komitéleiaren. Det som er historia frå høgrepartia, Framstegspartiet og Høgre, er at dei driv ikkje med politikk, dei driv berre med kontroll og høyringar for kontroll. Det har ingenting med politikk å gjera. Det er jo interessant, eg trudde nettopp at det var noko av det me heldt på med. Men i denne saka gjer me tydelegvis ikkje det. Me driv berre med kontroll i denne saka. Så kan ein spørja om det som har stått i avisene om mafiaverksemd og maktarroganse, på ein måte byggjer opp mot at me må gå vidare på dette sporet. Eg ville jo tru at ein leiar av kontrollkomiteen ville ha samtalar med sin partileiar om korleis ein skal takla nyheitsbildet. Eg vil jo gå ut frå at det er klarert med Anders Anundsen at Siv Jensen skal seia det ho seier, og at Per Sandberg skal seia det han seier. Då blir det litt rart at ein prøver å vri seg unna det, men eg trur i alle fall det er normalt i andre parti at dersom ein skal bruka så sterke ord mot nokon, bør ein sjekka det opp mot komiteens leiar. Så til denne høyringa. Regjeringspartia ville ikkje ha noka høyring, det var utgangspunktet. Så kjem høyringa. Me bruker masse tid på å førebu oss. Me har forsøkt å få ei brei høyring. Me har bl.a. trekt inn Børge spørsmål til alle, men når me kjem til Børge Brende, som kan fortelja noko om korleis det er å sitja i styret i Statoil, og korleis det er å vera styreleiar i Mesta, og korleis ein kan utøva sin posisjon som medlem av eit styre, stiller altså ikkje Høgre og Framstegspartiet nokre spørsmål til han. Dei hoppar altså galant over den moglegheita dei har i forhold til eigne folk, eigne høgrefolk. For meg blir det

at det eigentleg ikkje er politikk å utnemna folk til styra. Per-Kristian Foss bruker Harald Norvik som sanningsvitne på at dersom ein blir invitert inn som eigar, må dei nye eigarane få innflytelse. Ja, nettopp – det må dei jo. Harald Norvik har vore direktør i Statoil, som blei delprivatisert og det er jo klart at då må ein gje innflytelse til dei nye eigarane. Det er derfor dette dreier seg om kva slags folk som sit i styra, og kva politiske haldningar dei har til det eigarskapet. Vil dei ha eit aktivt eigarskap, eller vil dei har eit passivt eigarskap, der ein berre sit og tel pengar? Eg vil jo tru at Framstegspartiet og Høgre vil oppnemna folk til styra som på ein måte gjer noko av det dei ønskjer frå staten si side. Det er i alle fall sånn eg tenkjer: Dersom ein har ei raud-grøn regjering, ønskjer ein på ein politikk, òg gjennom den eigarskapsutøvinga ein har. Og det er det uttrykket eg oppfattar at Trond Giske har forsøkt å vareta i forhold til det fleirtalet han har i ryggen for å driva med eigarskapspolitikk. Det ser altså representantane frå Framstegspartiet og Høgre vekk frå, og dei forsøker altså å gjera dette til ei sak som først og fremst ikkje dreier seg om politikk. Men når ein ser på historia, ser ein jo at dette sannsynlegvis dreier seg om eit takk for sist til Trond Giske i forhold til Telenor-salet. Nei, her har opposisjonen hatt ei dårleg sak. Stortinget og kontrollkomiteen har brukt masse tid på ei sak som me ikkje burde ha brukt tid på. Det bør vera lærdommen for Høgre og Framstegspartiet i denne

Nå forsvarer partiet eksempelvis utvelgelse av styremedlemmer i statlige selskaper uten ordinær saksbehandling, opprettelse av nye betalte styreplasser for å få inn dem man ønsker – med riktig partibok – samt ansettelse av angivelige venner i sentrale stillinger. Jeg vil derfor spørre representanten Langeland om han er komfortabel med sin nye rolle som forsvarer av den «maktå» som han tidligere var så imot? Eg vil ta sterkt avstand frå at SV ikkje har innflytelse i dagens regjering. Tvert imot. Derfor snakkar me om Framstegspartiet og frykta for at Framstegspartiet faktisk skal få innflytelse med sin politikk i ei ny regjering. Det ville dei jo fortena, men eg håper aldri det blir ei sånn regjering. Men det som skjer her, er at ein fortset med dei påstandane som høyringa har tilbakevist som eit problem. Det er det Vaksdal gjer no. SV har sjølvsagt stilt dei kritiske spørsmåla me skulle. Me stilte òg kritiske spørsmål til Børge Brende, ein person som Framstegspartiet ignorerte og sa ein ikkje ville stilla noko spørsmål i det heile. Så her må Vaksdal forklara seg betre enn det han gjer, ikkje berre utfordra SV i posisjon når det gjeld den jobben. Men me har frå fleirtalet si side gjeve eit signal til næringsministeren om at me ønskjer at ein skal føra protokoll i selskap som ikkje gjer noko skikkeleg med leiarlønnsproblematikken. Det er òg å driva politikk og aktivt eigarskap – som Framstegspartiet ikkje vil. Jeg registrerer at representanten Langeland ikke svarer på om han trives i sin nye rolle. Han ser ikke ut til å trives i sin nye rolle som forsvarer av «maktå». Det kan jeg i alle fall konstatere. SV har gjennom en årrekke framhevet hvor viktig det er at vi har et aktivt eierskap i de statlige bedriftene, for nettopp å påvirke, kontrollere og styre utviklingen i disse bedriftene. Jeg har registrert at SV og representanten Langeland har vært mer enn gjennomsnittlig opptatt av at lederlønningene i statlige bedrifter ikke skal være lønnsledende. Er representanten Langeland tilfreds med utviklingen i de statlige lederlønningene nå, etter at hans parti har vært i regjering i snart åtte år? Fordelen med SV er at me ønskjer statleg eigarskap, me ønskjer å vera med og styra statens eigarskap. Enkeltheita til Framstegspartiet er at ein skal selja seg ned, så slepp ein å ha noka styring i det heile. Privatiser, privatiser, privatiser. Då er det jo enkelt. Då sit du berre og ser på marknaden og marknadsmakta. Du bruker ikkje den eigarskapen du har sjølv. Det er god framstegspartipolitikk, men det er ikkje god SV-politikk. Når det gjeld det som skjer i selskapa med styreoppnemningar og leiarlønningar, er det nettopp tema som SV har vore synleg på i media. Det står noko om dette i innstillinga. Det står at staten som eigar ikkje er fornøgd med leiarlønningane, skal ein skriva protokoll. Dersom ein skriv den protokollen, vil det eventuelt føra til at dei styremedlemmene som ikkje følgjer opp statens politikk, går ei utrygg framtid i møte. Det er å bite på denne forenklede versjonen av Hallgeir H. Langelands syn på Fremskrittspartiets politikk. Jeg skal prøve å la det være. Jeg hadde egentlig tenkt å innlede med at SV, som et lov-og-orden-parti, er opptatt av at andre skal følge regler, men så kom jeg på at SV ikke er et lov-og-orden-parti, så jeg tenkte at det også var en dårlig innledning. Men jeg prøvde meg på Martin Kolberg i stad for å få ham til å fortelle hvorfor det er så viktig at staten som eier skal ha en snarvei forbi alle de prosessene som alle andre eiere er en del av. Det i hvert fall SV forsøker å gi et inntrykk av, er at det er et parti for den lille mann. Jeg antar at det da også er den vanlige aksjonær. Det er masse folk som er aksjonærer i Telenor. Hva er årsaken til at staten skal ha opplegg for måten den spiller inn i disse prosessene på, på bekostning av den lille mann? No veit ikkje eg kor mange aksjar den lille mann har. Mitt inntrykk er at det er fleire større menn enn små menn som har store aksjepostar. Med utgangspunktet mitt antar eg – dette må eg svara litt usikkert på, det må eventuelt næringsministeren svara på – at det har noko å gjera med at når du har ein høgare eigardel, altså over 50 pst., og ønskjer å gjera dette på ein måte som gjer at du ikkje hamnar i trøbbel, så kan det gjerast på den måten. Dette kan eg ikkje nok om, men dersom ein tar ein ny replikk her, vil eg håpa at leiaren av komiteen – altså teatersjefen – seier kva som er kome ut av denne som står frå regjeringspartia si side, knytt opp mot protokoll på generalforsamlinga. Det siste er veldig enkelt å svare på – selv om det vel er jeg som skal stille spørsmålene, og Langeland som skal svare i denne runden – nemlig at medias fremstilling av denne saken er blitt bekreftet. Det er en ganske stor endring – fra det å ha ubekreftede påstander i media til det å ha bekreftet en situasjon og et hendelsesforløp. Det mener jeg er hele poenget med kontrollhøringer. Det er mulig Langeland mener noe annet. Når staten i et selskap, som f.eks. Telenor, beslutter å selge seg ned og inviterer både den lille og den store mann og kvinne i gata for å bidra inn i et aksjonærfellesskap for å sikre verdier, men selv beholder et flertall av aksjene, burde ikke det også føre til at staten har den nødvendige respekt for de øvrige aksjonærene ved å følge de prosedyrene som alle de andre aksjonærene må følge? Akkurat det samme er tilfellet i Kongsberg Gruppen, hvor valgkomiteen i kontrollhøringen sier: Hadde noen andre eiere – store eller små – kommet til oss med dette, hadde vi nektet. Som sagt i mitt forrige svar er min kunnskap om dette avgrensa. Derfor svarte eg like utydeleg som eg kjem til å svara utydeleg no, for eg ser ikkje på det som den med éin aksje skal ha dei same rettane som dei med 53 pst., som i Telenor-saka. Det ser ikkje eg nødvendigvis som det store poenget. Så er det òg sånn at når du driv med statleg eigarskap og eig mykje, må du òg tenkja strategisk opp mot det du vil oppnå med det selskapet, som den største eigaren. Då synest eg det for så vidt er rimeleg at ein har sånne rettar. Det er jo riktig at det er ulike rettigheter, ut fra hvor stor aksjepost du har. ut fra hvor stor aksjepost du har. Men alle aksjonærer fortjener den samme respekten. Jeg forstår at Hallgeir H. Langeland ikke er så opptatt av det, men at eierskap på SVs hender betyr at de bruker det flertallet på akkurat den måten de vil. Det er jo akkurat det børsdirektøren sier: tilliten til det statlige norske eierskapet. Det er akkurat det som er utfordringen når en ikke klarer å forholde seg til de rammene som alle andre forholder seg til. Så må jeg bare stille et spørsmål knyttet til det Langeland tok opp i sitt innlegg om Børge Brende. Denne kontrollhøringen hadde altså tre konkrete hendelser i tre konkrete selskaper som utgangspunkt. Så insisterte regjeringspartiene på å få med et par ekstra, bl.a. Børge Brende, som selv om Langeland forsøker å fremstille det som om det er høyrepartier. Det er ulike partier, og han har ingenting med oss å gjøre. Man mente det hele var bortkastet tid. Børsdirektøren og ulike styrerepresentanter er uenig i det. Børge Brende hadde ingenting nytt å tilføre saken – eller hadde han det? Eg beklagar dersom eg fornærmar Framstegspartiet med å trekka dei inn i ein klump som heiter høgrepartia. Men SV er veldig klar over at Framstegspartiet er eit eige parti, og me ser fram til forhåpentlegvis å vera ein hovudfiende til den politikken Framstegspartiet står for. Når det gjeld respekten for dei små aksjonærane, tenkjer eg litt annleis. For det fyrste, hadde det vore opp til SV – i alle fall opp til meg – hadde dei statlege aksjepostane ikkje vore så små som dei er. Då hadde Statoil vore 100 pst. statleg eigd, og då hadde me ikkje å gjera med nokre små aksjonærar. Sånn ville det vore i fleire av selskapa. Det er utgangspunktet mitt. Respekt for småaksjonærar? Ja, men me skal òg ha respekt for det norske folk, som eig større delar i Telenor, Statoil osv. Den respekten må me ha for folk flest, som altså eig selskapa våre. Representanten Langeland var nå så ivrig med å svare på noe jeg ikke spurte om, så jeg gir ham 1 minutt til. Hva var det for noe nytt Børge Brende bidro med i den kontrollhøringen, som SV mente var helt unødvendig? Det Børge Brende gjorde, var at han bekrefta at han hadde fått ein posisjon – dei to styra han sat i. Når det gjeld det eine styret, Mesta, har eg faktisk vore i konflikt med han fordi han selde ut asfaltdelen, noko eg var imot. Han var imot. Han bekrefta at den prosedyren som var følgd her – når det gjeld næringsministeren – til punkt og prikke var riktig. Det var det viktig for oss å få fram i den høyringa. Det fekk me fram. Så fekk me òg fram at statleg eigarskap er viktig, og at til og med Høgre-folk kan vera med og bidra til at det funkar.

I denne saken var det en brevveksling mellom komité og statsråd, og vi fant fra regjeringspartienes side ikke grunnlag for å opprette sak på tradisjonelt vis ut fra de svar som der ble gitt fra statsråden. Representanten Kolberg har her på en god måte beskrevet grundig hva som har skjedd i saken. Ved komiteens saksbehandling, da sak ble opprettet, og ved den heldagssaksbehandlingen som vi hadde i forbindelse med høringa, kom det ikke fram noen brudd på statens retningslinjer for god eierstyring. Det som kom fram, var at Nærings- og handelsdepartementet ved to anledninger hadde kommet med sine forslag for sent, etter det som var avtalt. Det som har kommet fram i denne diskusjonen, er at komitélederen har sagt at dersom det hadde blitt utvist noe større ydmykhet fra statsrådens side, ville en antagelig unngått saken. Vi står altså overfor en sak hvor den konstitusjonelt ansvarlige statsråd ikke har vist den nødvendige ydmykhet, sett fra opposisjonens side, og dermed har det blitt en sak. Det som da er kjernen i spørsmålet, er jo det underliggende i saken, nemlig synet på omfanget av statens eierskap og synet på utøvelsen av det statlige eierskapet. Når det gjelder omfanget av statlig eierskap, er det en uenighet mellom de klassiske høyrekreftene og de klassiske sosialdemokratiske eller sosialistiske interessene – og da med et senterparti som har et pragmatisk syn på statlig eierskap, hvor vi hele tiden har sett det som riktig innenfor f.eks. telecom-sida, innenfor forsvarsindustrien og innenfor det som går på bygg som staten bruker. Vi står derfor veldig trygt i en tradisjon hvor vi ser statlig eierskap som en nødvendighet for å komplettere det private eierskapet, som vi for øvrig ønsker skal være spredt på flest mulig hender. Når det så gjelder utøvelsen av det statlige eierskapet, som er det underliggende temaet her i dag, er det altså to selskaper som har vært mest i forgrunnen, nemlig Telenor, hvor staten sitter med og Kongsberg Gruppen – den tidligere Kongsberg Våpenfabrikk – hvor staten eier 50,001 pst. Det som har utviklet seg over tid, og som er sakens kjerne, er at det er blitt skapt en politisk forståelse, uavhengig av regjeringer – jeg vil understreke det – av at staten skal stille kapital til disposisjon for disse deleide statlige selskapene, hvor styret skal bruke den kapitalen etter vanlige regler for prinsipper i det private næringsliv, hvor prinsippene etter hvert blir stadig mer og mer inspirert av størst mulig avkastning på kort tid. Det som er det positive – og det ligger meg veldig sterkt på hjertet – som har kommet ut av denne saken, er at vi med utgangspunkt i saken har fått en diskusjon om hvordan en skal utøve det statlige eierskapet i selskaper hvor det også er private eiere med. Fra regjeringspartienes side er det i innstillinga klargjort at vi «ser det som avgjørende viktig at det statlige eierskapet ivaretar de særegne oppgavene som hel- eller deleide statlige selskaper skal sikre og videreutvikle på vegne av fellesskapet. Statlig hel- eller deleie innebærer altså langt mer enn høyest mulig aksjekurs slik det er for børsnoterte selskaper. Statlig eierskap er også et strategisk eierskap.» Det er det essensielle her at vi gjennom innstillinga har fått tydelig presisert at når staten er inne i selskap som deleier, er det for å ivareta de særegne forhold som fellesskapet skal ivareta. Det er altså et strategisk eierskap, samtidig som en sjølsagt må forholde seg til aksjelovens bestemmelser. Dette er på samme måte som når enhver annen eier er inne i et selskap: En har to fokus hele tida. Når det gjelder utøvelsen av eierskapet og de som sitter i styret, har vi fra regjeringspartiene vist til at det etter allmennaksjeloven er styret som er ansvarlig for fastsettelse av Etter vårt syn mener vi derfor at «staten må ha en aktiv rolle i utvelgelsen av styremedlemmer for å sikre at styrene følger opp statens retningslinjer for samlet økonomisk godtgjørelse for ledere og en moderat lederlønnsutvikling.» Og så har til alt overmål hele komiteen blitt enig om følgende formulering: «I flere heleide har ledelsens samlede økonomiske godtgjørelse nådd et for høyt nivå» – et for høyt nivå. Det viser altså at vi nå endelig har fått en diskusjon om både innholdet i det statlige eierskapet, utøvelsen av det og godtgjørelsen i henhold til det, som jeg vil påstå er en framgang i forhold til tidligere. Det er ikke første gangen at regjeringspartiene påpeker et behov for et mer aktivt statlig eierskap i forhold til de eierinteressene en har. Når en nå har fått det til, forventer jeg at en går fra merknader og over til handling på disse punktene. mener jeg er i beste tradisjon med hensyn til hvordan regjeringspartienes medlemmer opptrer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, for å påse at det som er Stortingets vilje, følges opp i de daglige handlinger. Det blir replikkordskifte. Denne saken har som kjent sin bakgrunn i medieoppslag om at næringsministeren hadde forsøkt å plassere en angivelig venn av seg i styret i Telenor, etter at valgkomiteen hadde gjort sitt forarbeid, påstander om at LO-lederen var tilgodesett med et eget betalt styreverv i Kongsberg Gruppen i et år hvor styret ikke engang var på valg, og påstander om at en ble forsøkt tilsatt som administrerende direktør i Entra uten at ordinære prosesser ble fulgt. I innstillingen skriver regjeringspartiene at de «stemte imot at denne saken skulle tas opp til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen», og at det «forelå ingen indikasjoner på at nærings- og handelsministeren hadde gått utover sine virkelig representanten Lundteigen i fullt alvor at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke skulle gått inn og undersøkt de svært alvorlige påstandene som framkom i pressen? Det som har kommet fram i høringa under komiteens behandling, er at statsråden ikke har gått utover sine fullmakter. Når det gjelder påstanden med hensyn til LO-lederen, og at statsråden og departementet var involvert i det, det her tidlig klart at det som var sannheten, var at det var valgkomiteen som på sjølstendig grunnlag valgte en slik løsning, som innebærer at en varerepresentant – i dette tilfelle Roar Flåthen – får fast møterett og en høy godtgjørelse. Det er noe som valgkomiteen gikk inn på. Det er sikkert mange meninger om det. Jeg er blant dem som ikke har noen spesiell sans for den formen for godtgjørelse, men det er da en vurdering som de som tok den, har ansvaret for. Jeg skal gi representanten Lundteigen en ny sjanse. Er det ikke vår plikt både som politikere og som kontrollkomité å undersøke slike alvorlige påstander? Er ikke alle parter tjent med at alle fakta kommer på bordet i en så viktig Det er viktig å undersøke påstander. Det ble en brevveksling mellom komiteen og statsråden, og de svar som ble gitt på saken, var for oss fyllestgjørende. Den videre behandlinga har ikke gitt informasjon som har kunnet påvise at statsråden har brutt de retningslinjer som er for statlig eierskapsstyring. La meg først korrigere noe i representanten Lundteigens innlegg, hvor han konkluderte med at jeg som komitéleder hadde sagt at saken ville vært unngått dersom det hadde vært utvist noe mer ydmykhet fra statsrådens side. Det er direkte feilsitat. Det er ikke det jeg har sagt. Det var en generell kommentar knyttet til ydmykhet som en del politikere kan ta med seg videre – ikke bare statsråden, men også vi andre. har lyst til å utfordre Lundteigen på det jeg har forsøkt å utfordre både Kolberg og Langeland på. Det er prosedyrer for hvordan man skal spille inn representanter som en ønsker inn i et styre. Hvorfor mener Lundteigen det er riktig at staten som eier skal benytte seg av en særskilt mulighet til å kortslutte disse prosessene på de andre eiernes bekostning? Det jeg sa om ydmykhet, var en forståelse jeg hadde av det som var innlegg, og jeg beklager hvis jeg skulle ha uttrykt meg annerledes. Men dette lå klart som min forståelse av det som var innlegget til representanten Anundsen. Når det gjelder prosedyrer, er det klart at enhver organisasjon har prosedyrer, og en må ha prosedyrer for å ha ryddighet. regjeringspartienes side har vi påpekt at ved to anledninger har prosedyrene ikke blitt fulgt, ved at vi sier at en har kommet for seint med sine kandidater. Bare en kort oppfølging: Betyr det da at representanten Lundteigen er enig i den kritikken som er kommet, og at han er enig i at regjeringen må gå igjennom måten de håndterer denne typen saker på? Alle tre regjeringspartiene påpeker i innstillinga det jeg nå nettopp sa, nemlig at det i to tilfeller har vist seg at Nærings- og handelsdepartementet har kommet med innspill på kandidater noe seint. Det er noe vi ser på som ikke ønskelig, og jeg regner med at departementet gjennom denne diskusjonen vi har her i dag, påser at en går fram på en slik måte at en på et tidligst mulig tidspunkt, for departementets eierinteresser, spiller inn sine folk for å ivareta sine interesser. Jeg regner med at departementet for næring og handelsvirksomhet er en lærende organisasjon. Jeg tolker det som et ja, og det er jeg glad for. Jeg er fornøyd med det svaret. Jeg må også stille et spørsmål knyttet til Kongsberg Gruppen og utnevnelsen av Flåthen, for der kom Lundteigen i skade for å gi inntrykk av at det var noe valgkomiteen på sitt eget vis hadde kommet til, og at de sto fullt og helt bak den konklusjonen. På spørsmål i kontrollhøringen brukte jeg som eksempel – og det er gjengitt i innstillingen – den fremstillingen representanten Kolberg forsøkte å gi i denne saken, som var i tråd med det representanten Lundteigen nå gjorde, nemlig at dette var noe valgkomiteen kom på etter eget hode, og at de sto fullt og helt bak. Jeg spurte konkret Morris om det var en riktig forståelse av situasjonen, og hun svarte «Nei». Jeg lurer på om Lundteigen vil korrigere det han nettopp svarte? Jeg har ingen behov for å korrigere det. Det jeg sa, var at når det

Statlig eierskap forplikter. Det gjelder enten det er heleide eller deleide selskaper. Eierskap skal forvaltes på en ryddig og god måte, fastsatte regelverk må følges, og det skal forvaltes i henhold til de regler og ordninger Stortinget fastsetter for det statlige eierskapet. Når staten er eier sammen med andre, er det også viktig at staten opptrer og følger de samme retningslinjer som andre eiere og ikke tar seg til rette på en måte som andre eiere ikke kan gjøre. I denne saken er det særlig tre selskaper komiteen har sett nærmere på: Telenor, Kongsberg Gruppen og Entra Eiendom. I de to førstnevnte selskapene dreier det seg om styresammensetning og i sistnevnte ansettelse av administrerende direktør og statsrådens habilitet. I Telenor er det eksempel på forskjellsbehandling av aksjonærer. Etter at en grundig prosess i valgkomiteen når det gjaldt valg av styremedlemmer var avsluttet, kom staten ved Nærings- og handelsdepartementet med krav om å få inn to kandidater, dette selv om det satt representanter for departementet i valgkomiteen. Det sier vel nok når lederen i valgkomiteen opplyser i kontrollhøringen at han aldri hadde opplevd at det var kommet innspill på kandidater så sent i prosessen. Når det gjelder Kongsberg Gruppen, kom det innspill fra departementet om at LO-leder Roar Flåthen skulle inn i styret selv om ingen av de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg. Innspillet kom samme dag eller dagen etter at valgkomiteens arbeidsfrist gikk ut. Løsningen ble at Flåthen ble varamedlem med full godtgjørelse, men uten det ansvar som følger med styremedlemskap. Statens representanter spilte ikke inn navneforslaget under prosessen. Representant for valgkomiteen bekreftet i kontrollhøringen at en aldri, verken før eller siden, hadde vurdert tilsvarende løsning. Andre aksjonærer ville vært avskåret fra tilsvarende innflytelse på valgkomiteens arbeid. Dette er etter vår oppfatning en uryddig måte å forvalte eierskap på fra Nærings- og Så til saken om Entra Eiendom. Lovavdelingen konkluderte allerede i april 2012 med at statsråd Giske var inhabil i saker hvis avgjørelse innebar særlig fordel, tap eller ulemper for konstituert administrerende direktør Rune Olsø, som senere ble ansatt i stillingen – selv om tre av styrets medlemmer mente andre kandidater var bedre kvalifisert. Først rundt et halvt år senere, 9. oktober 2012, ble det oppnevnt settestatsråd for Giske. Da kan man spørre seg hvorfor det ikke ble gjort før. I kontrollhøringene kom det fram fra flere av de inviterte at staten generelt var alt for sen med å komme med sine innspill til styrekandidater. Jeg vil understreke at det er viktig at departementet opptrer ryddig når en gir innspill på sine kandidater. Kristelig Folkeparti støtter derfor forslagene som fremmes i innstillingen. Det er viktig at departementet gjennomgår sin praksis med hensyn til valg i selskaper hvor staten har store eierinteresser, og at det sikres at Stortingets forutsetninger følges opp. La meg starte med å si at jeg også er veldig opptatt av at vi skal ha et ryddig forhold rundt eierskapsutøvelsen vår, vi skal ha en ansvarlighet, og vi skal også ivareta aksjonærfellesskapet på en god måte. Det denne kontrollhøringen, denne saken og denne debatten faktisk viser, er at det er til stede. Det er faktisk ryddighet, det er ansvarlighet, og en ivaretar aksjonærfellesskapet på en grei måte gjennom den statlige eierskapsutøvelsen. Men så blir det sagt av saksordføreren at dette må oppfattes som en «stikkprøvekontroll». Stikkprøvekontroll basert på hva? Det jeg ikke helt skjønner når opposisjonen bruker ord som «brudd» på eierskapsmeldingen, eller i hvert fall brudd på Stortingets forutsetninger, er hvilke brudd det er som er avdekket. Det bruker ord som «brudd» på eierskapsmeldingen, eller i hvert fall brudd på Stortingets forutsetninger, er hvilke brudd det er som er avdekket. Det står ingen ting i innstillingen om hvilke brudd en henviser til. Jeg kan ikke med min beste evne – etter å ha gjennomlest eierskapsmeldingen nok en gang, gjennomlest retningslinjene i tilknytning til eierskapsmeldingen eller finne noen grunn til å si at det er brudd på Stortingets forutsetninger. Det ville vært klargjørende om i hvert fall opposisjonen kunne antyde hva det var av brudd på Stortingets forutsetninger. Tvert om er det Stortingets forutsetninger at det er et aktivt eierskap som utøves gjennom eierskapsutøvelsen, og at en ivaretar også eierskapsutøvelsen gjennom den aktiviteten som ligger til grunn. kan jeg være enig i at det kan være en fordel hvis en får innspill til valgkomiteene eller nominasjonskomiteene på et tidlig tidspunkt. Men det er jo ikke brudd på forutsetningene at de kommer inn sent. Det er heller ikke sånn at det er en snarvei, eller at det er en maktutøvelse å foreslå sent i prosessen. Det er faktisk sånn at det er enstemmige nominasjonskomiteer som fremmer sin innstilling for generalforsamlingen. Det har det vært i alle tilfellene. Så det kunne vært greit å få rede på hvilke forutsetninger det er Stortinget har satt, og hvilke av dem det er brudd på, for det er for meg totalt utydelig. Vi må legge til grunn at de nominasjonskomiteene som er selskapenes organer, og som fremmer kandidater for en generalforsamling, faktisk utøver sin rolle med stor integritet. Men selvfølgelig er det en fordel – og en klar vilje til – at eier og store eiere skal høres. Det har Stortinget sagt veldig ettertrykkelig i behandlingen av eierskapsmeldingen og gjennom sin innstilling, hvor de legger til grunn at det vektlegges mangfold, bredde og ulike erfaringsmessige bakgrunner i valg av styrer der staten er eier. Jeg har ennå til gode å høre et snev av hvilke forutsetninger som er brutt i denne saken. Det andre som gjør meg urolig, er noe som jeg mener er høyst merkverdig. Det er at flertallet velger å innkalle nominasjonskomiteene i de enkelte selskap for å vurdert prosessene, hvordan de har vurdert også enkeltpersoner i tilknytning til dette. Det er som saksordføreren sa, at de hadde egentlig ikke forventninger om klare og tydelige svar, fordi store verdier – ikke minst med hensyn til selskapenes markedsverdi og prising og så videre – ble utsatt gjennom de svarene de eventuelt kunne avgi. Det er etter min oppfatning en høyst merkverdig opptreden at man i kontrollkomiteen tillater seg å innkalle nominasjonskomiteens medlemmer og ikke tør å stille dem spørsmål fordi det svekker selskapenes verdier. Jeg mener at denne saken vitner om dårlige vurderinger fra enkelte av denne salens representanter. Det er fullt mulig å være uenig om hvor en vil, og det er fullt mulig å uttrykk for at en kanskje vil håndtere saker ulikt og prøve gjennom det å redusere betydningen av det statlige eierskapet, eller på den måten å sverte eierskapsutøvelsen, men det er ingen tvil om at det her har vært en jakt etter en statsråd. Jeg synes at det i referatet fra høringen kommer tydelig til uttrykk i spørsmålsutvekslingen mellom komiteens leder, Anders Anundsen, og Jan Erik Korssjøen – jeg skal ikke referere alt de bevisst vil prøve å få fram at det var andre enn Wikborg som hadde fremmet – skal vi si – statens synspunkter i nominasjonskomiteen. Det er helt opplagt at det var et jag etter en statsråd i den høringen som var, og etter min mening understreker referatet det med all tydelighet. Gjennom eierskapsmeldingen har vi veldig tydelig slått fast at vi på Stortinget har forventninger til hvordan en setter sammen styrene, om kompetanse, om kapasitet, om relevant mangfold. Ja, vi har sågar understreket det i flertallets innstilling. Opposisjonen, de som nå fremmer de sterkeste argumentene mot det som nå har skjedd, de var jo på en helt annen linje. De ønsket mer passivitet, mer tilbakeholdenhet fra statens side, men Stortingets flertall har uttrykt en klar vilje, en klar mening, om hvordan de styrene skal settes sammen. Jeg har lyst til å gå tilbake til Bondevik-regjeringens tid og til St.meld. nr. 22 for 2001–2002 og understreke det som der ble sagt, for der står det: «Styrerekruttering er derfor en svært viktig arbeidsoppgave for staten som eier.» Ja, det er gjennom generalforsamling og gjennom eller sammensetning av styrer at en utøver mye av eierskapet. Jeg skal avslutte med å si at jeg virkelig håper vi får et svar på hvilke forutsetninger som er brutt, og at de blir tydeliggjort fra opposisjonen, som til de grader, også i denne debatten, sår tvil om hva Stortingets vilje egentlig er gjennom behandling av eierskapsmeldingen og gjennom den innstillingen som foreligger i tilknytning til denne saken. Jeg ser på ingen måter at Stortingets forutsetninger er brutt. Tvert imot synes jeg at statsråden og næringsministeren følger opp de retningslinjer flertallet har satt på en veldig god måte. Vi ønsker et aktivt eierskap og understreker betydningen av det. Det blir åpnet for replikkordskifte. Det var jo et artig innlegg fra næringskomiteens leder. Det fremgår altså av innstillingen to helt konkrete forhold som opposisjonen mener det foreligger brudd på. Det ene er forutsetningen om at aksjonærer skal likebehandles, og det andre er at eierskapsutøvelsen skal være profesjonell. I tillegg bygger kontrollhøringen opp rundt den øvrige kritikken som fremgår av innstillingen, så ved å lese innstillingen litt nøyere, ville sikkert lederen av næringskomiteen ha fått med seg det. Jeg vil stille et spørsmål til lederen av næringskomiteen Jeg har forsøkt å få svar på hvorfor det er viktig at staten skal ha sin egen bakvei inn i nominasjonskomiteenes arbeid i store statlige selskaper, hvor staten er deleier, men ikke heleier. Hva er årsaken til at staten skal ha denne snarveien og kortslutte de prosessene selskapets øvrige aksjonærer må forholde seg til?
av at staten har en snarvei som kortslutter prosessene, slik som det blir framstilt, er feilaktig. Jeg mener at det å spille inn til nominasjonskomiteen, det at nominasjonskomiteen sikrer seg en dialog med de store eierne, er en ganske naturlig del av en sånn prosess. I alle tilfellene er det en enstemmig nominasjonskomité som legger fram sin innstilling for generalforsamlingen, og det er som legger fram sin innstilling for generalforsamlingen, og det er nominasjonskomiteens oppgave å ivareta helheten og aksjonærfellesskapet på en god måte. Det regner jeg med og tar for gitt at nominasjonskomiteene faktisk gjør, og det er jo også sånn at nominasjonskomiteene har forkastet enkelte av de innspillene vi har sett gjennom denne kontrollhøringen. Jeg mener at prosessene i tilknytning til det vi er blitt kjent med gjennom høringen som har vært, og det som står i Stortingets dokumenter, har vært gode og at de også ivaretar Det står jo i direkte motstrid til det som flere sentrale styrerepresentanter, som representerer staten i store deleide statlige selskaper, har skrevet i en artikkel som jeg viste til i mitt innlegg. Dette er ikke en diskusjon om hvorvidt staten har rett til å spille inn kandidater eller navn eller om det er riktig eller ikke å ha dialog med en stor eier. Selvfølgelig er det naturlig å spille inn navn, selvfølgelig er det naturlig å ha dialog med stor eier. Poenget her er at i Telenor-saken har de jobbet i åtte måneder og har hatt 23 møter, og når det er ferdig, da kommer staten med innspill på et navn, til tross for at departementet har vært representert i valgkomiteen. Det er en kortslutning. Det er en snarvei som ingen andre aksjonærer har tilgang til å benytte seg av. Akkurat det samme er tilfellet i Kongsberg Gruppen-saken, hvor valgkomiteen i kontrollhøringen var helt tydelig på at ingen andre aksjonærer ville blitt behandlet på den måten som staten ble. Da er spørsmålet: Hvorfor skal staten ha muligheten til å kortslutte slike viktige prosesser i store internasjonale selskaper? Jeg mener det jeg sa i utgangspunktet for mitt første svar. Jeg oppfatter ikke dette som en kortslutning. Jeg oppfatter at staten også ivaretar sine interesser gjennom å spille inn til nominasjonskomiteen. Så er det nominasjonskomiteen som vurderer de innspillene, og i begge tilfellene – både Telenor og Kongsberg Gruppen – så er det en enstemmig som altså har lagt fram sin innstilling for generalforsamlingen. Det kan ikke, med beste mening, omtales som en kortslutning. Jeg har også lyst til å understreke det Morris sier om sitt arbeid i tilknytning til nominasjonskomiteen for Kongsberg Gruppen, at det er en stor fordel at store eiere blir hørt, og at det er naturlig at store eiere også får en samtale om dette. Det
er vi jo skjønt enige om at det er helt naturlig og helt vanlig, og det bør også gjøres, men det bør gjøres på den samme måten som absolutt alle andre aksjonærer får anledning til, ikke gjennom en kortsluttet prosess. Jeg synes det er en merkelig form for skyggeboksing som lederen av næringskomiteen driver. Han har sikkert lært av statsråden, for han har sagt akkurat det samme i media, at siden det er enstemmige innstillinger fra komiteene, så er alt såre vel. Det er – med respekt å melde – helt på siden. Hvis valgkomiteen ikke tar hensyn til et press fra den største eieren om hva de skal gjøre, ja, så vet de hva som er resultatet, da er de ferdige, da har de ikke den jobben i neste runde. bekreftes av måten Martin Kolberg reagerte på Aftenposten-artikkelen på. Han sa at ikke bare opponerer de mot statsråden, men de opponerer mot et stortingsflertall, og de bør tenke seg om for å vurdere om de i det hele tatt bør sitte i et slikt styre. Er lederen av næringskomiteen enig med Kolberg i at styrerepresentanter ikke skal ha egne meninger om Styremedlemmer må selvfølgelig ha egne meninger om selskapene, også der hvor staten er eier. Men jeg tror det er viktig at de styremedlemmene som sitter i selskaper hvor staten er eier, også har det inntrykk at dette ikke er eierløse selskaper. Det jeg tror Fremskrittspartiet og Høyre egentlig vil, er at en skal ha styremedlemmer som opptrer som om selskapene er eierløse. Det ønsker ikke vi. Vi har en bestemt mening om eierskapet – ut fra en strategisk vurdering, ut fra en mangfoldsvurdering når det gjelder styrets kompetanse, osv. Vi ønsker selvfølgelig også å utøve eierskapet på en aktiv måte. Jeg registrerer gjennom nok en gang å lese innstillingen til eierskapsmeldingen da vi

Jeg er ikke sikker på om det er Stortingets problem at representanten Aasland ikke har finlest eierskapsmeldingen, som det står mye riktig og fornuftig i, og som det var bred tilslutning til her i salen. Blant annet står det at det er ganske store verdier på spill. Så det er mer enn formaliteter vi diskuterer. Det står også beskrevet at selskaper med sterkt innslag av offentlig eie betaler en rabatt i aksjemarkedet i form av en lavere prising av selskapene. Denne rabatten reflekterer den politiske risiko som foreligger for de øvrige aksjonærer, ved at selskapet ikke nødvendigvis alltid drives etter rent forretningsmessige prinsipper. Jo mer man har en «record» om at man driver saklig og forretningsmessig, jo mindre vil denne rabatten være. Jo mer uryddighet, jo mer partipolitisk uro som bringes inn i styrende organer, jo større vil rabatten bli, med det tap som man da indirekte påfører skattebetalerne. Store internasjonale selskaper – som vi heldigvis også har her i landet – henter aksjonærinnskudd fra hele verden. Helt avgjørende for utenlandske investeringer er tiltro til at vertslandets stat underkaster seg de forpliktelser som gjelder alle som vil drive virksomheten sin i form av aksjeselskap. I eierskapsmeldingen, som jeg har referert til før, er det gjort en flott opplisting av land som nettopp sliter med et dårlig renommé – og følgelig betaler en høyere rabatt på Det er dessverre slik at særlig selskaper i det tidligere Øst-Europa har måttet leve med en underprising av selskapsverdier – på 20–25–30 pst. Men tillit kan også svekkes i land som er etablerte rettsstater. Internasjonale investormiljøer holder øye med den politiske utvikling og vurderer fortløpende om selskapene forvaltes ut fra forretningsmessige krav eller ut fra politiske sidemotiver. Representanten Lundteigen sa tidligere i debatten at eiendomsrett gir styringsrett. Det er mulig at hans erfaring er begrenset til tomteeierens vanlige eneeie, men dette er ikke et jungelord som kan stå alene når det gjelder aksjeselskaper. Aksjeselskapsformen er en måte å eie kollektivt på og har interaksjoner med medeiere man ikke en gang vet navnet på. Det er nettopp slik at aksjeselskapsformen har regler som ikke gir ubetinget styringsrett på tvers av mindretallets interesser. Det er krav om likebehandling av aksjonærgrupper når det gjelder informasjon, og når det gjelder styrerepresentasjon. Det er faste spilleregler. Det er en fastlagt ansvars- og rollefordeling mellom selskapsorganene så lenge de er i virksomhet. Det betyr at hvis en nominasjonskomité er vedtektsfestet, er det også den som fremmer innstillingen. Den må altså kjenne til alle innspill fra aksjonærene hvis den skal kunne gjøre en god jobb. Selv om man har flertall i selskapet, må man ta seg bryet med å fremme generalforsamlingens interesser og vedtak ved å avholde generalforsamlinger. Mellom generalforsamlingene må man respektere styrenes autonomi og integritet. Uten disse reglene hadde staten ikke fått medinvestorer. Uten disse reglene hadde de statlig eide og statlig deleide selskapene ikke hatt den verdien som de har. Martin Kolberg la inn i sitt forsvar for statsråden verdien av aktivitet, som statsråden som eier kan utvise. Ja, det er fordeler med å holde seg orientert og være interessert i virksomheten som drives, men det er ikke det vi diskuterer. Det er om denne aktiviteten skjer utenom, eller om den skjer på siden av, om den skjer i konkurranse med eller i motstrid til selskapets ordinære organer og deres virksomhet. Så stiller Kolberg spørsmål om hvordan det hele startet. Det startet med innblandingen i en enstemmig beslutning i Telenors styre om å bidra til å selge en aksjepost i TV 2, slik at en forkjøpsrett som man med åpne øyne hadde forpliktet seg til i aksjonæravtalen, ikke skulle bli en realitet. Statsråden likte ikke denne beslutningen i et selskap, men brukte statens blokkeringsmakt i et annet det samme. Det ble altså utøvet et press fra eier om å påvirke styret til å gjøre noe som man mente selskapet ikke var tjent med. De som sier at det ikke er dokumentert brudd på eierskapsmeldingens prinsipper fra statsrådens side, kan begynne lesningen i innstillingen på side 7, der tidligere styreleder Harald Norvik i Telenor uttaler: «Jeg har selv vært utsatt for utidig press av statsråden, og det er godt kjent for komiteen, for det har dere behandlet tidligere. Det var et press for å ta en annen avgjørelse enn det styret hadde bestemt seg for å ta, en avgjørelse som styret selv har ansvar for å ta, i henhold til styringsprinsippene til staten. Det er utidig press. Det har skjedd, det kan komme til å skje igjen, og det er et forhold som man er nødt til å snakke om i offentligheten, fordi det er et brudd med statens eierstyringsprinsipper.» Norvik sa også i kontrollhøringen at det var en direkte sammenheng mellom den aktuelle saken og hans avgang som styreleder i Telenor. Dette skal jeg komme litt tilbake til, for det går jo også på hvordan man reagerer på innspill i det offentlige rom – når folk bruker ytringsfriheten sin og skriver kronikker om god selskapsstyring. Et av problemene her er som har kommet i skade for å oppfatte de statlige bedriftene han har embetsansvar for, som sin personlige lekegrind. Han er en privatpraktiserende statskapitalist som tilsynelatende godtar og hensyntar andre interesser i sitt eierskap enn det staten skulle ha strategisk interesse av. Men eierskapsutøvelse er ikke en privatsak. Eierskapsmeldingen har for den bruk nedfelt prinsipper. En rolleforståelse med innspill skal altså følge selskapets egen arbeidsrytme og egne arbeidsrutiner og spille inn til de rette organer til rett tid. Det er ikke gjort her. Så kan det kanskje også ha vært sagt i denne sal at statsråden har et renommé når det gjelder å arbeide og lite knyttet til sin ordinære administrasjon og sitt eget fagdepartement. Det skaper også uryddighet. Jeg vil så gå inn på det som også burde bekymre fra et kontrollsynspunkt. Det er at det går en rød tråd av uryddighet fra den saken jeg nevnte i sted – det å være et overstyre over det styret som har det formelle ansvaret og frem til Kongsberg-saken, hvor man skaffet det daværende styret et problem skapt hos statsråden. Det var nemlig ikke noe problem å rekruttere det nye styret til Kongsberg Gruppen. De var ferdig med arbeidet og mente at en forsvarlig kompetanse var representert inntil de ble presentert for et krav som ikke var til å ta feil av, nemlig at man også måtte finne plass til Roar Flåthen. Det er her pressen har vært så frimodig – det er bra vi har en fri presse – at de har pekt på at statsråden hadde behov for å reparere sitt forhold til LO. Etter en sak hvor de hadde vært på kollisjonskurs – i TV 2–Egmont-saken – var han på jakt etter en mulighet til å kunne plastre noen sår, og man undersøkte muligheten for at man kunne gjøre opp for seg ved å sette Roar Flåthen inn i styret i Kongsberg Gruppen. Dessverre passet ikke det med det jeg sa innledningsvis om at man respekterte at nominasjonskomiteens arbeid var avsluttet, eller en slik bagatell som at generalforsamlingen det året ikke skulle velge styre i det hele tatt. Man lager altså en konstruksjon som tydeligvis ikke er laget for å løse rekrutteringsbehovene for styresammensetningen i Kongsberg Gruppen, men som skal løse statsrådens problem. Det er en ganske stor forskjell, og jeg mener den illustrerer veldig godt det jeg sa i sted om at man betrakter forvaltningen av statlige selskaper som sin private affære. Det som også bekymrer, er at man velger en som er helt frikoblet fra prinsippet om at man får honorar som skal avspeile den risikoen man som styremedlem tar. I dette tilfellet var Flåthen fritatt fra det alminnelige styreansvaret ved at han ble såkalt bisittende varamann, som ikke har det ansvaret. Underforstått: Man skulle konstruere en arbeidsbyrde som kunne forsvare at man fikk det samme utbetalt som de øvrige styremedlemmene. Det var et preg av en gavedisposisjon som bør bekymre alle, og som jeg håper velgerne har merket seg. Det er tross alt et overhus over et storting. Jeg må også si at gavemomentet jo ikke er blitt ytterligere svekket ved at det viser seg at denne varamannen heller ikke finner så stor interesse i Kongsberg Gruppens daglige virke allikevel at man har særlig fremmøte. Jeg synes de som har forsvart regjeringen i dag, gjør det vanskeligere for seg enn helt nødvendig. Man maler et bilde av at det å stille spørsmål og det å sette visse krav til ryddighet liksom skulle svekke rekrutteringen til styreverv i staten. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror at nettopp en ryddig stat med en profesjonell eieradministrasjon tiltrekker seg gode talenter og tiltrekker seg de beste man kan få i landet for å ivareta spennende funksjoner på vegne av landet. Jeg må også si at det har vært noen nedslående elementer i debatten, og det er at særlig de ivrigste forsvarerne av den rød-grønne regjeringen svarer på kritikk ved å frakjenne dem som målbærer kritikk deres hederlige motiver og tvert imot insinuerer at de lar seg lede av lave Hvordan reagerer så representanten Kolberg på kritikk som fremkommer i en av våre aviser på kronikkplass, helt uten et eneste partipolitisk argument? Jo, han ber dem overveie om de i det hele tatt kan representere staten på en god måte. Det ser ut som at det vesentligste suksesskriteriet for om man kan representere staten på en god måte, er at man ikke sjenerer arbeiderpartistatsråden ved i det offentlige rom å minne om elementære spilleregler for god selskapsskikk. På dette punkt mener jeg det er oppsiktsvekkende at de som er satt inn i Stortinget til der å utøve en av de viktigste funksjonene som nasjonalforsamlingen gjør med regjeringen, nemlig å kontrollere den i sin går så kraftig i forsvar for denne regjeringen at man da rett og slett ikke er i stand til å gjøre det på en fullgod måte. Jeg vil nesten oppfordre representanten Kolberg til å overveie om han er i riktig komité hvis lojaliteten til Arbeiderpartiet hindrer utøvelse av konstitusjonelle plikter, hvorav noen av de viktigste er at Stortinget er satt til å kontrollere regjeringens embetsførsel.

hvor stortingsflertallet her og nå slår fast at retningslinjene er fulgt, og høre Høyre og Fremskrittspartiet fortsatt kverne på at de er brutt. Hvis ikke Stortinget er den overordnede beslutningstaker – her med et flertall som går ut over de rød-grønne regjeringspartiene – på om Stortingets retningslinjer er fulgt eller brutt, hvem er det da som skal slå fast det? Det må være slik at når det gjelder Stortingets retningslinjer, så er det Stortinget som har det siste ordet. Men Tetzschner, Foss og Anundsen fortsetter ufortrødent med disse påstandene på tross av at flertallet – et bredt flertall i denne sal – ikke slutter seg til dem. Høyre og Fremskrittspartiet mener at retningslinjene er brutt, men har altså ingen forankring i Stortinget for det. Det er jeg glad for, for det er viktig at vi ikke bare forsvarer det statlige eierskapet – som det er stor strid om – men også forsvarer at et statlig eierskap er et eierskap på samme måte som et privat eierskap. Ja, faktisk er det et enda bedre, tydeligere og mer solid eierskap i måten vi utøver dette på. Det er jo nettopp denne utviklingen som har gitt oss disse retningslinjene som tydelig beskriver hvordan vi utøver eierskap. Vi har fra statens side bestrebet oss på å jobbe med våre selskaper – både de heleide og de deleide – på en måte som maksimerer fellesskapets verdier i disse selskapene. Faktum er at verdiutviklingen i disse selskapene er like god eller ofte bedre enn snittet på Oslo Børs. Det har vært en meget god avkastning fra disse selskapene, og det er ingenting som tyder på at det er noen børsrabatt på de statlig eide selskapene. Det er også godt forankret at selskaper som har aktive og tydelige eiere, gjør det bedre enn selskaper som har passive eller fraværende eiere. Samtidig skal vi i de selskapene som vi eier sammen med andre, ha en ryddighet i respekt for at alle skal kunne komme med sine innspill, og at styret skal ivareta hele aksjonærfellesskapets interesser. Det overholder vi også på en god måte. La meg si følgende: Staten er en spesiell eier på den måten at vi er forankret i et politisk system. Det betyr at de ting vi går inn for inn mot selskapene, må være i andre prosesser enn en enkeltstående, privat eier kan tillate seg. Det betyr bl.a. at vi har prosesser hvor politisk ledelse i Næringsdepartementet eller i andre departement også skal ta stilling til spørsmål. Av og til skal også et bredere kollegium ta stilling til saker, enten regjering eller underutvalg – det er litt ulik måte å organisere seg på Det er en krevende prosess når man parallelt skal ha en prosess i en valgkomité. På den ene siden skal vi ikke komme for tidlig med våre konklusjoner og synspunkter, fordi det da vil bli oppfattet som et fait accompli, hvor den fleksibiliteten i prosessen som valgkomiteen trenger, blir begrenset. På den andre siden skal vi heller ikke komme for slik at man ikke får god nok tid til å ta stilling til de innspillene som valgkomiteen eller en generalforsamling skal ta stilling til. Det går stort sett bra, og det forankres på en god måte. Samtidig må jeg si at hvis det er motstrid mellom en valgkomités behov for mye tid og demokratiets behov for en grundig prosess, så må demokratiet gå foran. Det er vi, som fellesskapets representant – ikke som en privatpraktiserende, men som fellesskapets representant, forankret i et stortingsflertall, forankret i et stortingsvalg – som må ivareta eierens interesser. Hvis man begynner å opphøye en valgkomité til på en måte å stå over eieren, da er man på fullstendig ville Jeg er faktisk så gammel at jeg husker 1970-tallets debatt om bedriftsdemokrati, hvor det ble diskutert om de ansatte skulle ha flertall i styrene i selskapene, og hvor høyresiden hylte ut om at dette var å frata eierne råderetten over selskapene. Det finnes gode argumenter for det, og konklusjonen ble at de ansatte ikke fikk flertall i selskapsstyrene. Men nå er det altså valgkomiteen som skal stilles over eier, og så lager man et slags likebehandlingsprinsipp hvor store og små aksjonærer skal behandles såkalt likt. Nei, de skal ikke det. Dette redegjorde jeg også for i mitt innlegg til kontrollkomiteen under høringen, at det står tydelig i NUES’ grunnleggende prinsipper at en valgkomités innstilling skal forankres hos de største eierne. er vi jo ikke bare én blant de største eierne – vi er den suverent største eieren. Det er vi som er en stor eier, og da har vi andre prosesser enn de mange tusen enkeltaksjonærene. Slik er det også i private selskaper, ja, i enkelte private aksjeselskaper er det ikke engang en valgkomité. Så det hva Høyre og Fremskrittspartiet mener om behandling av småaksjonærer i private selskaper, som har en helt annen måte å tilnærme seg dette på enn det staten har. Komitélederen snakket om å «kortslutte prosessene», eller å ha en «bakvei inn» i valgkomiteen. Ingenting kunne være mer feil. Dette er en del av den ordinære prosessen, og det er frontdøra vi bruker! I Kongsberg-saken var jo dette detaljert beskrevet i valgkomiteens innstilling, så det var jo offentlig kjent lenge før dette ble en sak i kontrollkomiteen. Alt som kom fram under høringen i kontrollkomiteen, sto å lese i innstillingen fra valgkomiteen. beskrev også at problemet ikke var om Sandvik eller Bakke eller andre var spilt inn til valgkomiteen – problemet var at de kom så sent at de ikke ble vurdert på den samme grundige måten som andre. Vi har jo ikke sett det som veldig gunstig for disse selskapene å ha en bred, offentlig utlegning om hvilke kandidater som vurderes i valgkomiteen; det tror jeg virker begrensende på rekrutteringen. Men nå ser vi at styremedlem Bakke selv har skrevet et brev til kontrollkomiteen hvor han beskriver at han var i et 1,5 times langt intervju før han ble foreslått som styremedlem i Telenor. Og vi ser også at representantene for valgkomiteene i høringene i kontrollkomiteen konstaterer at dette ble gjort på en god måte. Anundsen sa at dette annerledes enn for de andre, men så svarer han på et spørsmål fra – jeg tror det var – Kolberg at han ikke har kjennskap til hvordan de andre ble vurdert. Det er interessant at komitélederen kan slå fast at Hallvard Bakke ble behandlet på en annen måte enn de andre, mens han på samme tid ikke har kjennskap til hvordan de andre ble behandlet. Du skal ikke ha hatt mange o-fagstimer før du skjønner at den logiske bristen er fullkommen når du ikke kan redegjøre for det. Det står ikke ett sted i innstillingen at det ble en annen og mindre grundig vurdering av styremedlemmet Bakke enn av de andre, og det hadde vært interessant om Anundsen her kunne bekrefte eller avkrefte at alle de andre som ble foreslått til styret i Telenor, var inne på intervju. Eller var det slik at det til og med var oppnevnt folk som ikke var inne på intervju? Vi kan oppsummere med følgende: Det er milevis av avstand mellom de påstandene som ble fremmet fra særlig Høyre og Fremskrittspartiet i innledningen til denne saken, til det som nå står å lese i innstillingen. Representanten Kolberg har referert noen av disse påstandene, men la oss ta noen flere. I Dagsavisen 6. oktober sier representanten Per-Kristian Foss selv til Dagsavisen om ansettelsen i Entra at dette kan virke som en «kompis-ansettelse». Representanten Sanner sier at han «liker dårlig at styremedlemmer med tilknytninger i Ap trumfet dette igjennom». Og han sier også: «Dette framstår som en partiansettelse med milliongevinst». Representantene Anundsen og Foss sier til NTB 22. oktober at vi tar «begge forbehold om at TV 2s fremstilling er riktig», men «i så fall er det uakseptabelt» og «meget alvorlig.» Og Siv Jensen, som Kolberg refererte, sier at dette «minner mistenkelig om korrupsjon og bestikkelser». Og hun sier at det «som har skjedd her, er altså at Arbeiderpartiet konstruerer en særordning til 195 000 kr i året». Nå viste det seg at Arbeiderpartiet overhodet ikke hadde konstruert noen særordning. Det kom veldig tydelig fram i høringen at det var valgkomiteen som fant ut at de ville honorere dette på denne måten, og at ikke engang det forslaget kom fra staten. Det er mulig at det som representanten Anundsen sier, var et bilde, men la meg si det slik at da har jeg lyst til å bruke det bildet – at dette er en «forsøpling» av en politisk debatt. Og det kan jeg si, for det er sagt utenfor denne sal. Hadde det vært i denne sal disse tingene hadde blitt sagt, hadde det kanskje vært uparlamentarisk. Dette er en måte å argumentere på – med «korrupsjon», «mafialignende tilstander», «kamerat-ansettelse med milliongevinst» – som overhodet ikke blir reflektert i innstillingen. Hvis det er én avsløring gjennom hele denne saken, så er det at ingenting av disse grove påstandene kunne dokumenteres på en slik måte at det framgår av innstillingen! For det er jo garantert sikkert at hvis de hadde hatt et fnugg til å kunne bygge opp under dette, så måtte de jo ha skrevet det i innstillingen. Det er mulig at det er blitt slik at Høyre og Fremskrittspartiet har lært så mye av sine søsterpartier i USA og Storbritannia, at dette er måten å drive debatt på – å komme med påstander utenfor denne sal, på sitt eget partilandsmøte eller landsstyre eller i medier og skape mest mulig blest om det, og så, når man overhodet ikke følger opp ordene i innstillingen. For nå er jo selvsagt pressebenken tom, nå som man har oppnådd det man ønsker gjennom disse oppslagene – unnskyld Geir Moen: Pressebenken er ikke helt tom, men nesten tom. Man har oppnådd det man ønsket med de utspillene og de angrepene man kom med. Men vi kommer til å stå opp og forsvare det statlige eierskapet, vi kommer til å stå opp og forsvare et vi kommer til å bruke den innflytelsen vi har som en stor eier til å velge styremedlemmer som vi mener best ivaretar våre, fellesskapets, interesser med eierskapet – uansett om det er langsiktig industriutvikling i stedet for kortsiktig spekulasjon, om det er arbeidsplasser og næringsutvikling i Norge og ute, om det er moderasjon i lederlønninger og avlønninger til dem som er på toppen, eller om det er andre sider ved selskapets drift, og selvsagt mest av alt: en god verdiskaping, norsk forankret eierskap og solide bedrifter. Jeg konstaterer at regjeringspartiene har vært skeptiske til å ha høring og sak, men for meg personlig var det en lykke at det ble sak, fordi særlig Høyre og for de grove påstandene de har kommet med i media, og det er godt at det er dokumentert i et stortingsdokument – i Innst. 209 S. Presidenten må gjøre oppmerksom på at begrepet «forsøpling» ikke er et parlamentarisk uttrykk, selv om det brukes for å karakterisere debatter som har foregått utenfor stortingssalen. Det blir anledning til replikkordskifte.

Men det jeg vil spørre statsråden om, er: På bakgrunn av hans opptreden overfor tidligere styreleder i Telenor, Norvik, som under høringen karakteriserte statsrådens opptreden som et klart brudd på statens eierskapsprinsipper, vil jeg spørre om statsråden er enig med Martin Kolberg i at de styremedlemmer som skrev en artikkel i Aftenposten, nå bør tenke igjennom om de «på en god måte kan representere staten» fordi «de sier noe annet i sin kronikk enn det stortingsflertallet mener»? Er statsråden enig med Martin Kolberg? Jeg mener at vi hele tiden må ha et kritisk syn på hvilke styremedlemmer som best ivaretar fellesskapets interesser i de selskapene hvor staten har eierskap. Jeg må si at den kronikken som sto i Aftenposten, egentlig nesten ord for ord var hentet ut fra de retningslinjene som jeg selv var med og la fram i eierskapsmeldingen i denne sal. Det ene punktet som avviker alvorlig fra det, er der hvor disse styremedlemmene sier at eier kan stå i fare for å overstyre en valgkomité. Og det er her man går seg fullstendig vill i hvem som eier hvem. Det er altså fellesskapet, staten, som eier 54 pst. i Telenor, eller 100 pst. i Entra, eller 50 pst. i Kongsberg Gruppen. Det er ikke Kongsberg Gruppen eller Telenor eller Entra som eier staten. Og bare det å ha en forestilling om at den største eieren kan overkjøre en valgkomité er altså en grunnleggende misforståelse av dette ansvarsforholdet.
å lese i disse artiklene om at valgkomiteen skal overkjøres av departementet. Men det som har vært fremhevet, er at departementet kan kjøre et parallelt opplegg med valgkomiteene med sikte på å fremme sine kandidater, som vanlig er, gjennom statens medlem i valg- eller nominasjonskomiteene. Statsråden bruker uttrykk i sitt innlegg og nå i replikkordskiftet som gir inntrykk av at det er i strid med demokratiet om man skulle kjøre parallelt altså en parallell prosess, gjerne med kvalitetssikring, gjerne med bruk av internasjonale konsulenter, osv. Er det umulig for staten faktisk å gjøre annet enn å snuble i denne prosessen? Kan man ikke kjøre parallelt, og er ikke det også forenlig med demokratiet? Det er jo det som skjer. Vi har en stor stab i Næringsdepartementet, eierskapsavdelingen, som kontinuerlig jobber med å finne og vurdere gode kandidater, med å